Tørken som drev folk fra landsbygda og inn til byene i Syria, ses på av mange som det nyeste eksemplet på hvordan klimaendringene kan drive fram konflikt- og massefluktsituasjoner, og med dette som bakteppe var klimaavtalen i Paris en stor suksess. Da klimakonferansen i København, med dagens danske statsminister, Lars Løkke Rasmussen, i spissen, havarerte og satte arbeidet for å starte globale klimaendringer flere år tilbake, klarte Laurent Fabius og franskmennene å lande en historisk avtale med tre hovedpilarer. skjerpede klimamål, med penger til tilpasninger og arbeid for å gjøre noe med finansiseringsstrømmene. Den andre var en avtale som omfatter alle land, og der alle forplikter seg til å ha de høyest mulige ambisjonene for sine klimaforpliktelser. Den tredje var en automatisk forsterkning av klimamålene hvert femte år – første gang for de kollektive klimamålene i 2018 og deretter i 2023. Sammen med dette kom erkjennelsen av at de 55 gigatonnene i 2030, som kommer til å være utslippene istedenfor 40 gigatonn, som verden burde ha om vi skulle vært i rute for å ha en sjanse til å hindre global oppvarming på mer enn 2 grader – og enda lenger fra målet om 1,5 grader – gjør en slik type skjerping nødvendig.

Vi skal for det andre få en oversikt over oppfordringene fra Paris-avtalen og hvordan de skal følges opp, innen våren 2017. 2030-målene skal på plass – og de endelige vedtakene knyttet opp mot dem skal på plass så snart avtalen med EU er klar. Jeg tror at det vil bli en del av EØS-avtalen, men det får vi diskutere etter sommeren og framover, og den avklaringen forventes å være en eller annen gang Det er to politiske uenigheter som skiller oss, og som jeg gjerne vil bruke tid på. Den ene uenigheten gjelder hvorvidt skog skal inngå som en del av de fleksible mekanismene i ikke-kvotepliktig sektor i EU eller ei. Flertallet sier nei. Det å plante skog, gjødsle skog eller la være å hugge skog for å la være å kutte fossile utslipp er etter min oppfatning galt av to hovedgrunner: Det er nødvendig å kutte fossile utslipp. Å utsette slike utslippskutt gjør det vanskeligere å nå målet om å binde mer CO2 enn det vi slipper ut i andre av to hovedgrunner: Det er nødvendig å kutte fossile utslipp. Å utsette slike utslippskutt gjør det vanskeligere å nå målet om å binde mer CO2 enn det vi slipper ut i andre halvdel av århundret. Skog står til den hugges eller brennes. Fossile utslipp fra lagerressurser, kull, olje og gass blir værende i atmosfæren i lang, lang tid. Den andre tingen det er politisk uenighet om, er enda mer alvorlig. Den handler om hvorvidt Norge skal framstå som redelig i klimaforhandlingene følgende: «Som en del av en global og ambisiøs klimaavtale der også andre industriland påtar seg store forpliktelser, skal Norge ha et forpliktende mål om karbonnøytralitet senest i 2030. Det innebærer at Norge skal sørge for utslippsreduksjoner tilsvarende norske utslipp i 2030.» USA har vedtatt forpliktende utslippskutt under Obama. EU har vedtatt forpliktende utslippskutt. De kalles ambisiøse av regjeringen, senest i forbindelse med energimeldingen i går, og jeg siterer fra proposisjonen: «Parisavtalen er et gjennombrudd for globalt klimasamarbeid. Avtalen er global og peker ut en ambisiøs og langsiktig retning for det globale klimasamarbeidet.» Det er ikke noen tvil hos flertallet om at klimaforlikets mål om klimanøytralitet er innfridd ved Paris-avtalen. Regjeringspartiene oppgir den egentlige grunnen til at de er imot, i brev til komiteen fra i går – å vedta å oppgi et mulig forhandlingskort uten å forvente noe fra andre land er å påta oss Hvor mange ganger har regjeringen anstendighet til å bruke det samme forhandlingskortet uten å innfri? Min regjering la 3 mrd. kr på bordet og innfridde løftene om skogsatsing fra 2007. Når spørsmålet om klimanøytralitet behandles her i dag, viser klimaministeren og statsministeren at de bare har det i kjeften. Hvis Høyre virkelig mener at kostnadene er for høye, burde de ha tenkt på det i 2008 og i 2012, istedenfor etter at flertallet, slik vi ser det, faktisk har klart å bidra til en internasjonal avtale som er både ambisiøs og langsiktig. Presidenten vil bemerke at «bare ha det i kjeften» ikke er et

av Paris-avtalen. Utfordringene ligger framfor oss. Vi vet ikke konkret hva konsekvensene blir, men det er opplagt at det blir konsekvenser. En rask ratifikasjon bør bety at vi også må komme i gang raskt med jobben med å redusere klimagassutslippene. Norge skal kutte utslippene med 40 pst. innen 2030. Det vil by på utfordringer, har vi erkjent, men også mange muligheter. Vi vil, jamfør debatten vi hadde i går, konstruktivt lete etter muligheter, søke framtidsmuligheter for å utvikle Norge videre og gi rammer for at vårt samfunn kan tilpasse seg lavutslippssamfunnet på en god måte. I saken har dette med karbonnøytralitet blitt en sentral del og en sentral diskusjon. Gjennom komiteens behandling har komiteen vært samlet enig om Gjennom komiteens behandling har komiteen vært samlet enig om at det nå var riktig å framskynde målet og realisere klimaforlikene fra 2008 og 2012, hvor vi ønsker å gjøre Norge karbonnøytralt, altså at Norge skal sørge for utslippsreduksjoner tilsvarende norske utslipp fra

Når vi ser konsekvensen av tidligere vedtak og tidligere forlik, betyr det ikke at en bør rygge ut av det. Det var ingen strategiske vurderinger som ble lagt til grunn i 2008 eller 2012. At regjeringen nå vurderer å bruke dette temaet som en strategisk forhandlingssituasjon videre, synes vi ikke er riktig. Vi har gjentatte ganger sagt veldig tydelig fra om at vi mener at grunnlaget for å innfri og forplikte oss nå om karbonnøytralitet i 2030 har vært til stede. Vi har hørt regjeringens argumenter. Vi var derfor svært glade for at vi fikk et samlet storting bak en slik viktig avgjørelse på veien videre. Men det ser ut som om Stortinget kanskje ikke er fullt ut samlet om det etterpå. Jeg vil også – i likhet med det saksordføreren tok opp – vise til diskusjonen omkring skogen. Jeg mener at saksordføreren har et godt, poengtert grunnlag. Samtidig er Stortinget i fellesskap enig om at skog skal være en del av tilleggsambisjonene som Norge påtar seg. Det er jeg i hvert fall veldig glad for at vi gjør i fellesskap, selv om det er noe uenighet, som saksordføreren redegjorde for i tilknytning til det. Vi velger å se på Paris-avtalen som en god mulighet for veien videre. Hvordan vi skal utvikle samfunnet, og hvordan vi skal legge til rette for at vi skal kunne leve gode liv samtidig som vi har høy verdiskaping osv. i tiden framover, blir helt vesentlige elementer som Stortinget må engasjere seg i. Og vi må forsterke innsatsen i tiden framover. Til slutt har jeg lyst å takke saksordføreren for en svært god jobb på vegne av komiteen. Han har lagt til rette for en god innstilling og gode
Neste taler er

Denne saken handler i utgangspunktet om at Norge skal forplikte seg til å etterleve Paris-avtalens bestemmelser. Innstillingen fra komiteen og debatten i media i etterkant har vist at det er politisk uenighet i tolkningen av enkelte punkter i avtalen. Det er heller ikke til å stikke under stol at det er politisk uenighet om når og hvordan mål skal oppnås. Vi er helt enig med saksordføreren i at vi skal være ambisiøse på nasjonens vegne når det gjelder utslippsmål. Det mener jeg at vi er. Norges mål for 2030, som vi meldte inn i forhandlinger, var en utslippsreduksjon på minst 40 pst. sammenlignet med 1990-nivået. Ambisiøse mål følges opp med en ambisiøs politikk. Senest i går vedtok Stortinget en energimelding med tydelige mål og ambisjoner for reduserte klimagassutslipp og en mer effektiv bruk av energi. Norge er kanskje det landet i verden som har høyest andel av fornybar Nå skal vi bygge videre på dette og kutte utslipp samtidig som vi bygger grønn konkurransekraft. Klimautfordringene krever et forpliktende og troverdig globalt samarbeid. Vårt utgangspunkt er at det bør legges avgjørende vekt på å fremme de samlede globale ambisjonene under Paris-avtalen. Vårt mål er å framstå som en troverdig og forutsigbar avtalepartner, og vi bør forholde oss til det løpet som er lagt som en følge av avtalen. Derfor må vi bare sterkt beklage at vi ved en inkurie støtter IV i innstillingen fra komiteen, og vi kommer til å stemme imot det forslaget. Konsekvensene av forslaget kan være store både for forhandlingsprosessen og for norsk økonomi, og jeg viser i den sammenheng til brev fra statsråden som svar på spørsmål fra komiteen. Et vedtak nå om framskynding av karbonnøytralitet til 2030 innebærer at Norge oppgir et mulig framtidig forhandlingskort uten å forvente økt ambisjonsnivå fra andre land. Samtidig påtar vi oss potensielt store kostnader – det kan være i størrelsesorden 20 mrd. kr i året. At det hefter så stor usikkerhet ved beregningene, tilsier at vi bør være Etter Paris-avtalens eget system er det den globale gjennomgangen i 2018 og innmeldingen av nasjonale bidrag innen 2020 som er det naturlige tidspunktet. Å kunne tilby framskynding da, som en stimulans til at andre land øker sitt ambisjonsnivå, ville ha langt større mulighet til å gi internasjonal effekt. Klimakrisen kan vi ikke løse alene, nasjonalt, den må vi løse i fellesskap, globalt. Derfor er det også uenighet i komiteen hva gjelder bruk av markedsmekanismer for å oppnå klimanøytralitet. I avtalen etableres det en ny, sentralisert, markedsbasert mekanisme. Mekanismen vil gjøre det mulig for alle land å bidra til gjennomføringen av utslippsreduserende tiltak i andre land og motta utslippsenheter som kan benyttes til å gjennomføre deres utslippsmål. Norge har gjennom de siste åtte årene og med 17 mrd. kr arbeidet for at tropisk regnskog gjennom REDD+-programmet skal bli en fullverdig del av et globalt klimaregime. Regnskogsatsingen kan bli viktig for at Norge kan oppnå klimanøytralitet på en kostnadseffektiv måte, uten at ambisjoner for reduksjon i fossile klimagassutslipp nasjonalt reduseres. Ja, vi skal være ambisiøse og utålmodige på nasjonens vegne for å bidra best mulig til å redusere klimagassutslippene, for å oppnå målene i avtalen. Likevel mener vi at det beste resultatet i et globalt perspektiv vil være at vi forholder oss til det tidsløpet og den prosessen som er lagt i avtalen. Det gjør oss til en forutsigbar og troverdig avtalepartner. Målet må være at så mange som mulig av landene forplikter seg til avtalen så raskt som mulig, slik at vi kommer raskt i gang med et felles løft for et bedre klima og et bedre miljø.

Klimaendringene er en global utfordring som krever internasjonalt samarbeid. Avtalens formål er ambisiøst og kan bare oppnås dersom alle store utslippsland blir part til avtalen, leverer og følger opp sine bidrag. Oppslutningen om vedtaket av avtalen under FNs klimakonferanse i Paris gir grunn til å tro at mange land vil signere og ratifisere avtalen. Selv om avtalen er en folkerettslig avtale og således juridisk bindende for landene, er de individuelle forpliktelsene begrenset. De enkelte lands bidrag skal fastsettes nasjonalt, og partene skal gjennomføre nasjonale tiltak for å redusere klimagassutslipp med sikte på å nå målene i sine bidrag. Avtalen legger til rette for samarbeid mellom landene og gjennomføring av de internasjonalt fastsatte bidragene, herunder utslippsreduksjonene. Veksten i de globale klimagassutslippene har de siste årene hovedsakelig funnet sted i utviklingsland. Utviklingslandenes klimagassutslipp utgjør nå om lag to tredjedeler av de globale utslippene. Dersom klimakonvensjonens langsiktige mål skal nås, vil det være nødvendig å myke opp den rigide todelingen som følger av konvensjonen og Kyotoprotokollen, slik at alle land stiller opp med sine bidrag i en mer global avtale. Medregnet opptak av klimagass i skog og andre landarealer er verdens samlede utslipp på om lag 50 mrd. tonn CO2-ekvivalenter. Til sammenligning var Norges samlede utslipp ifølge SSB 53,2 mill. tonn i 2014. Medregnet opptak av klimagasser i skog og andre anslår SSB at norske utslipp var 27,1 mill. tonn CO2 samme år. Som for de fleste andre land i verden utgjør Norges utslipp av klimagasser en liten del av de samlede utslippene. Derfor er det viktig – og i realiteten kanskje det viktigste – hva Norge kan gjøre for andre land. Norge har ambisiøse mål, og det skal vi også ha i framtiden. Men det er de samlede globale utslippene som er utfordringen. Da vil jeg vise til det brevet som statsråd Helgesen sendte til Stortinget i går, der han på spørsmål fra komiteen kommenterer IV og den betydningen det har. Her tror jeg det blir viktig at Norge har gode kort på hånden. Gode kort på hånden er ikke at Norge skal slippe unna sine forpliktelser, men å kunne være med og påvirke andre land i den prosessen man nå går inn i. Hvis man vedtar IV i dag, vil man i realiteten spille fra seg en god mulighet i så måte. Det synes jeg i realiteten er ganske trist,

norsk industri, hvilken betydning det vil få for norske arbeidsplasser som lever av eksport til utlandet. Det verste vi kan gjøre, er å vedta en klimapolitikk som medfører konkurransevridning for norsk næringsliv og de arbeidsplassene og interessene det representerer. ligger der, mye av rammeverket ligger i støpeskjeen og skal utformes videre, og jeg vil be partiene vurdere en gang til fram mot votering om IV kan oversendes regjeringen uten realitetsbehandling i denne salen, slik at regjeringen får muligheten til å komme tilbake til det forslaget og det spørsmålet i forbindelse med det kommende statsbudsjettet. I rekken av klimasaker denne våren er dette den viktigste. Det forslaget og det spørsmålet i forbindelse med det
dette den viktigste. Det var med stor lettelse vi kunne fastslå at det ble en enighet i Paris i fjor høst som brakte verden nærmere en målrettet kursomlegging i klimavennlig retning. Nå skal vi ratifisere avtalen, og det er ikke mindre enn historisk. Sjumilssteg er tatt på få år, og det er ikke mange år siden, relativt sett, at de første advarslene kom og vi satt fjetret og hørte på foredrag og så lysark som forklarte hvordan drivhuseffekten fungerte. Så kom de på rekke og rad: Al Gore med dokumentarfilmen «An Inconvenient Truth», klimapanelets rapporter, lavutslippsutvalg her hjemme i Norge, osv. Det her hjemme i Norge, osv. Det er klart at alle har spilt en rolle i å skape en opinion for endring. Vi bør som politikere ta kollektiv selvkritikk for at vi har ventet for lenge med å komme i gang med handling – noen i større grad enn andre, men selvkritikk er sunt og legitimt for alle. Samtidig er det en lettelse at vi nå ser en bred politisk enighet, i alle fall om Det ville vi ikke ha sett for bare få år siden i denne sal. På en slik dag synes jeg det er viktig å ha litt fugleperspektiv og være raus. Det er nok av politiske skjæringspunkt når vi skal gjennomføre den mest utfordrende, men også viktigste, omleggingen i moderne tid. Vi må gjøre mange ting på en gang. Ja, vi skal samarbeide med EU om store og viktige grep. Det vet vi tar tid å få på plass. Men vi må ikke sitte stille og vente. Vi ser fram til at Norge får nasjonalt fastsatte bidrag på bordet så raskt som mulig etter at forhandlingene med EU er avsluttet, og i god tid før fristen for innmelding av bidragene i 2020. Paris-avtalen innebærer at landene forplikter seg til å begrense i den globale gjennomsnittstemperaturen til 2 grader over førindustrielt nivå og etterstrebe å begrense temperaturøkningene til 1,5 grader. Partene skal kommunisere et nytt utslippsbidrag hvert femte år. Nye bidrag skal alltid være mer ambisiøse enn de gamle – det er ett av de geniale grepene i avtalen. Kristelig Folkeparti var med på forliket om å knytte den norske innsatsen opp mot EU fordi det trolig vil være mest effektivt. Men det må ikke innebære at vi venter med norske tiltak. Kristelig Folkeparti fikk sammen med Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne i fjor vår gjennomslag for at det skal utarbeides en klimalov, for systematisk å forplikte oss til oppfølging av klimamålene. Den vil være et viktig verktøy i

Det er en forventning i folket. Det er en forståelse for omlegging. Det gir oss en unik mulighet til å bruke tiltak som også på kort sikt utfordrer vår levemåte og våre vaner. Petroleumsvirksomhet har vært og er viktig for norsk økonomi, og man skrur ikke av kranene over natten. Petroleumsvirksomhet blir en vesentlig del av vår økonomi i flere men også å intensivere forskning på og videreutvikling av disse og å finne nye metoder vi i dag ikke kjenner. Kanskje har petroleumsalderen vært en sovepute for Norge. Det må den ikke være lenger. Det grønne skiftet er i gang, og vi må i all vår samfunnsplanlegging se til at alt trekker i samme retning. Vi har bare så vidt begynt på jobben, men vi har begynt, og det er bakstreversk ikke å holde styringsfarten. Det er det vel ingen som vil være. Det er

men samtidig bygger på prinsippene fra Klimakonvensjonen om rettferdighet og differensiert ansvar. Det betyr at det er de rike landene som fortsatt har et spesielt ansvar i klimaarbeidet både når det gjelder utslippsreduksjoner og også når det gjelder klimafinansiering. For Norges del skal vi oppfylle en stor del av målet i et felles rammeverk med EU, som betyr at vi skal oppfylle våre forpliktelser i samarbeid med dem.

en konkret oppfølging av Paris-avtalen både når det gjelder energiproduksjon og -bruk, når det gjelder transportsektoren og når det gjelder byggsektoren, for å nevne noen. Det er bra, og det er viktig, men jeg tror likevel at utålmodigheten er stor etter å komme videre i denne debatten. Derfor er det også viktig at komiteen i forbindelse med ratifiseringen i dag samler seg om flere vedtak som angår den videre oppfølgingen fra regjeringens side og hva regjeringen bør komme tilbake til Stortinget med av saker om både forsterket mål og videre oppfølging. Så skjønner jeg at det er en uenighet knyttet til IV. Det er litt pekuliært, da, eller spesielt, at dette oppstår som et problem etter avgivelsen av innstillingen, og jeg synes også at det er litt spesielt at som både går ut av en enstemmig innstilling etter avgivelse, og også velger å sende brev til statsråden med utdypende forklaringer etter avgivelse – en litt spesiell komitébehandling. Jeg må si at jeg kan ikke forstå at det i realiteten vil være et problem at Stortinget stadfester og fastsetter hva som bør være målet når det gjelder klimanøytralitet, all den tid vi også i gir regjeringen de fullmakter den trenger for å komme tilbake til Stortinget når det gjelder retningslinjer for mekanismer som kan brukes, og også hvordan en skal innfri målet om klimanøytralitet. Vi fastsetter et mål, men vi gir også regjeringen den mulighet til oppfølging som den synes er forsvarlig ut fra rammene som er lagt i innstillingen, så jeg synes kanskje at problemet her blir en smule

enn det de fleste hadde forventet. Det franske lederskapet var også imponerende i Paris. Jeg tror at for alle som var til stede da avtalen endelig kom på plass, var det en helt unik opplevelse som de alltid kommer til å ha med seg. Det er en forsterkning der vi ikke bare skal nå et 2-gradersmål. Vi skal godt under 2 grader, og vi skal tilstrebe 1,5 grader. Det vedtaket vi gjør i dag, vil og skal legge føringer og rammer for det aller meste av det andre vi gjør på Stortinget de kommende årene. Det er det nødt til å gjøre. Det første eksemplet på dette fikk vi i går, da vi hadde vedtak om energimeldingen, der Stortinget gjør veldig ambisiøse vedtak både innenfor byggsektoren og ikke minst innenfor transportsektoren med målsettinger som ligger langt foran noe annet land.

inn. Da er det også viktig å ha med seg i diskusjonen om man får forsinkelser av tiltak. Det ligger også i Paris-enigheten at alle land skal forsterke innsatsen fram mot 2020, ikke bare fra 2020. De skal forsterke fram mot 2020. Vi har tidligere vært inne på at vi ønsker en avtale med EU om de norske forpliktelsene om 40 pst. reduksjon. For Venstre er det viktig å formidle at vi mener at det bør være en For Venstre er det viktig å formidle at vi mener at det bør være en del av EØS-avtalen. Vi tror det er den riktige måten å gjøre det på. Det vil gi den raskeste framdriften, og vi skal jo få en sak med utslippsbaner og tiltak allerede nå i budsjettet for 2017. Men så – og der vil jeg takke saksordføreren – er det viktig at vi i denne saken har en enighet om hvordan veikartet for Stortingets behandling av oppfølgingen av Paris-avtalen skal foregå i årene framover. I 2017 ber vi om at det legges fram en oppsummering av de oppfordringene Paris-avtalen og Paris-beslutningen inneholder, og en oversikt over hvordan oppfordringene skal følges opp videre. Deretter ber vi om at regjeringen kommer til Stortinget, før dialogen om økte ambisjoner i 2018, med Norges forslag til forsterkede mål som utgangspunkt for denne prosessen. Til slutt får man en sak til Stortinget om Norges endelige nasjonalt fastsatte bidrag for perioden 2021–2030 så raskt som mulig etter at forhandlingen med EU om felles

vi skal ha høye ambisjoner for å bidra internasjonalt, og vi skal også ha høye ambisjoner for å være et forbilde for å vise hvordan man kan utvikle et lavutslippssamfunn med både næringsutvikling og tiltak som kan være et eksempel for andre. Til slutt noen kommentarer om vedtaket om klimanøytralitet. Stortinget ber regjeringen legge til grunn at Norge skal sørge for klimareduksjon tilsvarende norske utslipp fra og med 1. januar 2030. Da Stortinget vedtok klimaforliket i 2012, sa vi at vi skulle framskynde når Norge skulle bli klimanøytrale fra 2050 til 2030 hvis vi fikk på plass en ambisiøs og global avtale. Det har vi fått, og da må Vi ser i svaret til statsråden at han bruker to argumenter for ikke å vedta dette nå. Det ene er at det vil bli for kostbart – at de økonomiske og administrative konsekvensene av å framskynde målet ikke er vurdert. Det andre er konsekvensen for norske arbeidsplasser. Det er viktig at disse argumentene heller burde vært tatt opp i 2012. Når vi nå vedtar

fast, er at jordas karbonbudsjett må være på ca. 400 gigatonn hvis vi skal holde oss innenfor Paris-avtalens ambisjon om maks 1,5 graders oppvarming. I dag slipper verden ut 40 gigatonn i året, dvs. at vi har ti år igjen med den utslippstakten som vi har i dag. Selv om dette på en måte

og vi har fortalt oss selv at det må skje veldig mye i dette landet hvis vi skal gjøre vår del av jobben. Så bekrefter Paris-avtalen et veldig viktig prinsipp, nemlig prinsippet om rettferdighet og et felles, men differensiert ansvar mellom forskjellige land. Det er veldig vesentlig av to grunner. Det ene er at det er forskjell på lands evne til å gjennomføre klimatiltak. Det må alle ta hensyn til. Det andre er at det å greie å gjennomføre den oppgaven som vi har tatt på oss gjennom Paris-avtalen, er i ekstremt stor grad et spørsmål om å etablere nok tillit til at alle vil gjøre mer enn det som bare er gratis og lettvint. Det vil sannsynligvis kreve en diplomatisk og politisk innsats uten sidestykke, i hvert fall i et langt historisk perspektiv. Derfor er det helt avgjørende at rike land og land med store utslipp per hode ikke opptrer på en måte som undergraver den tilliten som ble bygd opp igjen i Paris-avtalen, men at vi tvert om strekker oss meget langt for å være et land som underbygger og styrker den tilliten som skal til for at andre land vil gjøre sin del av jobben. Derfor er jeg glad for at regjeringen i denne saken har løftet fram målet om å «gjøre finansieringsstrømmer forenlige med en klimarobust lavutslippsutvikling», og viser til Paris-avtalens beslutning om at industrilandene skal sette av 100 milliarder amerikanske dollar årlig til klimafinansiering. Dette må Norge bidra til i en skala som står i forhold til vårt historiske ansvar og vår økonomiske kapasitet. Det er et av de områdene hvor vi virkelig kan gjøre en forskjell, nettopp fordi vårt antall tonn utslipp i seg selv ikke er en kjempestor del av de globale utslippene. Derfor foreslår Miljøpartiet De Grønne i dag at Norge av en såkalt klimaprosent, altså tilsvarende 1 pst. av BNI, ca. 30 mrd. kr, finansiert gjennom Statens pensjonsfond utland og betalt inn til FNs grønne klimafond. Det vil være et konkret, men også et politisk særdeles viktig bidrag til å bygge den tilliten som Norge selv har all mulig interesse interesse av at ligger til grunn for samarbeidet om klimaavtalen. Vi foreslår også at Norge melder inn som en tilleggsforpliktelse til klimaavtalen, Paris-avtalen, at norsk olje- og gassvirksomhet fases ut over en 20-årsperiode. Til mine medrepresentanter som gjentar til de blir blå i ansiktet at det er snakk om å fase ut norsk oljevirksomhet over natta, gjentar jeg tallet: en 20-årsperiode. Det er en lang omstillingsperiode i næringslivet, men det er en kort omstillingsperiode i det tidsperspektivet som klimautviklingen gir oss, og som Stortinget selv har understreket i denne innstillingen. Jeg ber mine medrepresentanter om å tenke nøye over implikasjonene av det de selv har vedtatt. Jeg tar opp de forslagene som vi har lagt fram.

i dag sender sterke, positive signaler til viktige samarbeidsland, både land som står for betydelige utslipp, og land som står for en betydelig del av løsningen på klimakrisen, nemlig land som har store regnskogressurser. Jeg har vært her tidligere i år og redegjort for innholdet i avtalen. Regjeringen har fremmet en samtykkeproposisjon som redegjør for de mekanismer og systemer som legger opp til. Vi har fått et skjerpet temperaturmål, fastslått som en del av formålet i en internasjonal traktat. Vi har fått et globalt utslippsmål om balanse mellom utslipp og opptak i første halvdel av dette århundret, et globalt karbonnøytralitetsmål. Vi har fått et dynamisk system med innmeldinger av nasjonalt fastsatte bidrag hvert femte år, i tråd med prinsippene om progresjon og høyest mulig ambisjon. Avtalen gir oss også anledning til å se det store bildet gjennom globale gjennomganger. Det betyr at vi får anledning til å vurdere kollektiv måloppnåelse. I tillegg har vi fått et styrket rapporterings- og målingssystem. Avtalen legger også stor vekt på samarbeid mellom land og åpner for å bruke markeder. Det er ingen tvil om at verden samlet må øke sin innsats for å kunne nå de ambisiøse målene i Flere land må påta seg klart større forpliktelser hvis 2-gradersmålet skal nås. Norge var sammen med EU blant de første som meldte sitt 2030-mål inn til FN, og vi var sammen med EU blant dem som har det klart høyeste ambisjonsnivået, minst 40 pst. utslippsreduksjon i 2030 sammenlignet med i 1990. Stortinget ber i dag regjeringen legge til grunn at Norge kan oppnå klimanøytralitet fra 2030 gjennom flere mekanismer som komiteen selv peker på. Disse mekanismene vil delvis ikke være tilgjengelig etter Paris-avtalen, delvis vil de neppe kunne anvendes uten at vi gjør oss skyldig i dobbelttelling av utslippskutt, men regjeringen vil følge opp Stortingets vedtak og komme tilbake til Stortinget om dette. Paris-avtalen innebærer økte krav over tid også for Norge, men vi står ikke alene. Da jeg signerte Paris-avtalen på vegne av Norge i New York den 22. april, sto Norge sammen med 174 andre land. Aldri før har så mange land samlet seg om signeringen av en internasjonal avtale den første signeringsdagen. Avtalen vil tre i kraft når minst 55 parter som står for minst 55 pst. av de globale klimagassutslippene, har ratifisert Paris-avtalen. Hittil har 17 parter ratifisert avtalen. Disse står for til sammen 0,04 pst. av verdens utslipp av klimagasser. Det er for det meste små øystater, men også Somalia og Palestina. Med Norges ratifikasjon vil andelen av globale klimagassutslipp mer enn tredobles når det gjelder hvilke som har ratifisert, men vi er langt unna å utgjøre en vesensforskjell. For å nå 55 pst. må også store utslippsland ratifisere. USA, Kina og Brasil er blant de store utslippslandene som forventes å tiltre eller ratifisere avtalen allerede i år. Ytterligere andre land har også indikert at de vil bli en del av avtalen dette året. Til sammen utgjør disse landene over av verdens utslipp av klimagasser. Det Norge kan gjøre, selv om våre utslipp ikke er store i den globale sammenhengen, er å gå i front og mobilisere flere for rask ratifikasjon. I går mottok statsministeren et brev fra FNs generalsekretær med oppfordring til rask ratifikasjon. Stortinget gir et meget raskt svar i dag om Norges vilje til å lede. En rask ratifikasjon vil være viktig i en verden hvor klimadebatten til tider kan være utfordrende. Valgkampen i USA viser at verdenssamfunnets enighet ikke nødvendigvis er urokkelig. Det vil være mye mer omstendelig for landet å tre ut av avtalen etter at den har trådt i kraft. En rask ratifikasjon vil også føre til økt oppmerksomhet og konsentrasjon om implementering av avtalen og dens system. Det mener jeg bør være en hovedprioritet i tiden fremover. Norge er fremoverlent, både nasjonalt og internasjonalt, i arbeidet med å hindre farlige menneskeskapte klimaendringer. Nå har vi anledning til å vise dette enda en gang ved kanskje å bli det aller første industrilandet som ratifiserer avtalen. Vi skal benytte anledningen til å være en pådriver for at flest mulig gjør det raskest mulig, og at flere iverksetter avtalen raskest mulig og øker sine ambisjoner i årene som kommer. Det blir replikkordskifte. Stortinget har gjennom komitébehandlingen bidratt til at det er en nesten samlet komité og

veldig tydelig på at grunnlaget nå er avtalen, og det er også en erkjennelse av hva avtalen faktisk innebærer, at den er global, at den er ambisiøs, og at den er tilstrekkelig til at målet skal framskyndes. I sitt brev til komiteen den 13. juni skriver statsråden at det er kostnadene og konsekvensene for samfunnet som gjør at han er tilbakeholden. Da er mitt spørsmål: Vil det bli mindre kostnader bli mindre kostnader og mindre konsekvenser for samfunnet hvis en utsetter dette vedtaket, eller kan vi tro at det blir rimeligere og mindre konsekvenser for samfunnet hvis en aksepterer tilslutning tidligere? Nå må det i rimelighetens navn sies at jeg anførte flere argumenter. Noe vi skylder å gjøre Stortinget oppmerksom på, er at de mekanismene som komiteen peker på, faktisk ikke er til stede i full grad. grad. Det er vi nødt til å gå mer inn i, det ville ha fortjent en grundigere vurdering. Men vi skal følge opp Stortingets vedtak. Så er det sånn at vi har klimamål for 2030 – 40 pst. utslippsreduksjoner sammenlignet med 1990. Det skal vi gjennomføre sammen med EU, og det dreier seg om vår nasjonale forpliktelse og nasjonale utslippskutt. Klimanøytralitet fra 2030 er det vel ingen som foreslår at vi skal nå bare gjennom utslippsreduksjoner her hjemme. Differansen mellom våre 2030-mål og klimanøytralitet i 2030 dreier seg om internasjonale mekanismer, kvotekjøp og annet, og det er i det landskapet, som ikke er ferdig utformet internasjonalt, at vi må gjøre en grundig jobb fremover. Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget i så måte. Jeg er enig med statsråden i at det er usikkerheter. Det er ting som ikke er klarlagt, det er ting det må jobbes med, og det er helt opplagt sånn at det vil få konsekvenser. Men jeg spurte konkret, og det ville være greit å få et svar: Vil det være rimeligere og mer hensiktsmessig for samfunnet å vedkjenne seg klimaforlikets – skal vi si – stadfestelse av framskyndelse av karbonnøytralitet fra 2050 til 2030 nå enn å vente på det? Det ville være greit for Stortinget å få opplysninger om det. Vi vurderer det dit hen at det vil bli mer kostnader og mer komplikasjoner hvis en utsetter en avgjørelse. Vi mener det er fordelaktig å gjøre det tidlig, og vi har vært utålmodige etter å få den stadfestelsen tidligere. Jeg er veldig glad for at et så bredt flertall i Stortinget nå slutter opp om det, og jeg er forundret over at Høyre, som er en av forlikspartnerne, kanskje ikke vedkjenner seg akkurat det nå. Vil kostnadene øke, eller vil de bli redusert, dersom en venter med en avgjørelse?

økte internasjonale ambisjoner. Når det gjelder kostnadene, er det mange usikkerheter. Et argument for at kostnadene vil være lavere jo tidligere man bruker disse internasjonale mekanismene, er at kvoteprisen antagelig vil gå opp over tid, men her er det altså et landskap som vi har hatt kort tid til å vurdere, og det er derfor ikke noen klare svar på det. Men vi kommer naturlig nok nå, på basis av Stortingets vedtak, til å gjøre en grundigere vurdering av flere forhold, inklusiv kostnadene, men som sagt også hvorvidt mekanismene i det hele tatt vil være

om å komme fram til en enighet om å redusere våre utslipp med 40 pst. fram mot 2030, og denne avtalens form, for nå legger man jo opp til en bilateral avtale. Jeg vil gjerne spørre statsråden: Ville det ikke være enklere, og ville man ikke få en raskere løsning hvis denne enigheten bare ble lagt inn under

Det som er avgjørende for innholdet i avtalen, er politikkutviklingen i EU og konsekvensene det får for Norge, ganske kompliserte prosesser som vi nå jobber intenst med i forkant av kommisjonens fremleggelse av innsatsfordelingsbeslutningen. Så er det noe som taler for at det tidsmessig kunne være mer hensiktsmessig med en EØS-avtaleløsning, hvilket er at det er mulig at en bilateral avtale vil måtte ratifiseres av samtlige EU-land. Det tar erfaringsmessig tid. Men uansett er det veldig viktig å ha klart for seg at om man finner en løsning innenfor rammen av EØS-avtalen, betyr ikke det at noe mer av avtalen blir EØS-relevant. Det vil følge de vanlige prosedyrene, også overfor Stortinget. Jeg er

En rapport fra tyske Öko-Institut viser at EUs mål om 40 pst. kutt i praksis vil reduseres til 34–37 pst. kutt hvis det åpnes for fleksibilitet mellom skog og andre sektorer. Statsråden er kjent med at dette nå er en stor diskusjon i Brussel, og at Stortinget ber regjeringen legge seg på samme linje som Tyskland og Frankrike har signalisert. Jeg lurer på hvordan regjeringen vil følge dette opp overfor EU i de videre prosessene,

peker på at de har mye skog, og at de dermed nærmest har oppfylt 2030-målene allerede. Det er ikke en akseptabel tilnærming. Det er ikke en tilnærming vi deler. Vi er opptatt av at det overordnede ambisjonsnivået ikke skal påvirkes av eksisterende skog og annen arealbruk. Men det som er viktig, og som vil kunne ha til dels betydelig klimaeffekt, er å sikre incentiver til nye tiltak i landsektoren, arealbruk og skog. Der er vår linje i europeisk sammenheng – og vår linje i global sammenheng – at skog som ressurs allerede har en stor betydning og kan få en større betydning ved at man har en aktiv

at det i dag er for tidlig å fastslå hvorvidt andre industriland også vil påta seg store forpliktelser i den nye avtalen. Det mener jeg faktisk er feil. Vi vet at USAs forpliktelser i den nye avtalen kommer nasjonalt bestemt, helt uavhengig av den nye avtalen. Det er Act. Det andre er EUs målsettinger. Men EUs målsettinger fram mot 2030 er jo fastslått uavhengig av Paris-avtalen og ligger der nå, så vi vet allerede at fem av de åtte største industrilandene i verden har knallharde forpliktelser. Hvordan kan han da hevde dette som et argument? Vi vet at de forpliktelsene land har påtatt seg under langt fra er tilstrekkelig for å nå ambisjonsnivået i Paris-avtalen. Det sier avtalevedtaket selv. Så er det riktig at EU og Norge var tidlig ute med å melde inn sine mål. Det var jo nettopp fordi EU og Norge ønsket å vise internasjonalt lederskap og få flere land til å følge våre høye ambisjoner. Det lyktes vi ikke med, men nå er det slik at de endelige målene skal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

og jeg mener at regjeringen egentlig har gitt fra seg en del anledninger til å samle en oppfatning blant folk – i næringslivet, i landbruket, i transportsektoren – om at det nå virkelig er satt et mål. Det er kort til 2030. Det er kortere til 2030 enn det er siden år 2000, og jeg tror folk flest tenker at år 2000 ikke er så lenge siden. Fra vår side er vi opptatt av at vi nå også får oppmerksomheten over på de mulighetene dette skiftet gir. Mulighetene finnes, ikke minst i Norge.

For det andre, havet knyttet til skipsfart: Norge har en lang tradisjon som skipsfartsnasjon, og som verdens 6. største skipsfartsnasjon har vi en unik mulighet til å utvikle maritime næringsklynger til å bli verdensledende på lav- og nullutslippsteknologi. Norge kan gå foran. Vi kan legge til rette for bruk av flytende naturgass som drivstoff, vi kan gå foran og etablere landstrøm i større havner, og vi kan skifte ut fergeflåten gjennom politiske bidrag og vedtak, og

for å utvikle nye bærekraftige løsninger på mange områder hvor Norge har fortrinn, og hvor vi har et ansvar for å ta lederskap for å følge opp denne avtalen. Men muligheter – som innen skipsfart, havvind og industrien – må gripes, ellers blir det tapte muligheter. Dette er en omstilling vi ikke får til kun gjennom pisk, det må også være gulrot, og en optimisme som vårt kompetente arbeidsliv kan bidra med.

Vårt bidrag til verdens CO2-utslipp er omtrent tigangen av de utslippene som vi faktisk innrapporterer, og som faktisk kommer fra fossil bruk gjennom vår eksport av oljeprodukter. En av de tingene jeg også har stilt spørsmål om, og der det blir spennende å se på regjeringens arbeid videre at hvis klimaavtalen virker etter hensikten, vil det få konsekvenser for norsk oljeindustri. Det vil få konsekvenser fordi det vil være den gassen som har plass innenfor en rettferdig måte å hente ut de resterende ressursene på, og innenfor et klimamål der vi sier at vi skal tilstrebe å nå målsettingen om å unngå en temperaturøkning på mer enn 1,5 grader. Dette er de målene vi setter oss, og det vil ha konsekvenser. konsekvenser. Jeg vet at det ikke er klimaministerens gebet, men jeg vil oppfordre regjeringen som helhet til å gå nøye inn og se på hvordan vi som nasjon skal tilpasse oss de endringene som kommer – behovet for økonomisk omstilling osv. – som følge av en forhåpentligvis velfungerende klimaavtale. Jeg påpekte, og jeg mener at regjeringen ikke har gode argumenter for å hevde, at andre industriland ikke vil påta seg store forpliktelser i den nye avtalen, all den tid både USA og EU-landene, som tross alt utgjør en god «bunch», for å si det forsiktig, av industrilandene, nå har påtatt seg forpliktelser. Og jeg mener at vi burde bruke muligheten til å drive

Jeg vil berømme regjeringen for å få til en rask ratifikasjon, men kontrasten mellom det og den fortsatt svært sakte framgangen når det gjelder handling i møte med klimaproblemet, blir jo bare tydeligere på en dag som denne. Det aller viktigste å understreke i dag er at til tross for at Stortinget nå

det løftet Norge tidligere har gitt om framskynding av klimanøytraliteten hvis vi får et mer offensivt internasjonalt regelverk på plass, er en erkjennelse av de framstegene en har tatt og av rekkevidden av de ambisiøse målene verden nå har satt seg. Men Stortinget må jo gjøre mer hvis vi virkelig skal erkjenne hvilke konsekvenser det vil ha for Norge. Norge. Det har blitt veldig tydelig i debatten om 23. konsesjonsrunde. Det var mange flakkende blikk både fra flertallet i denne salen og fra olje- og gassnæringen da spørsmålet om hva det nye klimamålet og Paris-avtalen vil ha å si for våre næringer, kom på banen. Ingen kunne svare på det. Det er riktig at vi må satse på havvind, det er riktig at vi må ha en stor satsing på nullutslippsteknologi, og det er ikke minst viktig at vi kommer raskt i gang med det grønne skiftet innenfor de maritime næringene. Men alt dette må kombineres med en ærlig og åpen debatt og et annet politisk mot når det gjelder vilje til å gjøre Norge mindre avhengig av olje og gass. Det er ingen tvil om at det nye klimamålet også vil få konsekvenser for vår olje- og gassektor. Det vil få konsekvenser for hva slags prosjekter som vil lønne seg i framtiden, hvor det er mulig å utvinne olje og gass. Derfor er det et problem at Stortinget ratifiserer denne avtalen mens det politiske flertallet fortsetter å flakke med blikket i møte med den mest alvorlige utfordringen avtalen gir oss, nemlig hvor lenge vi kan fortsette med vår store avhengighet av olje og gass. Og det er min oppfordring til klima- og miljøministeren at han bruker sin innflytelse til å få en gjennomgang av det temaet. Det er helt nødvendig i oppfølgingen av vedtaket. Debatten har jo vært forholdsvis rolig, og det er

heftet med en del usikkerhet. Det er nye skritt som må gås, det er nye avgjørelser som må tas. Det er, som representanten Lysbakken sa, nye skritt som må tas fra de landene som har forpliktet seg. Det gjelder jo på en rekke områder at de skrittene må tas, og som det også er ganske naturlig at en må ta når det gjelder spørsmålet om Og jeg mener det er ganske naturlig for dem som var en del av klimaforliket i 2008 og 2012, å erkjenne Paris-avtalen og hylle Paris-avtalen og det vendepunktet som ligger der, ved å erkjenne også de forpliktelsene og det som ligger i klimaforliket om at en skal fremskynde karbonnøytralitet fra 2050 til 2030, når det er en internasjonal ambisiøs avtale som ligger på bordet. Når ikke vi gjør det, så synes jeg vi underkjenner Paris-avtalen og dens betydning, og jeg synes også at vi på en måte setter strek over det som var klimaforlikets klare forutsetning i 2008 og i 2012 når det brede flertallet i Stortinget vedtok det. Derfor synes jeg oppriktig det er synd at Høyre, spesielt, som en av forlikspartnerne velger ikke å være en del av det vedtaket som vi gjør i dag. Og jeg synes det er helt opplagt, det skinner igjennom, at det er kostnadene som er begrunnelsen for at vi ikke skal være med. Men det vil kreve handling, det vil kreve penger, det vil kreve at en møter usikkerheten og prøver å løse opp i det i fortsettelsen. Det er ingen som sier at det er fritt fram, men det kreves et stykke arbeid av dem som skal gjennomføre dette vedtaket. Jeg er glad for at statsråden sier at han lojalt vil følge opp vedtaket, men jeg hadde faktisk forventet at ikke minst Høyre, som et ansvarlig parti og som en del av klimaforliket, hadde brukt anledningen nå til å hylle Paris-avtalen og den jobben som er gjort, ved også å framskynde målet fra 2050 til 2030. Jeg synes det er synd at de velger ikke å gjøre det. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 1. Etter ønske fra kirke-, utdannings- og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

I 2009 foretok nemlig daværende kunnskapsminister, Kristin Halvorsen, en presisering av regelverket som medførte at mange skolers tidligere praksis med en 15 pst. fraværsgrense ble stoppet. Fraværsproblematikken i videregående skole i etterkant har vakt debatt og engasjement når den har stått på dagsordenen, og ikke minst frafallet fra videregående skole har vært diskutert.

2015. Av de 357 høringssvarene ga 70 pst. støtte til innføring av en fraværsgrense, og blant dem som ga størst oppslutning, var lærere og skoler som hadde sendt direkte høringssvar. Nærmere ni av ti lærere og sju av ti skoler som uttalte seg, støttet opp under dette prinsippet. Derfor ble også denne forskriften fastsatt allerede 18. juli 2015.

kultur. Helse- og velferdsgrunner inkluderer både time i barne- og ungdomspsykiatrien, omsorgsoppgaver for egne barn, sykdom som etter sin art gjør det vanskelig eller lite hensiktsmessig å oppsøke lege, psykolog, helsesøster, fysioterapeut osv. i hvert enkelt tilfelle. Her kan rektor avgjøre om det er tilstrekkelig med egenmelding i kombinasjon med annen dokumentasjon, som kan være erklæring fra en sakkyndig som godtgjør at eleven er oppmeldt i et team eller er under utredning eller oppfølging for en udiagnostisert sykdom. Elever som er medlemmer av andre trossamfunn enn Den norske kirke, kan få unntatt inntil to dager knyttet til en religiøs høytid. Fravær som skyldes forhold som ligger utenfor elevens kontroll, f.eks. stans eller forsinkelser i kollektivtrafikken, kan av rektor avgjøres ikke å telle med som fravær. I tillegg kommer avtalt selvstendig studiearbeid eller andre, tilsvarende, avtaler man gjør med lærer. Det er med andre ord allerede lagt opp til god fleksibilitet ute på den enkelte skole, og det vil være naturlig å bringe dette med seg inn i det videre arbeidet med en ny fraværsgrense. Det er også viktig å minne om at fag- og timefordelingen er i klokketimer, og at skoletimer på 45 minutter vil medføre en omregning. Det faget med færrest årstimer i videregående skole er dermed på 74 skoletimer, noe som medfører at en elev må være borte i åtte enkelttimer på 10 pst. eller tolv enkelttimer på 15 pst. for å passere fraværsgrense. Det tilsvarer henholdsvis fire og seks uker med fravær for å passere grensen for udokumentert fravær. Så kommer i tillegg det som kan dokumenteres. Det er også greit å ha med seg som refleksjoner under debatten. Aftenposten kunne for kort tid siden dokumentere at enkelte klasserom i Oslo sto halvfulle tidlig på morgenen. Det er ikke Det handler om respekten for medelever, som fortjener et godt klassemiljø. Det handler om respekten for lærerne, som møter forberedt til undervisningen i håp om å gi mest og best mulig påfyll til den enkelte elev med et godt tilpasset undervisningsopplegg, og der halvfulle klasserom gjør det vanskelig å drive god undervisning. Historier om elever som forventer nye prøver for å bevise sitt faglige nivå, eller som trenger repetisjon for å henge med i den faglige progresjonen, medfører ekstra ressursbruk for skolen for lærerne, ressurser som godt kunne vært med på å gjøre undervisningen bedre. Fravær uten en god grunn er derfor ikke greit. Jeg er derfor veldig tilfreds med at flertallet i komiteen nå gir en klar melding til kunnskapsministeren og slår fast at man støtter prinsippet om en nasjonal fraværsgrense. Dette er helt i tråd med ønskene fra lærerne

elever som sliter. I tillegg er det fare for at det kan bli oppfattet som en kvote for akseptabelt fravær. Vi har fått mange eksempler som viser at elever med uklare diagnoser og psykiske problemer kan miste vitnemålet fordi de ikke kan dokumentere gode grunner for å være borte fra undervisningen. Det er noe av bakgrunnen for at flertallet på Stortinget, samtlige partier med unntak av regjeringspartiene, sier nei til regjeringas 10 pst.-grense for fravær i videregående opplæring. Kunnskapsministeren får i stedet i klart oppdrag å snakke med sektoren og foreslå et nytt regelverk. Samtidig setter flertallet noen klare rammer for det videre arbeidet. Jeg oppfordrer både regjeringspartiene og kunnskapsministeren til å lese disse merknadene nøye. Flertallet sier at et regelverk for fravær for det første må stimulere til økt gjennomføring, det må gi rom for å fullføre for elever som sliter, det må ikke bidra til unødvendig byråkrati, og det må gi rom for fleksibilitet og skjønn for skolene. I tillegg sier flertallet at man bør ha reaksjoner mot alt ugyldig fravær. Det holder ikke å sette inn én enkelt sanksjon først når man har nådd en absolutt og statisk prosentgrense. Dersom elevene har litt fravær på høsten, bør de følges opp med én gang, og skolene må ta tak i dette og komme med reaksjoner lenge før eleven nærmer seg 10 pst., 15 pst. eller en annen prosentgrense. Disse føringene må kunnskapsministeren jobbe etter. Så har et annet flertall, fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet, sagt at man er positiv til et forsøk med nasjonal grense for fravær basert på disse føringene fra Stortinget. Hele komiteen står samlet bak at det skal være følgeforskning knyttet til nytt regelverk som skal evalueres nøye tre år etter innføringen. Arbeiderpartiet mener at dette er en mye bedre løsning enn det regjeringa la fram. Kunnskapsministeren får her fire klare beskjeder: for det første at en rigid 10 pst.-grense er død og begravet, for det andre at han må gå i dialog med sektoren og se på nytt regelverk basert på føringer Stortinget har gitt, for det tredje at statsråden har mulighet til – men absolutt ikke er pålagt – å innføre en nasjonal fraværsgrense som skal evalueres etter tre år, og for det fjerde at et regelverk eller en grense ikke er nok, det må også komme andre tiltak mot fravær og frafall.

Til slutt: I denne saken har det vært flere diskusjoner mellom ulike flertall i komiteen, og man har kommet fram til en løsning i komiteen. Det har ikke gjort arbeidet enklere at vi har hatt en statsråd som har gått rundt og ment sterkt hva komiteen skulle gjøre. Det gjør det ikke enklere å komme fram til et kompromiss når han velger å henge ut en eller flere av partene man faktisk trenger for å få flertall. Arbeiderpartiet har ment og sagt det samme hele veien, det samme hele veien, nemlig at Arbeiderpartiet er imot alt ugyldig fravær. Vi er åpen for en fraværsgrense, men mot regjeringas modell. Det sa vi da vi hadde gruppemøte og avviste 10-pst.-grensa, det sa vi dagen etterpå, det sa vi da komiteen la fram innstillinga, og det sier vi i dag. At kunnskapsministeren på sin side anklager Arbeiderpartiet for å snu 180 grader og si nei selv om man er for, for å ri to hester samtidig og sabotere arbeidet med grenser, bidrar ikke til en løsning. Vi merket oss at dette står i kontrast til det Høyres Henrik Asheim sa til NRK den dagen komiteen la fram innstillinga. Dette handler ikke om at Arbeiderpartiet har snudd, men om at vi nå har funnet sammen. Med det håper jeg at Høyre nå er enig med seg selv og slutter å vingle – om de anklager andre for vingling eller ikke.

fravær. Derfor er jeg i dag veldig glad for at Høyre og Fremskrittspartiet i siste liten kom fram til enighet med Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Fremskrittspartiet mener at skolen må være tydelig på at fravær uten gyldig grunn ikke er greit. Det er det tydeligvis også mange flere som mener. Innføring av nasjonal fraværsgrense har stor støtte blant foreldre, lærere, rektorer og generelt i befolkningen. Fremskrittspartiet mener at dersom en fraværsgrense på f.eks. 15 pst. blir innført på landsbasis i en prøveperiode på tre år – og ledsages av følgeforskning – er det en modell som imøtekommer innspillene fra både elever og lærere. En slik modell vil sikre at vi får bredere dokumentert kunnskap om hvordan fraværsgrensen påvirker elevenes tilstedeværelse på skolen. I forlengelsen av dette mener Fremskrittspartiet at rektor i særskilte tilfeller skal kunne bestemme at enkeltelever kan få standpunktkarakter i et fag

som ventet på utredning fra sakkyndig, eller elever med kronisk sykdom ville få mulighet til å ta eksamen på grunn av for høyt fravær som var vanskelig å dokumentere. Regjeringspartiene er derfor positive til at regelverket kan tydeliggjøres for å ivareta sårbare elevgrupper. Høyre og Fremskrittspartiet er i egen merknad tydelig på at rektor kan avgjøre unntak fra grensen ved at eleven har egenmelding i kombinasjon med annen dokumentasjon. dokumentasjon. Vi har stor tillit til at statsråden og regjeringen følger opp dette. Fremskrittspartiet vil påpeke at vi allerede i dag vet en del om effektene av fraværsgrenser. Ifølge tall fra Oslo forsvinner en hel måned av skoleåret i fravær. Fraværsprosenten er på over 10 pst. og har stadig økt siden SV fjernet fraværsgrensen i 2009. Fremskrittspartiet vil ha fraværsgrenser, men vil samtidig be regjeringen intensivere innsatsen mot fravær og sørge for sterkere oppfølging av elever i videregående opplæring – herunder en plikt for skolene til oppfølging av elever. Det viktigste skolen kan gjøre for elever som sliter, er å sikre lærernes og helsepersonells mulighet til oppfølging samt et godt undervisningsmiljø som bidrar til skolemotivasjon. Her satses det fra regjeringens side allerede på skolehelsetjenesten, men en tydelig og uttalt fraværsgrense vil også hjelpe på dette. Det er fullt mulig at noen elever kan komme seg godt gjennom skolen med å komme for sent til undervisningen og ha stort fravær. Men vi skal huske at skolen ikke bare skal utdanne elevene, den skal også være dannende og forberede dem på voksenlivet. Det innebærer bl.a. å lære at valg har konsekvenser. I dagens system lærer elevene seg at møteplikt ikke er så viktig. Dette får følger for dem både i skolen og ikke minst senere når de skal ut i arbeidslivet. Hvordan skulle det gått med norsk produktivitet og verdiskaping om norske arbeidstakere var borte fra jobb en hel måned? Fremskrittspartiet vil minne om at elever i videregående skole i Norge er svært heldige. De får gratis Vi i Fremskrittspartiet mener eleven har en selvstendig plikt til å gjøre det beste ut av dette, av hensyn både til seg selv, til klassemiljøet, til læreren og til foreldre og resten av samfunnet. At elevene er til stede i timene, er en forutsetning for produktivitet og læring. Voksne mennesker i arbeidslivet lever med krav om oppmøte på arbeidsplassen. Det tror vi sannelig at norske skoleelever også lever fint med, og vi er glade for at det nå kommer på plass et regelverk på Tanken bak en fraværsgrense er ikke først og fremst at det skal være et ris bak speilet. Det viktigste med en fraværsgrense er at man lettere kan fange opp elever, kartlegge hva slags problemer de eventuelt har, og iverksette tiltak. Høyt fravær og i verste fall «drop-out» fra skolen er et problem og leder i ytterste konsekvens til utenforskap senere i livet. Dette må vi bekjempe – for både samfunnets og den enkeltes beste.
Neste taler er

flertall for at vi skal ha en nasjonal fraværsgrense som et forsøksprosjekt. Vi er egentlig enige om ganske mye på tvers av alle partigrenser i denne saken. Vi er enige om at vi skal ha ned fraværet. Vi deler bekymringen om at fraværet er for høyt. Vi er enige om at vi skal stille krav til elevene. Når vi gir elever rett til utdanning, må vi også kunne forvente at de møter opp og er til stede når undervisningen foregår.

tapt. Da tror jeg det ville blitt en tung jobb å skulle motivere denne eleven til å møte på skolen og fortsette å delta i undervisningen. Da er jeg redd for at veien til frafallsstatistikken ville blitt veldig kort. Derfor var regjeringens regelverk for rigid. Det kunne fått alvorlige konsekvenser, og det kunne virket mot sin hensikt. Jeg vil derfor takke SV som har tatt denne saken til Stortinget. Det er ikke ofte Stortinget griper inn og stopper en forskrift fra regjeringen, men i denne saken var det nødvendig. Nå ber Stortinget regjeringen om å gå i dialog med sektoren for å utarbeide et nytt fraværsreglement for skolen. Det må bli et reglement som er mer smidig, mer fleksibelt og som tar høyde for at det kan være mange forskjellige årsaker til at en elev har et høyt fravær i perioder. Det er ikke alltid så veldig lett å skulle dokumentere de årsakene. Vi må ha et reglement som legger til rette for at elever skal kunne gjennomføre, og som hjelper elevene med å komme tilbake. Når en elev av en eller annen årsak er borte fra skolen, er det kanskje støtte og hjelp mer enn straff som trengs. trengs. Jeg tror at det å ha en viss mulighet til å utøve skjønn også vil være viktig. Nå har kunnskapsministeren tidligere vært veldig kritisk til bruk av skjønn og argumentert for at det er behov for å ha et firkantet regelverk for å sørge for at det blir likt praktisert over hele landet. Men når det gjelder ungdom som har et eller annet problem, en eller annen utfordring i hverdagen sin, som er grunnen til at man kanskje ikke finner det mulig å møte på skolen, tror jeg at det å ha et rom for skjønn ikke er så dumt likevel. Jeg vil gjenta at Kristelig Folkeparti ønsker et tydelig fraværsreglement i skolen, men jeg vil også understreke at det viktigste vi kan gjøre for å redusere fraværet, er å jobbe med de bakenforliggende årsakene til fravær. Da må vi jobbe forebyggende. Derfor er jeg glad for at Kristelig Folkeparti i budsjettforhandlingene i fjor høst fikk gjennomslag for å styrke skolehelsetjenesten og øremerke midler til det formålet, og jeg er glad for at vi i forrige uke fikk gjennomslag for en forpliktende opptrappingsplan for psykisk helsearbeid blant barn og unge. Vi må jobbe kontinuerlig med å skape trygge og gode læringsmiljøer, med å bekjempe mobbing og med å gjøre skolen til et sted hvor det er både trygt, interessant og motiverende for elevene å være. være. For å si som SkoleProffene, som var til stede på høringen, fra Forandringsfabrikken sa: Vi må gjøre skolen til et sted hvor det er trygt å være, ikke til et sted det er skummelt å være borte fra. Fraværsgrense har vært et hett tema denne våren. SV har fortjenestefullt tatt saken til Stortinget, og

til innføring av en fraværsgrense. Regjeringa har derfor bommet i denne saken, sjøl om regjeringspartiene underveis i behandlingen av saken og i ettertid forsøker å framstille en instruks fra Stortinget som en seier. Senterpartiet satt i regjering da presiseringen rundt fraværsgrense ble gjort i 2009. Årsaken til at det ikke ble innført en nasjonal grense den gangen, var bl.a. ikke å godkjenne en såkalt fri-pott med fraværsdager til elevene, altså at en konsis grense ville gi elever fritt fram til å ta seg fri en del av undervisningstiden. Dette er også fortsatt en fare ved reglene regjeringa nå skal utforme. Derfor er det veldig viktig å følge med på akkurat dette, og jeg ber kunnskapsministeren spesielt om det. Erfaringene etter 2009 har dessverre vist at fraværet har økt. Senterpartiet mener det er bekymringsfullt og noe vi som utdanningsmyndigheter ikke kan se bort fra. Stiller vi en plass til disposisjon i videregående skole, forventer vi at eleven bruker skoleplassen aktivt. Senterpartiet hadde helst sett at vi ikke hadde behov for et nasjonalt regelverk for fravær, men vi har likevel valgt å gå inn for å prøve ut det i tre år og evaluere og evaluere det. Vi registrerer at en samlet komité, fra SV til Fremskrittspartiet, mener det samme. Stortinget utformer nå ikke forskriften, som tidligere nevnt, men vi gir sterke føringer for utformingen til statsråden. Tilbake til vedtaket om 10 pst. fravær: Senterpartiet mener, i likhet med en rekke lærere, elever og andre, at dette var en for firkantet grense. Vi har fått mange henvendelser fra fortvilte foreldre

at en ikke får vurdering i faget, uansett om de faglige prestasjonene er 6 på alle prøver. Oppmøte vil aldri definere elevenes kognitive kunnskaper, men sier noe om aktivitet og deltakelse. For disse elevene er ikke en fraværsgrense et ris bak speilet som vil motivere til oppmøte, men en bekreftelse på et nederlag som kan ende med en tom skolepult, som i neste omgang kan bli byttet ut med en plass i Nav-køen. Hva er Vi er derfor glad for at regjeringspartiene sjøl, når saken kom til Stortinget, har innsett at 10 pst. og ikke noe skjønn for rektor er altfor rigid og vil virke mot sin hensikt. Det er viktig at vi politikere skjønner at verden ikke er svart-hvit, og at det ikke er noen regler som klarer å ta høyde for alle forhold. Derfor har det vært så viktig for komiteen i merknader å påpeke bl.a. at rektor må gis mulighet for skjønnsutøvelse. Senterpartiet mener at modellen som Utdanningsforbundet har skissert, kan være en vei å gå, og jeg registrerer at regjeringspartiene har antydet det samme. Det er imidlertid viktig at departementet går i dialog med sektoren, KS og helsetjenestene, slik komiteen ber om. Senterpartiet vil sterkt advare om at fraværsregimet kan resultere i økt byråkrati. byråkrati. Derfor er det også veldig viktig at det blir enkle og effektive systemer som ikke bruker opp verken lærernes eller helsevesenets tid til å skrive unødvendig dokumentasjon for fravær. Det er viktigere at denne tida brukes på det den skal: «generasjon perfekt» sine utfordringer med å skjønne at de er gode nok og bra nok, men at vi forventer noe av dem, og at skolen er til for
Neste taler er representanten

protest. Flere høringsinstanser har kritisert regjeringen og kunnskapsministeren for den rigide grensen som det var lagt opp til. Det er få som tviler på at en fraværsgrense på 10 pst. vil kunne disiplinere en del av dem som har ugyldig fravær. Problemet er imidlertid at det vil ramme så mange flere. Grunnene til at ungdom er borte fra skolen, er mange og varierte. Noen av dem har ikke lyst til å møte til undervisningen, noen føler de Noen av dem har ikke lyst til å møte til undervisningen, noen føler de ikke møter nok utfordringer i skolehverdagen, mens andre sliter med komplekse psykiske utfordringer. Det er ikke alltid så lett for ungdom å dokumentere forbigående depresjon, og det bør finnes andre måter å håndtere frafall knyttet til udokumentert fravær grunnet psykiske utfordringer på, enn å true med å ta fra eleven

Ikke alle som er borte fra skolen en dag, skal måtte trenge en diagnose. Noen ganger har ungdom, som alle andre folk, en dårlig dag. Så er det vel også slik, som alle vet, at det å være ung kan være kjipt og vanskelig i perioder, men det betyr ikke nødvendigvis at man har en sykdom. I dag har vi en regjering som er opptatt av enkeltindividets ansvar og egenart. Likevel setter den planlagte fraværsgrensen alle elever i samme Den gir heller ingen mulighet for elevene til å snu trenden – har man først et fravær som bikker 10 pst., er det ingenting man kan gjøre for å få standpunktkarakter i det gitte faget. Dette kan på ingen måte motivere elever som f.eks. har mye fravær knyttet til rus i begynnelsen av året, men som møter på skolen framover og jobber hardt. Vi er allerede for dårlige til å utjevne forskjeller i den norske skolen. Fraværsgrensen går ut på å luke ut de svakeste elevene, og skolen kan ikke være et sorteringssystem hvor vi luker ut de svakeste og lar de sterkeste stå igjen. Venstre mener også at de viktigste tiltakene er de som kommer før en eventuell grense for fravær er nådd. Det er mye viktigere å snakke om hva vi kan gjøre for å forhindre at elever har et fravær på f.eks. 10 pst., enn hva som skjer når den grensen er passert. Vi trenger en skole som gir næring til elevers og ungdommers nysgjerrighet og kreativitet, ikke en som kveler nysgjerrigheten og kreativiteten. I tillegg er det viktig at vi har på plass gode sikkerhetsnett for dem som sliter. Flere helsesøstre og skolepsykologer har lenge vært viktig for Venstre, og det er enda viktigere for dem som trenger oppfølging, eller bare trenger noen å snakke med.

Men jeg er glad for at flertallet nå, etter at vi har gått gjennom denne prosessen, peker på en grense på 15 pst. som er litt mer fleksibel enn den statsråden først la opp til. Og så er jeg glad for at flertallet er tydelig på at det skal forskes og evalueres, for i denne debatten har vi ganske lite konkret å forholde oss til. Det er mye synsing både fra de som er for en grense, og fra oss som ikke ønsker en sånn rigid grense. rigid grense. Det skal bli interessant å se hva det er som faktisk får elevene til å være på skolen. Er det grensen i seg selv, eller er det de tiltakene vi setter i verk for å holde elevene på skolen? Jeg det handler mer om tiltakene vi setter i verk for å holde elevene der enn grensen i seg selv. Men jeg håper at det er en av de tingene vi kan finne ut når det skal forskes og evalueres på dette, sånn at neste gang vi har denne debatten, tar man den på grunnlag av kunnskap og forskningsresultater og en solid evaluering – ikke bare på synsing og politisk
Neste taler er representanten

Målet om å redusere udokumentert fravær fra undervisningen er noe alle partier deler. Ingen elever får den undervisningen de trenger uten å være til stede i klasserommet. Spørsmålet er om en statisk og rigid grense er et godt virkemiddel for å sikre flest mulig elever en god videregående opplæring. Den største utfordringen i videregående opplæring er frafallet – det frafallet – det at så mange norske ungdommer ikke klarer å fullføre et utdanningsløp. Frafall gir den enkelte et utrolig mye dårligere utgangspunkt i arbeidslivet. Det høye frafallet er et samfunnsproblem, og vår frykt knyttet til det rigide forslaget til statsråden har vært at det ville bli enda en frafallsfelle. Ofte er det veldig komplekse årsaker til høyt fravær. Det kan handle om motivasjon, om mistrivsel, det kan handle om psykiske problemer, det kan handle om en vanskelig familiesituasjon – alt dette fikk komiteen belyst i de sterke bidragene i høringen, f.eks. fra Forandringsfabrikken, Blå Kors og Organisasjonen Voksne for Barn. Veien til økt gjennomføring for de elevene som har det tøffest i skolehverdagen, er ikke en rigid fraværsgrense, men en helhetlig politikk for nærvær, for motivasjon, for livsmestring og for tilrettelagt undervisning i skolen. Elever som sliter skal ikke gis opp, de skal følges opp. I tillegg til et sterkt engasjement fra elevene selv, var det på bakgrunn av veldig mange henvendelser fra lærere, rektorer og skoleforskere at SV fremmet dette forslaget i Stortinget. De var veldig bekymret for hvordan en ny fraværsgrense ville slå ut for dem som har det tøffest i skolen. Jeg er veldig glad for at Stortinget nå stopper det rigide forslaget til statsråden. Det er kunnskapsministerens eget ansvar at han utformet en forskrift om fraværsgrense som utløste konflikt på nok et område i skolen. Og høringen bekreftet med all tydelighet behovet for å se på denne saken på nytt. Utdanningsforbundet skrev f.eks. i sin høringsuttalelse at fraværsgrensen som regjeringen har vedtatt, er for streng og for lite fleksibel. Det kom slakt fra kommunene, og de som jobber med de mest sårbare ungdommene advarte oss veldig sterkt. Det er derfor vi har formulert vårt forslag i to ledd. Den ene delen handler om å stoppe regjeringens rigide forslag, og det andre om å gå i dialog med sektoren om et bedre regelverk. Også jeg erkjenner at det er dilemmaer Det finnes noen elever som statsrådens forslag ville kunne virket godt for. Noen elever trenger et tydelig signal fra samfunnet om at vi forventer at de møter opp. Noen vil kanskje møte mer opp gjennom en sånn rigid grense som var foreslått. Men vi må veie det opp mot det utrolig viktige hensynet vi har til å skape en mer inkluderende skole for dem som har det vanskeligst, og å stoppe frafall. Det veier tyngst for oss. Det er ingen tvil om, mener jeg, at regjeringen risikerte å øke frafallet i videregående skole Nå mener jeg at kunnskapsministeren må bruke god tid på utformingen av et nytt regelverk og komme tilbake med noe som gjør at Stortinget slipper å gripe inn på nytt. Det er i hvert fall jeg beredt til å gjøre hvis vi enda en gang får et forslag uten de nødvendige ventilene som gjør at man kan bruke fornuft og skjønn for å kunne ta vare på de elevene som sliter mest. Jeg registrerte at saksordføreren fra Høyre sa han var veldig tilfreds med dette som nå skjer i Stortinget. Det må kunne kalles et rimelig tydelig uttrykk for det «spin» som politikere ofte blir beskyldt for å drive med. Her har Høyre og statsråden gått på et dundrende nederlag, og det nederlaget må Høyre ta ansvaret for selv, fordi man har gjort et dårlig politisk håndverk og latt være å ta hensyn til de skolen. Hvis vi bryter gjennom «spin»-et fra både Høyre og Arbeiderpartiet i denne saken, står vi igjen med følgende: Det var nødvendig å stoppe dette forslaget. Jeg vil takke de partiene som har bidratt til det, ikke minst Kristelig Folkeparti og Venstre, som hadde mot til å krysse blokkgrensen. Det som skjer i dag, er at Stortinget tar ansvar og fatter et helt nødvendig vedtak for norsk skole.

Det er frivillig å begynne i videregående opplæring, men når man først har takket ja til en skoleplass, har man en plikt til å møte opp til undervisningen. Jeg vil si at oppmøtet har en verdi i seg selv. Det handler om respekt for skolen, det handler om respekt for læreren, og det handler om respekt for medelever. Og så handler det om I tillegg er elevenes oppmøte helt sentralt for å kunne realisere faglige mål, for å skape et godt læringsmiljø og ikke minst som et middel for at læreren skal ha grunnlag for å vurdere elevens kompetanse. Lærerorganisasjonene har vært veldig tydelige i denne saken, både da forslaget var ute på offentlig høring i fjor, og i komiteens høringsrunde. Utdanningsforbundets leder har vært tydelig på at norsk skole trenger en fraværsgrense. Det samme har Lektorlaget, som sier at «har for mange dårlige erfaringer med dagens ordning og ser med bekymring på at relativt mange faglærere føler seg presset til å sette standpunktkarakter på mangelfullt grunnlag». Lærerorganisasjonene, Skolelederforbundet og Foreldreutvalget for grunnopplæringen er blant dem som er tettest på elevene, og de støtter alle en fraværsgrense. Jeg synes derfor det er bra at flertallet i komiteen sier at det kan innføres en fraværsgrense i videregående opplæring.

Det er hensyn som skal balanseres både for lærerne, skolene og elevene. Det skal vi se på sammen med partene i sektoren. Jeg skal også gå i gang med å følge opp ønsket om at innføringen av en fraværsgrense ledsages av følgeforskning, slik at vi etter tre år får et godt grunnlag for å evaluere og også eventuelt revurdere fraværsgrensen.

og da er det ganske naturlig at regjeringspartiene er konstruktive og forsøker å finne et forlik, slik de har klart med Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Men også regjeringspartiene i Stortinget er inne i innstillingen med egne merknader som de er alene om, der de peker på at det er behov for endringer i forskriften, ved at rektor må gis mulighet til å utøve skjønn. Mitt spørsmål er om statsråden er enig med regjeringspartiene på Stortinget i at det var behov for å gjøre endringer i forskriften. Først: Lærerorganisasjonene har vært veldig tydelige på at de ønsker en fraværsgrense. Det merket man også da spørsmålet ble om vi skulle ha en fraværsgrense eller ikke. Så er det helt riktig at Utdanningsforbundet ønsket seg en Både Norsk Lektorlag og Skolelederforbundet sa også at 10 pst. var en bra fraværsgrense, så der har det vært delte meninger. Men at det skulle være en fraværsgrense, var helt klart. I den forskriften, og ikke minst i rundskrivet som fulgte med den, lå det også inne skjønn med den grensen som vi foreslo. Det som ikke lå der, var en helt generell skjønnsbestemmelse som gjorde at man helt kunne sette til side omstendigheter. Det er en vanskelig vurdering – for å være helt ærlig – for på den ene side er det fornuftig med skjønn fordi det noen ganger kan være nødvendig. På den annen side gjør det også at man kan få forskjellsbehandling mellom elever fra skole til skole, og det kan skape mer byråkrati. Men jeg er veldig komfortabel med merknadene som regjeringspartiene har i denne saken. Stortingets flertall har nå lagt en god del føringer i merknadene som flertallet er

sektoren. Det jeg lurer på, er hvordan kunnskapsministeren vil jobbe for å følge opp disse føringene, og for å sikre at man har en god forankring hos elevene, hos lærerorganisasjonene og hos KS, som er skoleeier? Jeg synes det er en veldig viktig ting som flertallsmerknaden, som representanten Henriksen viser til, får frem. Det er at ikke noe fravær i skolen er greit hvis man ikke har grunn til det. det. En fraværsgrense må oppfattes ikke som et klarsignal til å være borte 5-10-15 pst. av tiden, men nærmest som en slags toleransegrense, som man også har i andre deler av samfunnslivet, rett og slett fordi at i praksis er man nødt til å ha noe rom for å kunne være borte på grunn av sykdom f.eks. Det er vanskelig å slå ned på alt udokumentert fravær fra første time, i hvert fall hvis man skal ha den reaksjonen at man ikke får vurdering i faget. Jeg kommer så raskt som mulig til å invitere partene i Skole-Norge til et møte om denne saken. Men så må vi også være klar over at forankring ikke alltid betyr at alle blir enige. Her er det klare motsetninger. Lærerorganisasjonene og skoleorganisasjonene ønsker en fraværsgrense. Elevorganisasjonen har vært klar på at de ikke ønsker det. Men det kan hende man kan få en fraværsgrense som flere vil se mildere på. Denne saken har vist at det er ikke sånn at selv om man er for en fraværsgrense, er man for en hvilken som helst fraværsgrense. Den må være fornuftig utformet. De innvendingene som kom etter at statsråden la fram saken, kan ikke bekymringer for elever som sliter, hva som kunne og ikke kunne dokumenteres, mangel på skjønn, eller faren for at noen kunne tolke en grense som et akseptabelt fravær opp til en viss grense. Det er innvendinger som har vært framme langt tidligere i prosessen. Dette er noe statsråden burde trekke lærdom av. Det er ikke den første saken der statsråden har fått sterke innvendinger mot forslagene sine, og at Stortinget har

sektoren. Dette har vært på høring i alle mulig tenkelige former. Det har vært en av de mest besvarte høringene i Utdanningsdirektoratets historie. Det har ikke vært noen mangel på innspill, runder eller prosesser rundt denne fraværsgrensen. Men så er det helt riktig som representanten sier, at det ikke er sikkert at det er mulig å lage en grense som ivaretar absolutt alle hensyn samtidig. La meg bare ta ett eksempel: Skolelederforbundet har vært opptatt av at det ikke skal føre til unødig byråkratisering for den enkelte rektor. Jo mer skjønn man åpner for, jo mer byråkratisering vil det føre til for ledelsen på skolen. Det er en balansegang. Så samtidig som vi selvfølgelig må ha åpne prosesser – det har det vært, høringer hvor vi lytter, ja – må man på et eller annet punkt våge å ta noen beslutninger. Det er det det handler om å være statsråd – å ta noen beslutninger. Vi etablerte en fraværsgrense som fikk stor støtte i sektoren. Nå ber Stortinget oss om å komme tilbake med en fraværsgrense i en litt annen form. Det skal vi også gjøre. Hvis vi skal på en måte minimere denne debatten, tror jeg hele Stortinget er enige om at vi ønsker ikke skulk. Det er det som er den tabloide overskriften. Alle disse unntakene er vel og bra, og vi ønsker å ta vare på dem med psykiske problemer, osv. Det som er utfordringen, som vi løser verken med 10 pst. eller med 15 pst., er dette skulket, som vi vil til livs. Hvis vi i dag setter en grense på 10 pst., så vil jo det på en måte gi elevene en tillatelse til å være borte i 10 pst. av timene. Ser statsråden den problematikken? Og hvordan mener statsråden at vi skal jobbe med akkurat den problemstillingen? Jeg ser problematikken, og det er en av grunnene til at man bør tenke veldig nøye gjennom hvor høy en fraværsgrense skal være, eller hvor lav den skal være. Hvis man setter den for høyt, kan det bety at for mange kan være borte for mye udokumentert, altså at det ikke kan dokumenteres. Så mener jeg det er en utrolig viktig understrekning, som i og for seg ikke er noe nytt, at alt fravær som er udokumentert, er feil. Det er ikke sånn at det er greit å være borte 5 pst., eller 2 pst. eller 1 pst. hvis man ikke har noen grunn til det. Alt fravær er i utgangspunktet, hvis det ikke er dokumentert, ikke akseptabelt. akseptabelt. Så går det ikke an å ha så strenge sanksjoner for 2 pst. fravær som det går an å ha for 15 pst., eller for 10 pst. fravær, men skolene kan jo f.eks. gjennom ordensreglementet sitt være tydelig på hva slags reaksjoner det får å være borte. Det er noe som vi også skal se på – om det er noe vi kan gjøre enda klarere for skolene, og hvilke virkemidler de har å bruke.
Det jeg var ute etter å få statsråden til å si noe om, var dette med tidlig oppfølging, for det er jo noe som vi kan be skolene om. om. Hvis vi ønsker at de ikke skal gi den fripotten, så skal det være tidlig innsats fra skolens side, f. eks. på 2 pst. fravær, men jeg vet ikke om det bør være opp til skolene sjøl, eller om vi skal gi signaler om at vi faktisk forventer at skolene begynner å ta tak i dette før fraværet nærmer seg 10 pst. eller 15 pst. – som det også står i innstillinga – men at de må begynne å ta tak i dette på 2 pst. Dette var ikke noe spørsmål, men en oppfølging. Det oppfølging. Det blir jo sånn at fordi vi diskuterer en fraværsgrense, så blir man på sanksjonssiden. Jeg beklager hvis jeg ikke oppfattet representantens spørsmål riktig, men jeg er helt enig i at det viktigste for tilstedeværelse og nærvær på skolen aldri kan handle om en fraværsgrense. Det kan aldri handle om sanksjoner heller.

regjeringens strategi for ungdomshelse, sammen med bl.a. helseminister Bent Høie. Det er den første strategien om ungdomshelse i sin tid, og den tar bl.a. opp i seg veldig mye av arbeidet som skal gjøres med unge og psykiske lidelser, hvor også skolen selvfølgelig spiller en veldig viktig rolle. Det er

Men jeg vil likevel spørre om noe annet. Jeg er ganske sikker på at jeg har flere partier i salen med meg når jeg sier at vi vil ikke nøle med å fremme et nytt forslag og ta denne saken tilbake til Stortinget hvis ikke vi nå får et vesentlig annerledes resultat enn det som lå på bordet denne våren. Det må ha et helt annet rom for skjønn og sunn fornuft som gjør at vi kan være tryggere på at det ikke vil føre til økt frafall blant de mest sårbare elevene. Jeg vil gjerne bare be statsråden gi tydelig uttrykk for i denne debatten at han har forstått og mottatt det

Utdanningsforbundet, Lektorlaget, Skolenes landsforbund – de er mot en fraværsgrense, men det kan godt hende de også har meninger om dette – og Skolelederforbundet ønsker. Men at en kommende fraværsgrense skal ha mer rom for skjønn enn det skjønnet som ligger i det forslaget vi har hatt, det er klart. Så må jeg bare bemerke til historieskrivingen at sannheten her er også at det er en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

Med tanke på frafallet i den videregående opplæringen må det nå gjøres grep for å få elevene aktive i læringsmiljøene og ikke minst prøve å begrense de samfunnsøkonomiske kostnadene på både kort og lang sikt. Tatt i betraktning at det ifølge SSB er 41 pst. av elevene som ikke fullfører og består opplæringen innenfor normert tid, vil fraværsgrensen være ett av flere viktige grep som må tas for å få ungdom til å fullføre skolegangen. Motstanderne av fraværsgrensen snakker mye om det å skape trygge og gode læringsmiljøer. Men hvordan skal dette la seg gjennomføre når det til enhver tid er mange elever som ikke er til stede i undervisningen? Det å møte til undervisningen handler også om respekten for sine medelever. Det stilles store krav til at en lærer skal gi god undervisning, og det kjennetegnes ofte ved at det utvikles gode relasjoner mellom lærer og elev, at læreren skaper en tydelig og effektiv struktur på undervisningen, at det tilrettelegges for gode læringsprosesser, at det er variert undervisning, at det blir gitt underveisvurdering, at det er en tydelig sammenheng mellom mål, innhold og arbeidsmåter, at det er regelmessig bruk av tilbakemelding og vurdering, og at det er klare forventninger til elevenes prestasjoner og kontrollen av Dersom dette skal la seg gjennomføre, må elevene være til stede i undervisningen. Fellesskapet danner grunnlaget for både det faglige og det sosiale og bidrar til at det blir flere som fullfører. Fremskrittspartiet er glad for at det nå ser ut til å bli en tydelig grensesetting, der lærerne får et viktig verktøy i sin arbeidshverdag for å kunne gi landets elever god undervisning. Etter å ha hørt denne debatten, der man har forsøkt å framstille det som

I dag demonstrerer Elevorganisasjonen mot at statsråden får ryggdekning for å innføre en nasjonal fraværsgrense. Da er det vel liten tvil om at SVs intensjon når man har fremmet dette representantforslaget, nettopp har vært å stoppe en nasjonal fraværsgrense. I så måte er det gledelig at vi i denne saken får på plass prinsippet. prinsippet. Så vil jeg si at jeg som saksordfører har opplevd denne saken som utfordrende, rett og slett fordi det har vært krevende å få et klart svar på hva en sånn nasjonal fraværsgrense skal inneholde. Da har det vært veldig bra at vi har fått på plass merknader som peker i noen retninger. For det er greit å være mot men det er enda bedre om en politiker kan være for noe og være tydelig på hva det er. Jeg mener at det er ganske politisk krevende å forholde seg til generelle beskjeder om fraværsregler uten å være villig til å ta stilling til prinsippet om en fraværsgrense. Det blir ikke en rigid fraværsgrense av at man kaller den for rigid.

Det har alltid – fra undertegnedes side og fra Høyre – vært pekt på at utviklingen i norsk skole må være kunnskapsbasert. I så måte vil all type økt kunnskap bidra til at vi kan få en bedre videregående opplæring. Det trenger vi, for er det en ting som er sikkert, er det at frafallet i videregående opplæring er altfor høyt. Det å stille krav er nettopp å bry seg. Det å se den enkelte elev enkelte elev er med på å gjøre at vi kanskje tidligere kan fange opp de som sliter, og på sikt greie å få flere gjennom dette 13-årige skoleløpet som er så viktig hvis vi skal greie å møte omstillingen for Norge, der vi må ha flere dyktige ungdommer ut i arbeidslivet. Og der er det klare regler for fravær.
I dag gjev Stortinget kunnskapsministeren klarsignal til å innføre ei nasjonal fråværsgrense i vidaregåande opplæring. Kompromisset som Høgre og Framstegspartiet til slutt fekk støtte for, har solid oppslutning blant lærarar, foreldre og næringslivet. Det er frivillig å starte på vidaregåande skule, men det bør ikkje vere frivillig å møte til undervisninga. Det handlar om respekt for medelevane sine, for lærarane som brukar tid på å førebu seg, og å skape Vi veit også at det er ein klar samanheng mellom elevane sitt nærvær i undervisninga, dialog med lærarane og resultata elevane oppnår i skulen. Difor har også lærarane etterlyst ei nasjonal fråværsgrense i lang tid, og engasjementet har vore stort. Nærare ni av ti lærarar og sju av ti skular har gjeve si støtte då saka var ute til høyring. Det er bakgrunnen for at regjeringa ønska å innføre ei fråværsgrense på 10 pst. for ugrunna fråvær, og la inn fleire unntak som skulle sikre fleksibilitet og den enkelte elev. Fråvære som skuldast sjukdom, arbeid som tillitsvald, avtalt studiearbeid, religiøse høgtider og ei rekkje andre forhold, tek i vare dei fleste legitime behov. Framlegget frå regjeringa har også fått støtte frå skuleorganisasjonar som Norsk Lektorlag og Skuleleiarforbundet, samt Foreldreutvalet for grunnopplæringa og frå viktige arbeidsgjevarorganisasjonar som NHO og Spekter. No viser også ei meiningsmåling frå Infact at over pst. av befolkninga støttar ei nasjonal fråværsgrense, og at over 62 pst. av desse støttar denne modellen. Fråværsgrensa har skapt stor debatt, og etter initiativ frå SV bidrog Arbeidarpartiet, Senterpartiet, Kristeleg Folkeparti og Venstre til å stoppe regjeringa sin modell. Alle organisasjonane i skulen som støttar ei fråværsgrense, samla seg om den modellen som har 15 pst. fråværsgrense, og der rektor kan gjere unntak i samråd med faglærar

om ho hamnar på 15 pst., og der rektor i særlege tilfelle kan gjere unntak. Innføringa av ei fråværsgrense skal evaluerast etter tre år, og det skal gjennomførast følgeforsking som skal gje oss auka kunnskap om korleis denne ordninga bidreg til å skape ein betre skule. I sum er dette godt nytt for norske lærarar som har ønska fleire verkemiddel i arbeidet med å få fleire til å fullføre og bestå vidaregåande opplæring. Vi treng auka nærvær i norsk skule, og vi treng
Neste taler er representanten

og den tydelige meldingen som kommer fra elevene om at de står fast på sitt nei til en fraværsgrense, men likevel opplever det som har skjedd, som en viktig seier. Høyre har i denne saken stått på for et regelverk som ikke var godt nok forankret i sektoren, og som ikke var godt nok forankret politisk, og har derfor tapt denne saken. Det er slik at stortingsflertallet nå har valgt å være mer spesifikk når det gjelder hva slags type nytt fraværsregelverk som vil komme, enn det SV og noen andre partier ville gjøre nå. Vi har ikke sagt verken ja eller nei til noen ting, men én av grunnene til at vi nå ikke ville binde oss til f.eks. å støtte Utdanningsforbundets modell, er den situasjonen vi var i, som statsråden viste til i sted, da Kristin Halvorsen var statsråd og det måtte presiseres at det ikke var adgang for lokale fraværsgrenser i regelverket. Den gjennomgangen viste også at det var veldig vanskelig å lage et nasjonalt regelverk. Det er utfordringen nå også. Det er f.eks. vanskelig å lage en grense som ikke på den ene siden blir så lav at den fører til frafall for de mest sårbare, og på den andre siden så høy at du plutselig har legitimert skulk for andre elever. Det er utfordringen med å bevege seg opp fra 10 pst. også. Derfor mener jeg at Arbeiderpartiet ikke burde bundet seg til eller gått så langt i retning en bestemt modell som de har gjort nå, men det rokker ikke ved det som var det viktigste i denne saken, nemlig at vi har fått stoppet et regelverk som var altfor rigid. Lin Holvik, som er rektor ved Årstad videregående skole i Bergen, skrev et innlegg om hvorfor hun var mot fraværsgrensen, på sin blogg, som jeg vil oppfordre alle til å lese. Det handlet om alle de elevene på hennes skole hun har møtt i løpet av sitt skoleliv, som har mange, kompliserte grunner til at de kanskje kommer kl. 9 istedenfor kl. 8. Det handler om fattigdom hjemme, om en som har beskyttet lillebroren sin mot vold, Det handler om fattigdom hjemme, om en som har beskyttet lillebroren sin mot vold, om noen som jobber skift for å hjelpe til hjemme, om noen som er nervøse fordi de har en pappa som venter på oppholdstillatelse – hva som helst. Det er så mange liv der ute som dette regelverket ikke var fleksibelt nok til å stille opp for. Det er det denne saken handler om til syvende og sist, at vi skal fortsette å ha en skole som tar imot de elevene som sliter

Det er en veldig sjelden og oppsiktsvekkende handling, at Stortinget rett og slett ser seg nødt til å gjøre det. Det vanlige ville for øvrig vært at en statsråd som skjønte at en forskrift var i strid med stortingsflertallet, skyndte seg å endre og justere kursen. Jeg blir bekymret når statsråden sier her fra talerstolen at det var bred støtte til hans forskrift, for det er noe som gir veldig bekymring for hvordan statsråden kommer til å lytte i framtiden, hvis han så til de grader misforstår det budskapet han får. Elevorganisasjonen sa nei, helt åpenbart. SL sa nei, helt åpenbart. Men også Utdanningsforbundet sa et veldig klart nei til den forskriften som Røe Isaksen hadde laget. KS, som jo representerer skoleeierne, gir i sitt høringssvar både til noe som må være tilnærmet slakt. Og dette er altså dem som skal sette dette ut i livet. Hvis statsråden tolker dette som en bred tilslutning og så i neste runde sier at nå skal han lytte, er jo ikke problemet nødvendigvis lyttingen, men tolkningen av det budskapet statsråden får. Også etter Arbeiderpartiets gruppemøte hadde statsråden veldige problemer med å forstå budskapet. Han gikk nærmest hysterisk ut i alle kanaler og sa at nå hadde Arbeiderpartiet sagt nei til fraværsgrense, til tross for at det ikke var noe i vedtaket til Arbeiderpartiet som tilsa det. Midt under komitébehandlingen var han i alle kanaler og gjorde diskusjonene i komiteen mest mulig vanskelige. Det er jo ikke uvanlig at en elev som stryker, og som har hatt mange saker med store problemer med gjennomføringen, prøver å skylde på alle andre, om det er problemer i barnehagesaken, i kompetanseforskriften eller andre spørsmål. Det er veldig vanlig å skylde på skolen, på sensorene, på medelevene, på oppveksten, men de beste sier: Vel, her må jeg rett og slett ta meg sammen og gjøre en bedre jobb, her må jeg gjøre den jobben så skikkelig at jeg kommer gjennom neste gang. Heldigvis holdt komiteen hodet kaldt. Jeg vil egentlig gi honnør til Kristin Vinje og Kent Gudmundsen, som sørget for – sammen med oss andre – å lande denne saken på en fornuftig måte. Det bidro ikke statsråden til. Min klare oppfordring er: Ikke sett Stortinget i den situasjonen at vi må overprøve en forskrift to ganger. Én gang er så nær mistillit man kommer, to ganger tror jeg rett og slett en statsråd ikke overlever. Det er gang er så nær mistillit man kommer, to ganger tror jeg rett og slett en statsråd ikke overlever. Det er ingen motsetning mellom god oppfølging av elevene i det daglige og bruk av fraværsgrenser, som noen representanter ser ut til å mene. Det har tidvis vært høy temperatur i fraværssaken, såpass høy at mang en menigmann har opplevd at retorikken har overdøvd forsøket på å finne en løsning på en stor utfordring i skolehverdagen, og det tjener ikke norske elever på. Til det Vi har alle, på kryss av partigrensene, snakket på innpust og utpust om betydningen av at flere må gjennomføre videregående skole, og at elevene må lære mer. Derfor er jeg faktisk glad for at denne saken ser ut til å lande nå, sånn at det kan bli mulig å få til en kompromissløsning med en fraværsgrense, og at vi kan gi lærerne og skolen den tilliten det er å administrere en fraværsgrense med kløkt og skjønn. Det er valgfritt å begynne på videregående skole, men det betyr ikke at det er valgfritt å være til stede. En skoleplass er en stor investering for samfunnet, og det må også barn og ungdom lære. Da må en kunne stille krav til at de som takker ja til en plass, er til stede og benytter seg av plassen når de ikke er hindret av sykdom eller annen gyldig grunn. Mye av debatten har kretset rundt hvorvidt det er rimelig eller urimelig at høyt fravær skal gå på og for meg er det selvsagt at lærerne trenger et godt grunnlag for å gi elevene riktig faglig tilbakemelding og karakter. Men det er minst like viktig at elevene også oppdras til å se hvilke konsekvenser det har for en selv, for fellesskapet og for læringsmiljøet i klassen og på skolen dersom det utvikles en kultur der skulk og udokumentert fravær er ok. Vi gjør elevene en bjørnetjeneste hvis vi ikke stiller tydelige krav til oppmøte. Skolen er også en forberedelse til det videre arbeidslivet, og i et arbeidsliv er ikke udokumentert fravær akseptabelt. Forslaget om innføring av fraværsgrense har vært på offentlig høring, og flertallet – et klart flertall – ønsker det. Og det har vært nevnt, så jeg trenger ikke å gjenta det, men støtten fra både Utdanningsforbundet, Lektorlaget og næringslivsorganisasjonene har vært tydelig på dette. Meningsmålingene som også nylig er gjennomført, viser stor tilslutning i befolkningen til en fraværsgrense. Det er en viktig støtteerklæring til kunnskapsministeren, og det er også et sterkt signal til dem som fortsatt er i opposisjon i denne saken. Derfor håper jeg nå at vi kan klare å samle oss om å få inn en fraværsgrense

konklusjonene ble som de ble. Men jeg er veldig tilfreds med at vi har en klar ramme rundt det vi gjør her i denne saken i dag, og jeg vil derfor takke komiteen og Stortinget for debatten og ser fram til den videre prosessen. For det aller viktigste nå, for oss som representerer flertallet for en nasjonal fraværsgrense, er at dette kommer på plass. Det tror jeg norsk skole trenger.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

I forbindelse med Prop. 84 L for 2014–2015 ble det foretatt en gjennomgang av regelverket for friskoler, der forbudet mot å ta ut utbytte ble understreket og presisert, bl.a. ved innføring av nye krav til innsyn og økt dokumentasjonsplikt. Flertallet i komiteen vil vise til de endringene i friskoleloven som ble vedtatt i 2015. Her ble det presisert å videreføre prinsippet om at friskoler ikke skulle gis godkjenning dersom etablering ville føre til negative konsekvenser for det offentlige skoletilbudet. Flertallet i komiteen mener at en ny lovendring som gir anledning til å redusere maksimalt elevtall i godkjente friskoler, vil være en urimelig inngripen i friskolenes rettsstilling. Jeg skal ikke legge skjul på at Fremskrittspartiet gjerne skulle hatt en enda mer liberal friskolelov enn det man kom fram til tidligere i år, men vi mener likevel at det er et greit kompromiss man fikk jobbet fram. Det foreliggende lovforslaget fra SV bryter etter Fremskrittspartiets mening sterkt med det som ligger til grunn for den nye friskoleloven. Fremskrittspartiet vil påpeke at SVs lovforslag nærmest har til hensikt å gjøre det umulig å drive friskoler og andre privatskoler i Norge, og noe slikt kan Fremskrittspartiet ikke være med på. Den nye friskoleloven gir rom for at nye og kvalitativt gode skoletilbud får adgang til å starte og dermed sikre et større mangfold og valgfrihet for elevene. Dette legger også til rette for både konkurranse og læring mellom skoler. Offentlig finansierte friskoler gjør også at folk flest gis reell mulighet til å velge en privat skole.

Friskoleloven, slik den er i dag, legger til rette for seriøse aktører som ønsker å drive skolevirksomhet av høy kvalitet, gjennom et godt regelverk og effektive og tydelige virkemidler. Systemet er slik at det gjennomføres tilsyn og kontroll som avslører når aktører beriker seg på statstilskudd, i strid med regelverket. Tilsynet blir stadig mer profesjonelt og treffsikkert, og erfaringer med tidligere lovbrudd gjør at man kan følge opp potensielle lovbrudd i framtiden enda mer effektivt. Noen strengere lovgivning på området er det derfor ikke behov for, etter Fremskrittspartiets mening. De offentlige skolene og skolene som er

ville kunne bety begrensning for andre. Saken vi diskuterer i dag, innehar noen av de samme elementene. Jeg vil tro at så godt som alle, eller i hvert fall de fleste i denne sal som har sittet i et kommunestyre eller i et fylkesting, har vært med på å behandle saker om skolestruktur, og da ofte forslag om nedlegging av skoler, fordi man må spare penger eller fordi elevtallet synker. En slik prosess har jeg stor respekt for. Skolen er på mange måter lokalsamfunnets aller viktigste hjørnesteinsbedrift, både i form av dens funksjon som opplæringstilbyder, som arbeidsplass og som samlingspunkt. Det gjelder uavhengig av om skolen er privat eller offentlig. Arbeiderpartiet er ikke motstandere av private alternativ til den offentlige skolen. Private skoler er et viktig supplement til den offentlige skolen. Men Arbeiderpartiet har vært kritisk til lovendringer som på sikt kan føre til at det blir for mange private skoler, sånn at det går på bekostning av det offentlige tilbudet. Vi ser at det skjer noen steder. I representantforslaget vi behandler i dag, er særlig Hordaland trukket fram, og det med god grunn. I 2015 ble det klart at Hordaland fylkeskommune ville legge ned Fana gymnas fordi det var altfor mange skoleplasser internt i fylket. I Hordaland er det på kort tid opprettet relativt mange private elevplasser, og i sentrale Bergen går nær 50 pst. av elevene på en privat videregående skole. I Agder uttrykkes det også bekymring for dette, særlig når det gjelder yrkesfagene. Det kan virke som om dagens lovverk ikke helt tar høyde for slike situasjoner, hvert fall må vi kunne si at det ikke ivaretar de folkevalgtes mulighet til styring av et av de mest sentrale velferdstilbudene vi har. Arbeiderpartiet mener derfor at det er naturlig at når man diskuterer skolestruktur eller skoletilbudet internt i et fylke, ja da skal alle skoleplassene være en del av en sånn diskusjon, både offentlige og private. Det handler om å behandle elever og skoler likt, for det er dårlig balanse i at fylkestingenes eneste mulighet er å redusere de offentlige skoleplassene og legge ned de offentlige skolene, i en situasjon der det totale elevtallet har endret seg eller synker. Arbeiderpartiet ønsker ikke med dette å skape unødvendig uforutsigbarhet for elevene i de private skolene. Dette slår vi også tydelig fast

men det betyr ikke at det ikke er behov for å se på regelverket på nytt, og at det er tilstrekkelig. Det er særlig – som statsråden selv erkjenner – behov for å se på regelverket knyttet til de private høyskolene. Vi har alle Westerdals-saken friskt i minne. Det fremmes også forslag om å utrede hvorvidt de private skolene skal være selveide stiftelser. For oss henger tingene litt sammen, det å sørge for at statstilskuddet brukes på det det skal, hindre skatteplanlegging og kreativ budsjettering gjennom datterselskaper. Danmark har lenge hatt en slik modell, og Arbeiderpartiet mener det kunne vært interessant med en grundig utredning om dette er en modell som også kunne fungert i Norge. Jeg vil med dette ta opp de forslag som Arbeiderpartiet er med på i denne saken. Representanten Christian Tynning Bjørnø har tatt opp de forslagene han

og studenter reell mulighet til å velge andre alternativer enn det stat og kommune til enhver tid kan tilby. Friskolene utgjør en liten, men viktig del av skoletilbudet i Norge. På samme måte tilbyr private høyskoler viktige utdanningstilbud som bidrar til at vi får kandidater med verdifull kompetanse i vårt samfunn. For et år siden ble friskoleloven endret gjennom vedtak her på Stortinget. Da fikk vi en liten utvidelse av loven, som videreførte prinsippet om at vi skulle beholde en godkjenningsordning med krav til særskilte formål. Samtidig ble det vedtatt at også videregående opplæring i yrkesfaglige utdanningsprogrammer og skoler med særskilt profil skulle godkjennes. Det ble fastsatt at godkjenningen fortsatt skal gis etter en skjønnsmessig vurdering, og det skal ikke gis godkjenning dersom dette har negative konsekvenser for det offentlige skoletilbudet. I forbindelse med denne lovendringen ble det foretatt en grundig gjennomgang av regelverket for friskoler, der forbudet mot å ta ut utbytte ble understreket og presisert, bl.a. ved å innføre nye krav til innsyn og økt dokumentasjonsplikt. I den nye friskoleloven ble det også presisert at kommunens eller fylkeskommunens syn på hvordan et nytt privat skoletilbud ville påvirke det offentlige tilbudet, videreføres. Hvis man nå skulle lovfeste at man kan redusere antall godkjente private elevplasser i en kommune, som SV tar til orde for, vil det være å gripe urimelig inn i friskolenes rettsstilling, og det vil redusere elevenes mulighet til å kunne velge å gå på en annen skole. For Høyre er det viktig å ivareta elevenes og studentenes muligheter. Da må man skape forutsigbare rammer for dem som driver utdanningstilbudet. Jeg mener at friskoleloven, med de endringene som ble vedtatt for et år siden, er godt egnet til å sikre

som dreier seg om forbedringer i lovverket som skal sikre at offentlige tilskudd blir brukt i tråd med regelverket. Jeg kan heller ikke se noen grunn til å innskrenke regelverket, slik at kun én organisasjonsform skal være mulig for friskoler og private høyskoler. I rapporten fra Andreassen-utvalget, ekspertutvalget som har gått igjennom lovverket for private høyskoler, pekes det på at både stiftelser og aksjeselskaper er egnede organisasjonsformer, der det vil være mulig å føre tilsyn og kontroll med at statstilskuddet brukes til det det er ment å brukes til. Disse anbefalingene kommer vi tilbake til her i Stortinget når vi får en ny lov til behandling.

overbevisning. Det er en rettighet som Norge har forpliktet seg til gjennom internasjonale konvensjoner. De private høyskolene bidrar til å skape en bredde og et mangfold i studietilbudet som er verdifullt for kunnskapsnasjonen Norge. Noen av de private institusjonene er også spydspisser innenfor sine fagfelt. Kristelig Folkeparti har alltid vært en forkjemper Vi ønsker oss en politikk der vi legger til rette for friskolene og de private utdanningsinstitusjonene, og vi ønsker å gi dem levelige og ikke minst forutsigbare rammevilkår. Men Kristelig Folkeparti har aldri vært for et frislipp i friskolelovgivningen. Vi har vært ganske restriktive når det gjelder spørsmålet om kommersiell skoledrift, og vi har vært tydelige på at de skolene som mottar offentlige tilskudd, bør være skoler som utgjør et reelt alternativ til de offentlige skolene, også innholdsmessig. Derfor var det viktig for Kristelig Folkeparti da regjeringen ville liberalisere friskoleloven – og i praksis åpne for et frislipp – å holde igjen og bevare mest mulig av tenkningen som lå til grunn for det friskoleforliket som vi hadde med de rød-grønne partiene. Det klarte vi. vi. Jeg vil berømme kunnskapsministeren for å ha vektlagt nettopp forutsigbarheten for sektoren da han valgte å inngå et forlik med Kristelig Folkeparti i den saken, selv om regjeringen i utgangspunktet hadde flertall i Stortinget for en vesentlig liberalisering, med støtte fra Venstre. Vi har fremdeles en formålsstyrt friskolelov. Det er ikke fritt fram for å starte private skoler og kreve tilskudd fra stat eller kommune, og de private alternativene må utgjøre reelle alternativer til de offentlige skolene. Jeg er ikke sikker på om forslagsstillerne fra SV har tenkt så mye på forutsigbarheten for friskolene, når de nå foreslår at det skal være mulig å stenge ned friskoler eller å redusere elevtallet på allerede godkjente skoler, av hensyn til den offentlige skolen. Det ville skapt stor uforutsigbarhet for skolene og ikke minst for elevene.

godkjent. Jeg er også redd for at dersom dette mot formodning skulle bli vedtatt, kan vi risikere å se at det er den politiske fargen på kommunestyret på stedet som vil avgjøre friskolenes framtid. Når det gjelder forslaget om å gjennomgå lovverket for å sikre at penger som gis i form av offentlige tilskudd til private skoler og høyskoler, kommer studentene til gode, mener jeg at forslagsstillerne er inne på noe viktig. Når det gjelder friskolene,

opp. Både spørsmålet om prinsippet om at elevbetaling og statstilskudd skal komme studentene til gode, og spørsmålet om krav til organisasjonsform vil Stortinget få god anledning til å ta en grundig debatt om når denne saken kommer til

Når det er sagt, innebærer det store forpliktelser å drive en privatskole med statsstøtte, og nettopp derfor skal det ikke være en kilde til personlig økonomisk vinning. Som kjent har det de senere årene dessverre vært en rekke saker der private skoler har utfordret regelverket. Disse skolene har måttet betale tilbake statstilskudd etter at tilsynet avdekket at skoleeierne på ulike måter har tatt ut fortjeneste i strid med loven. To videregående skoler i John Bauer-konsernet måtte f.eks. tilbakebetale 7,3 mill. kr til Utdanningsdirektoratet i 2009, og problemstillingen er den samme for private høyskoler. Høsten 2015 avslørte Dagens Næringsliv hvordan Anthon B. Nilsen hentet ut over 100 mill. kr fra sine statsstøttede privatskoler, deriblant høgskolen Westerdals, til tross for forbudet mot utbytte. Av medieoppslag og statsrådens redegjørelse tidligere i kjenner vi til at Kunnskapsdepartementet til slutt måtte ta tak i saken og gikk til det skrittet å anmelde Westerdals. I mai ble skolen siktet av Økokrim. Dette viser dessverre at til tross for gode intensjoner og strenge regler forsøker enkelte private eiere av videregående skoler og høyskoler å omgå loven og hente ut privat profitt, enten gjennom kompliserte selskapsstrukturer og transaksjoner, kunstig høy husleie eller så ikke skjer mer, men regelverk er jo sjelden helt vanntette. Slike lovbrudd er ikke bare et ran av elevenes eller studentenes penger. De er også et ran av pengene som fellesskapet setter av til utdanning. I tillegg tvinges det offentlige til å sette av store summer til tilsyn og

Senterpartiet mener en sånn utredning om lovendring og eierform også bør inneholde en vurdering av private skoler som er organisert som samvirkeforetak. Det andre viktige momentet i denne saken er forslaget om å regne private videregående skoler inn i en fylkeskommunal skolebruksplan – jeg ber dere legge merke til ordet dette for å forsøke å sikre en forutsigbarhet i skoletilbudet, både for fylkeskommunen som ansvarlig myndighet i arbeidet med å dimensjonere tilbudet, for elevene som skal gå der, og også for de private skolene. Det kan ikke være sånn som vi nå opplever enkelte steder, at de offentlige skolene må redusere og legges ned, mens de private kan opprettholdes uansett hvordan resten av verden ser ut. Senterpartiet mener lovverket må sikre at alle elever skal ha et forsvarlig tilbud uansett hvor de er bosatt. Det sier seg sjøl at det i områder med et lavt elevgrunnlag vil være vanskeligere å opprettholde bredde i programtilbudet på videregående nivå, særlig i utkantstrøkene. Vi har også disse erfaringene fra Oppland, der skoler som ligger utenfor byene Lillehammer og Gjøvik, strever med dette. dette. Det er viktig at tilbudet ved distriktsskolene ikke blir så smalt at elevene i realiteten presses til å søke seg bort fra distriktsskolene og inn til byene. Det er starten på en negativ spiral for det totale skoletilbudet. Derfor er dimensjonering av tilbudet fra fylkeskommunens side så viktig, og derfor er det så viktig at de private videregående skolene også må ses i sammenheng med det øvrige tilbudet. Det blir korttenkt og ensidig å bygge ut i byene fordi søkningen er god. Det har en konsekvens for tilbudet flere mil unna. Det igjen handler om lærlingplasser senere og om elevenes mulighet til å fullføre utdanningen de har begynt på. Derfor mener vi i Senterpartiet at private skoler bør inngå i en skolebruksplan. Jeg tror vi har litt forskjellige meninger om dette fordi vi kommer fra forskjellige områder i landet og har litt ulik erfaring. Noen av oss som kommer fra de store fylkene med veldig store geografiske områder, har kanskje andre erfaringer enn de representantene som kommer fra små og oversiktlige fylker. Selv om det ikke er

dramatiske uønskede endringer i den offentlige skolestrukturen som f.eks. kan gjøre at det blir dårligere yrkesfaglig tilbud i en del fylker, eller at distriktsskoler legges ned. Det er en type justeringer i regelverket jeg tror er viktig for at vi nettopp skal kunne få det å ha noen private alternativer og supplementer til å fungere på en bedre og best mulig måte for den norske videregående skolen. La meg først konsentrere meg om dette med tilskudd og fortjeneste. Private videregående skoler og høyskoler som mottar statstilskudd, har ikke adgang til å hente ut profitt. Likevel har det de senere årene vært en rekke saker der slike skoler har måttet betale tilbake statstilskudd. statstilskudd. Til tross for strenge og klare regler makter noen eiere av videregående skoler og høyskoler tilsynelatende å hente ut penger gjennom bl.a. kompliserte selskapsstrukturer. Det å avdekke denne typen lovbrudd krever store offentlige utgifter til tilsyn og kontroll. Utdanningsdirektoratet måtte f.eks. bruke syv årsverk samt om lag 850 000 kr i for å avdekke og kreve inn de 12,5 mill. kr som Akademiet måtte betale tilbake. Klassekampen avdekket i fjor at bare 5 av 315 privatskoler ble kontrollert for om de kunne ha misbrukt statsstøtten. Av disse fem fikk tre krav om tilbakebetaling. Så vet vi også fra andre land at det er en fare for at kompliserte eierstrukturer følges av omfattende skatteplanlegging.

Så selv med et utbytteforbud, slik vi har i Norge, er vi ikke fri for risiko for at penger havner et annet sted enn der de skal havne. Vårt utgangspunkt er at hver eneste krone vi bevilger til skole, skal gå til skole, at hver eneste krone vi bevilger, skal komme elevene til gode. Hvis vi har mistanke om at systemet vårt i dag ikke kan garantere oss at det er sånn, må vi gjøre noe for å endre det. I Danmark har de ikke disse skandalene som vi har hatt. hatt. En avgjørende grunn til det er at de krever at private skoler må organiseres som selveiende stiftelser. Jeg synes det er interessant å se at den borgerlige regjeringen i Danmark synes det er et veldig godt system, mens den borgerlige opposisjonen i Norge synes det ville være en urimelig behandling av privatskoler. Jeg vil anbefale – det er ikke så ofte jeg gjør det – en god dialog med den danske høyresiden om dette spørsmålet framover. Vi mener det ville være bra å få en mer enhetlig form for organisering av private videregående skoler og høyskoler i Norge. Det kan skje enten gjennom en stiftelsesmodell, som i Danmark, eller gjennom samvirkeforetak, der vi har et godt og fungerende lovverk i Norge. Jeg kommer tilbake til den andre delen av forslaget, det som er knyttet til situasjonen ute i fylkene, i et annet innlegg.

En lovendring som gir anledning til å redusere maksimalt elevtall i godkjente friskoler, slik forslagsstillerne ber om, vil være en urimelig inngripen i friskolenes rettsstilling og dessuten sette til side elevenes ønske om å gå på en alternativ skole. Private høyskoler spiller på samme måte som friskolene en viktig rolle i det norske utdanningssystemet. De private aktørene bidrar til å utdanne kandidater og til å utvikle kompetanse med stor betydning for samfunns- og arbeidsliv. Det store flertallet av friskoler og private høyskoler i Norge er profesjonelle og solide aktører som er opptatt av å gi opplæring og utdanning av god kvalitet. De fleste private aktører ønsker å drive sin virksomhet innenfor regelverket, og de er opptatt av å gi elevene og studentene det de har krav på. Jeg er opptatt av at statlige midler skal brukes til det formålet de er bevilget til. Friskoler og private høyskoler som får nasjonal godkjenning og tilskudd fra staten for å drive sin virksomhet, skal gjøre dette innenfor de rammene vi oppstiller, og på de vilkårene som lovgivningen fastsetter. Det er et sentralt krav i både friskoleloven og universitets- og høyskoleloven at statlige tilskudd skal komme elevene og studentene til gode. Kravet om at statlige tilskudd skal komme elevene til gode, har vært en del av regelverket siden den første loven om private skoler kom i 1970. Siden den gang har vilkårene blitt presisert og utbygd både gjennom regelverket og gjennom forvaltningspraksis. I Prop. 84 L for 2014–2015 foretok departementet en grundig gjennomgang av eksisterende regelverk for friskoler, bl.a. for å vurdere om regelverket i tilstrekkelig grad sikret lovens intensjon om at tilskudd Gjennomgangen førte til at sentrale prinsipper fra forvaltningspraksis ble nedfelt i lov, og Stortinget vedtok flere innstramninger i juni 2015 i ny friskolelov. Forbudet mot å ta ut utbytte ble understreket og presisert, og flere virkemidler som har til formål å sikre at tilskuddet kommer elevene til gode, ble innført. Forslagsstillerne viser til den nylig avsagte dommen i Gjennom kontroll- og tilsynsvirksomhet har Utdanningsdirektoratets tilsynsenhet avdekket at midler var disponert i strid med kravet om at disse skal komme elevene til gode – en vurdering som Kunnskapsdepartementet delte. I tingretten vant Kunnskapsdepartementet frem med sin sak. Jeg mener dette illustrerer at vi har et tilstrekkelig tydelig regelverk, at vi har en kontroll- og tilsynsfunksjon som fungerer, og at Det er min vurdering at dagens regelverk, med de endringene som ble vedtatt at Stortinget i juni 2015 på friskoleområdet, er godt egnet til å sikre at statlige tilskudd kommer elevene til gode. Samtidig må man hele tiden løpende vurdere om det er behov for nye regelendringer for å sikre dette. Forslagsstillerne mener et krav om at friskoler skal drives som selveiende stiftelser etter modell av den danske loven, vil bidra til å sikre at tilskuddet blir brukt i tråd med loven i større grad enn i dag. Det er jeg uenig i. Stiftelsesformen vil riktignok forhindre ordinære utdelinger av overskudd til eiere, da stiftelser er eierløse virksomheter, men stiftelsesformen vil ikke løse det som er den største faktiske risikoen, nemlig at statstilskudd brukes til andre formål enn til skolevirksomhet, og at midlene indirekte tas ut gjennom handel med nærstående. Jeg mener derfor at et krav om stiftelsesform innebærer en innskrenkning av organisasjonsfriheten som ikke står i forhold til det som oppnås. Private høyskoler er også underlagt krav om at statlige tilskudd skal komme studentene til gode. Regelverket i universitets- og høyskoleloven er ikke like godt utbygd som i friskoleloven, men inneholder allikevel sentrale reguleringer om utdelingsforbud og krav til handel med nærstående. I departementets tilskuddsbrev stilles det mer spesifikke krav til bruk av midlene, regnskap og dokumentasjon. Som nevnt er hovedinntrykket at de aller fleste aktører driver redelig og godt. Samtidig er det ingen tvil om at kontrollen med denne delen av utdanningssektoren har vært for dårlig i mange år. Det er en svakhet som har gått over flere regjeringsperioder og mange kunnskapsministre. Høsten 2013 ble det nedsatt en ekspertgruppe for å utrede og foreslå nye reguleringer knyttet til denne delen av sektoren, altså høyere utdanning. Jeg valgte å videreføre dette arbeidet, og ekspertgruppen leverte sin rapport til meg for i overkant av ett år siden. Rapporten har vært på høring, og den 12. mai ble forslag til nye reguleringer sendt på offentlig høring. Jeg har foreslått reguleringer som presiserer og tydeliggjør at det er et utdelingsforbud for private høyskoler som mottar statlige tilskudd. Jeg foreslår i tillegg en rekke dokumentasjonskrav og krav til regnskap, i tillegg til reguleringer av tilsyn og sanksjoner, for å nevne noe. Vi har bl.a. sett hen til friskolelovens reguleringer på dette området. Et av forslagene som sendes ut, er at private høyskoler må drives enten som aksjeselskap eller som stiftelser. Det er lovregulerte organisasjonsformer som gir gode rammer for private høyere utdanningsinstitusjoner. Det blir replikkordskifte. De aller fleste privatskoletilbydere er skikkelige og

Det er få av mange, men på den annen side er det mange av få kontrollerte. I tillegg leser vi av tilsynsrapporten fra 2015 at Utdanningsdirektoratet, Udir, ikke har kapasitet til å føre tilsyn med skoler som de antar har en særlig risiko for regelbrudd. Med alt dette Mener statsråden virkelig at dagens regelverk, og ikke minst tilsynsregimet, er godt nok for å forhindre framtidige regelbrudd? Tilsynsregimet er ikke laget slik at man kan garantere seg mot fremtidige regelbrudd. Da ville man måtte ha et tilsynsregime som var enormt stort, enormt kostnadskrevende og basert på mistillit til private skoler eller friskoler. Det ønsker jeg ikke. Utdanningsdirektoratet har gjennom regjeringens budsjetter fått tilført ekstra midler øremerket til tilsyn med friskolene. Lovverket ble innskjerpet av samarbeidspartiene da vi vedtok ny friskolelov, bl.a. slik at Utdanningsdirektoratet skulle ha større mulighet til å gå inn og kreve bekreftelse eller dokumentasjon fra skolene på at transaksjoner med nærstående faktisk skjedde til markedspris, som hvis man ønsker å overføre eller ta ut deler av det statlige tilskuddet. Min vurdering er at det systemet vi har i dag, er godt, at regelverket er godt, og at tilsynsmyndigheten fungerer godt. Så må jeg også nevne at Utdanningsdirektoratet driver langt flere tilsyn enn det som nevnes her, men det er da konkrete tilsyn knyttet til økonomi.
Det er bare å erkjenne at statsråden mener at regelverket ikke bare er godt, han sier også at det er godt nok. Det er Arbeiderpartiet uenig i. Men vi må også en tur over til Bergen. 17 pst. av elevene i den videregående skolen i Hordaland går på en privatskole. Det er et overskudd nå på 1 000 elevplasser i fylket, og fylket går glipp av nærmere 100 mill. kr i statlige overføringer. Offentlige skoler legges ned,

bare så det er sagt. Jeg forstår argumentet fra fylkespolitikernes side om at når de må gå gjennom skolestrukturen, ville det vært lettere for dem hvis de kunne regulere friskolene opp og ned, eller kanskje til og med legge ned friskoler og ta dem inn i skolebruksplanen på den måten.

der det er etablert så mange privatskoleplasser at muligheten til å tilby den bredden i ulike utdanningsløp som elevene i vårt fylke trenger, og muligheten til å opprettholde en geografisk bredde i tilbudet til ungdom i hele fylket blir alvorlig svekket. for det rammer jo elevenes valgfrihet, da blir resultatet mindre satsing på yrkesfag og distriktsskoler. Er det ikke en urimelig inngripen overfor elever i vårt fylke at statsråden nekter en mulighet for en sånn

som betyr at en privat skole eller friskole ikke plutselig kan si at de har 150 ekstra søkere, og da utvider de antallet plasser. På den annen side ønsker vi supplementer til det offentlige. Vi ønsker at f.eks. livssynsskoler eller pedagogiske alternativer og nå også yrkesfagskoler, hvis man har lyst til å starte det, skal få en mulighet til å starte opp. Så må jeg også bare bemerke, selv om jeg ikke skal blande meg inn i diskusjonen i Hordaland fylke, at det nok er mange som sitter med et inntrykk av at i hvert fall de partiene som vant lokalvalget, på forhånd hadde sagt at de ikke skulle gjøre noe med skolestrukturen og ikke legge ned bestemte skoler. Når man da gjør det motsatte, er det klart at diskusjonene og reaksjonene blir ekstra sterke. Det som er utfordringen i Hordaland nå, er at fylkesrådmannen har lagt fram en skolebruksplan som at fylkesrådmannen har lagt fram en skolebruksplan som viser behov for å nedskalere med 1 000 plasser. Dette skyldes bl.a. naturlige variasjoner i elevkullene. Det viser hvor urimelig statsrådens utgangspunkt er, for det regjeringen forutsetter, er at en del av skolestrukturen skal være hevet over diskusjonen om strukturendringer og totalt fredet når man går inn i en sånn diskusjon, mens en annen skal måtte ta hele belastningen. Jeg synes det er veldig rart at statsråden er så opptatt av noen skoleeieres frihet fra inngrep, mens andre, nemlig fylkeskommunene, skal måtte ta hele belastningen. Problemet her er at man i praksis gir evigvarende godkjenninger til private skoler, men ikke til offentlige. Vi må kunne ha et mer fleksibelt regelverk, som også når det gjelder private skoler, tar hensyn til svingninger i elevtallet. Hvorfor er det urimelig?

avgjørende, men det er et tungtveiende argument mot at skolen skal få godkjennelse, og dermed er det ivaretatt. Men i prinsippet er det slik at hvis vi skulle få det systemet som Audun Lysbakken ønsker, måtte fylkeskommunen hatt mulighet til å legge ned også friskoler. Det er den eneste logiske konsekvensen av det. Det er klart at da skisserer man for det første opp et helt annet friskolesystem enn det vi har i dag, men det vil også gå på tvers av en av de viktigste begrunnelsene for friskoler, nemlig at elever, uavhengig av hvor de bor i landet, som ønsker f.eks. et kristent alternativ til den offentlige skolen, skal få muligheten til det og få muligheten til det med statsstøtte. Jeg vil oppfordre statsråden til å studere nøye situasjonen i Bergen. Der er det sånn at mange av de private alternativene er opprettet for lang tid tilbake, da størrelsen på elevkullene var annerledes enn i dag, og mange av dem representerer ikke et pedagogisk eller trosmessig alternativ. Og det er jo kjernen i problemstillingen her, for hvis det ikke finnes noen sikkerhetsventil som gjør at også f.eks. private tilbydere av helt ordinær studiespesialiserende utdanning kan bli pålagt å nedskalere, vil hele belastningen bli lagt på det offentlige og da fort ramme bredden i skoletilbudet i et fylke. Derfor er fortsatt mitt spørsmål: Hva er rimelig i å gi de private skoleeierne så stor makt over hva slags studietilbud som skal finnes i et

Det vil i så fall gå på bekostning av det vi mener – og som det i hvert fall frem til nå har vært enighet om – er en av de viktigste grunnene til å tillate supplementer. Det har vært tverrpolitisk enighet om at man nettopp skal kunne velge alternativer til det offentlige, f.eks. en kristen videregående skole eller en skole med utgangspunkt i en livssynsminoritet.

deretter

I dag er det slik at kommunane har motsegnsrett når skular søkjer om å starta opp, eller når dei søkjer om å utvida. I lova heiter det at ein ikkje skal gi godkjenning dersom godkjenninga får negative konsekvensar for det offentlege skuletilbodet. – Så langt, så bra. Statsråden seier her at regelverket samla sett er godt. I innstillinga står det i ein merknad frå Høgre, Framstegspartiet, Kristeleg Folkeparti og Venstre at det «vil være en urimelig inngripen i friskolenes rettsstilling» dersom forslaget frå SV skulle verta vedtatt – altså forslaget om å kunna redusera talet på private elevplassar i ein kommune eller fylkeskommune. Eg er heilt ueinig. Forslaget om at òg private skular må kunna vurderast i ein skulebruksplan, skulebruksplan, er berre rett og rimeleg. Dette er ikkje eit forslag om å ha ei «løpende vurdering», slik Høgre, Framstegspartiet, Kristeleg Folkeparti og Venstre skriv i innstillinga. I skulebruksplanen for Hordaland fylkeskommune, som no er ute på høyring, er alle dei private vidaregåande skulane utelatne. I Bergen kommune utgjer dei vel omtrent 50 pst. av elevplassane.

Eg forstår ikkje argumentet at dette skal vera så urimeleg for dei private. Ser ein korleis ein regulerer bruken av private på andre felt, f.eks. på helsefeltet, har jo dei private der meir kortvarige kontraktar enn det det her er snakk om, som i realiteten er ein livslang kontrakt når ein først har fått godkjenning og ikkje gjer noko ulovleg. er det fireårskontraktar, og innanfor rus og psykisk helse er det fire–seksårskontraktar, så det er veldig pussig at regjeringspartia her vernar dei som driv private skular, medan andre private tilbydarar innanfor det offentlege må regulerast på ein heilt annan måte. Så forslaget til SV er utruleg viktig, og det burde fått fleirtal med

Vi er flere Hordalands-representanter til stede her nå, og jeg tror jeg kan si at det er tverrpolitisk bekymring for den situasjonen vi er i. Det er også en viktig del av grunnen til at SV fremmet dette forslaget. Vi kan ikke akseptere at elevenes valgmuligheter skal innskrenkes på grunn av uviljen mot å stille de samme kravene til private skoler som man stiller til offentlige skoler, nemlig at tilbudet må tilpasses hvor mange elever det er som trenger et utdanningsløp. Det er det helt enkle prinsippet vi ber om, og som gjelder, som Kjersti Toppe var inne på, for private tilbydere på alle andre områder hvor det offentlige kjøper tjenester fra det private eller gir det private penger for å utføre tjenester for det offentlige. Jeg synes det er rart at valgfrihetsretorikken, som ellers er så viktig for høyresiden, ikke gjelder her. her. Det vi ser i Hordaland og i andre fylker, er jo at hvis en ikke kan gjøre noe med omfanget av private tilbud, har det noe å si for hva slags ulike utdanningsløp som tilbys. Det er sånn i dag at privatskoler i hovedsak tilbyr studiespesialiserende utdanningsprogram. Tre av fire elever på private videregående skoler er på et studieforberedende utdanningsprogram. I Hordaland har man et overskudd, ifølge fylkesrådmannen, på over 1 000 elevplasser. Det vil jo med nødvendighet sette oss i en situasjon der faren er stor for at et overskudd av private elevplasser innenfor studiespesialisering gjør at fylkeskommunen sitter igjen med for lite penger til å finansiere yrkesfaglig opplæring og til å opprettholde skoler i distriktene. Det rammer elevers valgfrihet, og det er feil politikk hvis vi er opptatt at samfunnets kompetansebehov. Derfor er vårt forslag et veldig enkelt forslag. Det handler ikke om å stikke kjepper i hjulene for dem som ønsker å tilby pedagogiske eller religiøst baserte alternativer, det handler om den rimelighet at alle tilbud skal vurderes i en situasjon hvor det må kuttes. Og så sier man: Hva med forutsigbarheten, da? Da er mitt svar: Hva med forutsigbarheten, da? For det må jo være de samme naturlige krav til alle, både offentlige og private skoleeiere, at hva slags mulighet man har til å gi et tilbud og få offentlig finansiering av det, avhenger av hvor mange ungdommer det er der ute som trenger det man tilbyr. Så enkelt er det. Det minner til og med om et lettfattelig markedsprinsipp, som det burde være enkelt for høyresiden å skrive under på. Det som fikk meg til å ta ordet her, er

den litt fascinerende tilnærmingen man har til hvordan inntak til videregående opplæring rundt omkring i Norge foregår. Det er ikke sånn at kapasitet som vedtas når studiekatalogen legges ut søkbar, danner grunnlaget for hvor mange elever til enhver tid som hver eneste skole rundt omkring i et fylke får. Det har jeg selv, opptil flere ganger, opplevd å se utfordringer ved. I så måte er det alltid en konkurranse om elevene, som egentlig er kjernen i det vi diskuterer i dag. Mange skoler, spesielt i Tromsø-området, der jeg bor, diskuterer kapasitet heftig og begeistret i desember når man skal ramme inn hvordan skoletilbudet skal være i Troms, og i Tromsø spesielt. Selv om mange skoler får tildelt ganske raus kapasitet når studiekatalogen legges ut søkbar, er det på ingen måte sikkert at det er verken søkningen for den saks skyld eller fasiten for hvilke tilbud som har livets rett etterpå, som kommer den 1. mars når vi er kjent med elevenes valg. valg. Da tenker jeg at prinsippet er egentlig tilsvarende for de private skolene nå under friskoleloven som vi har i dag. Selv om de har fått tildelt en kapasitet, er den enkelte elev faktisk nødt til å ta et ganske aktivt valg for i det hele tatt å benytte seg av det tilbudet. For det første er det ikke 100 pst. dekket av staten, men 85 pst., noe som betyr at på hvilket valg en tar fordi en må betale skolepenger for å benytte seg av det tilbudet. For det andre er det også et signal om at den offentlige skolen ikke har greid å levere det tilbudet som elevene ønsker og opplever som attraktivt. For elevene tar et bevisst valg når de tar sin utdanning med hensyn til det som kan møte dem senere i utdanning. Da synes jeg at hvis vi først skal ta en debatt om dimensjonering av utdanningstilbud, og som jeg opplever at spesielt Lysbakken tar til orde for fra talerstolen, må vi ta med at det er problemstillinger knyttet til påbygging til studiespesialisering og studieforberedende fag som er en utfordring i dag. Vi ser at altfor mange elever som velger yrkesfag, egentlig hadde tenkt å ta studieforberedende utdanning, og det gjør man fordi man vet i neste omgang er nok kapasitet i den offentlige skolen for å ta påbygging. Det er der man finner den. Jeg tror vi trygt kan konkludere med at kapasitet er ikke det som først og fremst er utfordringen i denne saken. Det er hva elevene søker. I så måte mener jeg at flertallet har en god innstilling i denne saken. Denne saken handler først og fremst om ungdommene våre, at de får en mulighet til

gjør at industrifylket Hordaland er på vei til å trappe ned omtrent alt som finnes av yrkesfag, inklusiv Rubbestadnes, som var den skolen som ble anerkjent for å være den beste i hele landet. For det er faktisk ikke økonomi til å finansiere yrkesskoler – som er relativt dyrere – og det betyr at flere ungdommer i Hordaland må reise bort og bo på hybel for å velge utdanning, eller at de velger feil, frafallsprosenten, som allerede er høy i hele landet, ikke spesielt i Hordaland. Det er en fortvilet situasjon Hordaland har kommet opp i. I forrige periode var det med én stemmes overvekt vi ga tilråding om at nye tilbud skulle etableres. Nå ser vi at de er bundet, både økonomisk og når det gjelder valg og utvikling i Hordaland, som har høy ledighet ledighet og tradisjon for industri. Vi trenger fortsatt ungdom som søker mot industri, og så er ikke skoleplassene her! Det har utrolig vide konsekvenser. På vegne av Arbeiderpartiet og dem som sitter i komiteen for utdanning, er jeg utrolig glad for at

dimensjonering, er de private skoleeierne, for de er fritatt. Da er utfordringen i Hordaland nå, som Høyre åpenbart ikke har et fnugg av bekymring for, at fordi yrkesfag er så mye dyrere – det koster ca. 20 000 kr mer per elev – enn studiespesialiserende, er det, når fylkeskommunen har dårlig økonomi, elevtallet går ned, og så mye penger er bundet opp i de private skolene, det yrkesfaglige tilbudet som rammes. Det burde bekymre Høyre. I stedet harselerer man med at noen vil ha en debatt om

Derfor burde det egentlig være et felles mål for denne salen å sørge for at alle disse ungdommene får et godt tilbud der de bor. Statsråden viftet her i stad med et hefte som handler om tiltak for ungdom som sliter, og dette er en stor gruppe. Spørsmålet er: Blir det lettere eller vanskeligere når fylkeskommunen ikke lenger får muligheten til å dimensjonere det tilbudet totalt sett som de har? Det er jo en grunn til at Troms fylkeskommune, som representanten Gudmundsen har sittet som ansvarlig for, ikke har innført et såkalt fritt skolevalg, fordi det er et grisgrendt fylke, man bor på mange plasser, og det er vanskelig for folk å få utdanning hvis ikke fylket kan styre hvor tilbudet skal være. Det er ganske god erfaring – eller dårlig, rettere sagt – men god empiri privatisering gjorde at rådmenn rundt omkring i Norge satt i Clemets regjeringstid og planla hvilke offentlige skoler som skulle legges ned. Det var bare regjeringsskiftet i 2005 som stoppet dette. Så skjuler statsråden seg bak livssynsskoler eller religiøse skoler eller alternativ pedagogikk. Det synes som om man har glemt at denne salen under hans tid har endret lovverket slik at man ikke trenger en slik begrunnelse for å opprette private videregående skoler – spesielt for yrkesfag, for der er det fritt fram for private skoler. Men det er ikke en likeverdighet man har innført. Man har innført en fortrinnsrett for de private skolene, for de skal være beskyttet mot de kuttene som kommer. Det må det offentlige ta i de offentlige skolene uten å kunne se det offentlige og private tilbudet i sammenheng. Jeg kan nesten ikke komme på en eneste offentlig innkjøpsordning eller en innkjøpssektor som er organisert etter det prinsippet, at hvis en først har gjort en avtale om innkjøp,

men ikke kall det fritt skolevalg. Kall det heller fortrinnsrett for dem som har de beste karakterene, og så får de andre ta det som blir igjen. Så verken storparten av elevene eller fylkespolitikerne skal altså bestemme over dette. I representantforslaget og og fra talerstolen her nå blir det hevdet fra SVs side at lovverket står i veien for de folkevalgtes mulighet til å ta de valgene de mener er best for elevene i sitt fylke. La det være helt klart at fra Fremskrittspartiets side ser vi det ikke sånn at det er politikerne som kan og skal ta de beste valgene for elevene. Det er det elevene, eventuelt med hjelp av foreldrene eller andre nærstående, som gjør best Frihet til å velge hvor man vil ha sin egen skolegang, mener Fremskrittspartiet skal være en grunnleggende rettighet for den enkelte eleven. Det er behovene til elevene som er det viktige, ikke behovene til politikerne. De private skolene vil måtte gi et tilbud ut fra det elevene faktisk etterspør. Det vil aldri være reelt at de private skolene har masse elevplasser som ikke fylles opp. Det stopper seg

ordet «privatisering», som brukes. Det er ikke snakk om noen privatisering, da det faktisk er det offentlige som skal betale den skoleplassen man eventuelt ønsker, enten det er en privat skole eller en offentlig

er rammen for en studiespesialiserende plass og ikke en yrkesfaglig plass. Så jeg greier ikke å se at de to tingene kan settes opp mot hverandre. Til syvende og sist handler det om at man ikke kan få betalt for en elev som ikke eksisterer. Det er jo sånn at alle må dimensjonere. Både de offentlige og de godkjente friskolene må dimensjonere etter hvor mange elever som faktisk er tatt inn på skolen. Det er ikke noe urimelig i Så jeg greier ikke å se hvordan man gjennom vedtatt kapasitet kan si at da har man på en måte en beskyttelse. Nei, man har ikke noen beskyttelse. Det vil faktisk være søkningen som avgjør hvorvidt man har et økonomisk grunnlag for å drifte innenfor den mulige kapasiteten man har fått tildelt som friskole. Derfor mener jeg at resonnementet til bl.a. Lysbakken svikter fullstendig, fordi han verken tar inn over seg at studiespesialisering er et langt rimeligere tilbud enn yrkesfaglig utdanning, eller at elevene faktisk er nødt til å bli tatt inn på den skolen for at man i det hele tatt skal kunne motta støtte. Jeg mener også helt klart at ja, man har fritt skolevalg i de aller, aller fleste fylkene i Norge, for selv de som ikke har fullstendig fritt skolevalg i et helt fylke, har ofte delt fylket sitt inn i skoleregioner. Det har de også gjort i Troms. Det er ikke sånn at det bare finnes én skole med studiespesialisering i Tromsø-regionen, eksempelvis. I så måte vil elevene selvfølgelig også fritt innenfor disse regionene kunne velge fritt mellom de utdanningsprogrammene
Neste taler er

ned. Da kan vi snakka om valfridom – om at dette skal regulerast nærmast som i ei rein marknadsregulering, og vidare at fylkeskommunen som skuleeigar ikkje skal bry seg og ikkje sjå på dette og gjera vedtak. Da kan ein forstå det slik at det ikkje er bruk for ein skulebruksplan i det heile. Representanten Lill hadde eit innlegg om at det her er snakk om elevane og ikkje politikarane sitt val, og at lovverket ikkje står i vegen for noko som helst. Men eg vil jo tru at både Høgre, Framstegspartiet, Venstre og Kristeleg Folkeparti er einige i at ei godkjenning ikkje skal givast dersom godkjenninga får negative konsekvensar for det offentlege tilbodet. Men dei synest altså det er heilt greitt at ein i det at ein i det vidare forløpet ikkje skal ha verktøy som gjer at utviklinga av skuletilbodet får konsekvensar for det offentlege tilbodet på Rubbestadneset, på Fitjar og i Austrheim, fordi dei private som har fått ha godkjenning til evig tid dersom dei ikkje bryt lova, tar for mykje utbyte, for mykje betaling eller gjer andre ting som er direkte lovstridige. Representantforslaget frå SV er endra frå det vart fremja, og det er ei veldig viktig endring, for no vert dette kopla mot ein skulebruksplan. Skulebruksplanen for Hordaland, som eg har med meg her, varer frå 2016 til 2030. Da å skriva i ein merknad at dette er «uforutsigbart» for dei private – eg vil jo tru at når private får ei slik godkjenning til ei sikker inntekt, så er det ikkje «uforutsigbart», det er svært føreseieleg, og ikkje minst er det rettferdig overfor elevane. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 3. Etter ønske fra kirke-, utdannings- og

og et forslag om å innføre en ordning som sikrer elever på 1.–10. trinn minst én times fysisk aktivitet hver dag, innenfor rammene av dagens timetall. Dette er en sak som har vært diskutert flere ganger de siste årene, sist i Dokument 8:59 S for 2013–2014. I forrige periode var dette tema hele fire ganger i ulike varianter. Dette er således ikke noen ny problemstilling for Stortinget. Men det er et viktig tema. Ifølge Folkehelseinstituttet er 16 pst. av alle norske tredjeklassinger overvektige. Overvekt og fedme er en alvorlig utfordring for folkehelsen. Det er ingen som kan betvile at det er en sammenheng mellom fysisk aktivitet og god helse. Komiteen er også tydelig på at skolen spiller en viktig rolle med å utvikle holdninger og gode aktivitetsvaner og å jevne ut sosiale forskjeller i levevaner og helse. Fysisk aktivitet i barndommen legger grunnlag for mestring, trivsel og helse senere i livet. Det er gode muligheter for fysisk aktivitet i skolen innenfor dagens rammer. Flere skoler i landet har vist at det er mulig å få til fysisk aktivitet hver dag uten at dette medfører store kostnader, og uten at det går ut over innsatsen i andre fag. Noen eksempler på dette er uteskole, en lengre pause midt på dagen, samarbeid med lokale idrettslag osv. Komiteen har også merket seg Folkehelseinstituttets barnehelserapport, hvor det

Så skal det også nevnes at de politiske partiene nå er i full gang med å utarbeide program for neste stortingsperiode. Man skal slett ikke se bort fra at dette er et tema som også kan dukke opp i den sammenheng. For Venstres del har det vært avgjørende at det er satt i gang et prosjekt som det er naturlig å hente erfaringer fra, før man eventuelt iverksetter politiske vedtak om ytterligere tiltak. Vi er godt kjent med at det er vesentlige positive effekter knyttet til folkehelse, og at man kanskje også har læringsutbytte av økt fysisk aktivitet i skolen, men behandlingen tidligere her i Stortinget viser at det er stor usikkerhet ved valg av modell, ved konsekvensene for øvrige fag og om budsjettkonsekvensene. En gradvis innføring, som dette representantforslaget tar til orde for, En gradvis innføring, som dette representantforslaget tar til orde for, er en forsiktig tilnærming. Men i en situasjon som den vi er i nå, der vi venter på mer kunnskap, mener vi at det er rett å vente på den, og det er det vi nå legger opp til. Så vil jeg også legge til for Venstres del at i utgangspunktet mener vi at dette er et område der skolene ved skoleeier og skoleledelse bør ha mye å si når det kommer til hvordan fysisk aktivitet skal organiseres. Det finnes mange lokale muligheter for å realisere økt fysisk aktivitet uten at det rammes inn i nasjonale føringer på timetall, og det ser vi også mange eksempler på rundt om i landet. Vi vet at regelmessig fysisk aktivitet er nødvendig for normal vekst og

Mennesker er skapt for bevegelse. Men det skjer noe når barn begynner på skolen. Allerede som 9-åringer er det kun to av tre som er i aktivitet i ca. en time per dag. Som 15-åringer er det kun halvparten som oppfyller minste anbefalte aktivitet på én time per dag, og jentene er mindre aktive enn guttene. Mangel på aktivitet gjør oss syke. pst. av nordmenn dør av kroniske livsstilssykdommer som diabetes, hjerte- og karsykdommer, kreft og kols. Fysisk aktivitet kan forebygge og redusere de negative effektene av helseutfordringene. For de fleste gir det økt livskvalitet. Ingenting er så godt for helsen som fysisk aktivitet. Å være aktiv har større effekt enn å slutte å røyke Skolen er en god arena for helsefremmende arbeid og skaper gode vaner med å stimulere til daglig fysisk aktivitet. Det vises i innstillingen til hvor mange ganger Stortinget har behandlet forslag om mer fysisk aktivitet for barn og unge, men det kommer stadig ny kunnskap og nye anbefalinger som dokumenterer at utviklingen går i feil retning. Det er bred politisk enighet, som også saksordføreren var inne på, om Uenigheten går på hvordan og hvor raskt det skal innfases. Det å gå eller sykle til skolen og aktivitetstilbud i nærmiljøet er enkle og gjennomførbare tiltak dersom skole og foreldre samarbeider. I tillegg til at det gir daglig fysisk aktivitet, er samspillet på skoleveien med og utvikler sosiale ferdigheter. Vi registrerer også i dag at når helseministeren legger fram sitt forslag om ungdomshelseplan, begynner han hele innlegget med hvor glad han er i å sykle, og en oppfordring til mer sykling. Tidligere nasjonal transportplan hadde en nasjonal målsetting om at 80 pst. av barn og unge skulle gå eller sykle til skolen, men det har vært en overraskende tung sak å kjempe for. Det er tydeligvis mer status å markere seg på en ny vei enn trygge skoleveier. I dag blir faktisk flere kjørt til skolen enn noen gang. Jeg viser også til det Jan Åge Fjørtoft-ledede utvalget som regjeringen har satt ned om Statlig idrettspolitikk inn i en ny tid. Utvalget kom med sin rapport 8. juni, og den tydeligste anbefalingen var å satse mer på bredde og fysisk aktivitet som når ut til alle. De anbefaler regjeringen å ta et mer samlet og helhetlig ansvar for å De anbefaler faktisk å lovfeste 60 minutter daglig fysisk aktivitet for alle elever. De mener videre at skolen må ha kompetanse på fysisk fostring. Det gjelder utforming av både ute- og inneareal og tilrettelegging for lystbetont aktivitet som bygger grunnleggende ferdigheter. Et eksempel er viten om at skjelettets fasthet og soliditet bygges opp i puberteten, og at hopping har svært positiv effekt på styrking av skjelettet. Derfor all honnør til Nasjonalforeningen for folkehelsen, som hvert år i april inviterer alle på 4.–7. trinn til hoppetaukonkurranse. For Arbeiderpartiet er det viktig at barn får en blanding av organisert fysisk aktivitet og fri lek. Men for å få best effekt for alle barn må barnehager og skoler få økt kompetanse om fysisk Når vi vet at helse er den faktoren som har størst effekt på sosial ulikhet, at fysisk aktivitet er det som påvirker helsen mest gjennom hele livet, at det er en tett sammenheng mellom inaktivitet og økende forekomst av livsstilssykdommer, og at regjeringen i sitt eget strategiutvalg for Statlig idrettspolitikk inn i en ny tid, ledet av Fjørtoft, anbefaler lovfesting av én times fysisk aktivitet, hvorfor da vente på noen forsøkskommuner? Hvorfor ikke tørre å ha større ambisjoner med å gi alle barn en god start og gå for en mer offensiv innfasing av én times fysisk aktivitet allerede i dag? Hermed fremmer jeg det forslaget Arbeiderpartiet står bak. Representanten Ruth Grung har tatt opp det forslaget som hun refererte til.

Vi ser en del bekymringsverdige utviklingstrekk, særlig at flere unge sitter mer stille, og at flere spiser usunt eller spiser uregelmessig. Det er også, selv for meg som representant for Høyre, som ikke kommer til å gå inn for det forslaget Arbeiderpartiet i dag fremmer, innlysende at det å spise sunt og det å være i fysisk aktivitet også henger sammen med hvor godt man klarer å lære eller ta til seg informasjon. Det tror jeg alle kjenner enten fra skole eller fra arbeidsliv. Så er det slik at skolens oppdrag først og fremst er å lære elevene våre de grunnleggende ferdighetene, i tillegg til at barna og ungdommene skal lære for forskjellige utdanningsretninger og legge grunnlaget for resten av livet. Noe av det som skolene sier til oss hver gang vi er ute for å snakke med dem, enten det er rektorer eller lærere eller andre yrkesgrupper som jobber i skolen, er at vi kan ikke være alt for alle. Det er ikke gitt at alle samfunnsproblemer kan løses ved å øke timetallet eller innføre et nytt fag eller lovfeste en ny rettighet inn i skolehverdagen. Norge er i tillegg et stort land med veldig forskjellige skoler. Vi har noen svært små skoler, og vi har noen veldig store skoler i de store byene. Det er ikke sikkert at det å tilrettelegge for én times fysisk aktivitet vil være like enkelt på alle skolene. På noen skoler vil man ha en skog rett utenfor skolegården, andre har skolegården midt i sentrum av en by, og det er flere tusen elever som går der. Forslaget innebærer altså at man skal innføre én times fysisk aktivitet gradvis i skolen. Og som en liten visitt til representanten Ruth Grung, som var offensiv på vegne av Arbeiderpartiet i denne saken: Vel, det var ikke slik at vi så noe til dette da Arbeiderpartiet hadde ansvaret for å styre landet. Men enda viktigere: Det er ikke slik at man bare kan foreslå dette i ord, det koster også penger. Det er ingen partier meg bekjent, i hvert fall ikke Arbeiderpartiet, som har budsjettert med kostnaden det vil innebære å innføre én times fysisk aktivitet. Jeg går ut fra at Arbeiderpartiet ser for seg at det på sikt skal være med det på sikt skal være med faglærte gymlærere, og at det skal settes av tid til å forberede den undervisningen de skal ha hver dag. Kostnadsanslaget for et slikt forslag er 5,6 mrd. kr. Det betyr igjen at da er dette en prioriteringsdiskusjon: Er det det man skal budsjettere med? Hvordan kan man på den ene siden problematisere alle disse tingene, samtidig som jeg erkjente i starten av innlegget at jeg er enig i at fysisk aktivitet er viktig, og Jeg tror at vi må – i likhet med det regjeringen også har lagt frem både i sin regjeringserklæring og i handling i samarbeid mellom Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet – jobbe med forskjellige måter å få mer fysisk aktivitet på. Vi har Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet i Bergen, som nå koordinerer de forskjellige tiltakene som gjøres innenfor den offentlige skolen. Her er det mange forskjellige måter å jobbe på, som jeg synes alle er spennende og ingen burde avvises. Da er det heller ikke gitt at den store løsningen er å bevilge godt oppunder 6 mrd. kr, for så å utvide timetallet, for så å ansette såpass mange faglærte. eksempel er det slik at frivilligheten kan være en kjempeviktig aktør for å sørge for at flere barn og unge får mer fysisk aktivitet. Det er ingenting i veien for at det lokale eller idrettslaget kan komme til storefri og være med der og arrangere turneringer og konkurranser for elevene. Det går også fint an for skolene å si klart fra at det er ikke lov til å være inne i friminuttene, man skal være ute, og det skal være lærere som er ute og passer på elevene. De kan like godt også organisere en fotballkamp eller noe annet som engasjerer elevene. Til slutt: Det er jo slik, som saksordføreren også påpekte, at det er to forskjellige mindretallsforslag. Kristelig Folkeparti og Senterpartiet har – helt riktig – påpekt at de ønsker at dette skal gjøres innenfor dagens timetall. Det er en tankegang som jeg tror jeg på vegne av Høyre kan si at vi også har langt mer sympati for, at dette kan gjøres nettopp innenfor den skolehverdagen man har. I tillegg til friminuttene kan også mye av undervisningen faktisk gjøres ute i naturen eller gjennom fysisk aktivitet på andre måter. Mitt poeng er at dette forslaget kan vi ikke gå for, simpelthen fordi det ikke er satt av penger til å gjennomføre det, men det er samtidig slik at det er mange måter å organisere det på. Barn og unges fysiske aktivitet og sunn mat henger veldig godt sammen med den læringen de oppnår. Først vil jeg takke saksordføreren for et godt samarbeid og en god gjennomgang av saken. Fremskrittspartiet er

sammen, som tydelig viser det positive utbyttet som fysisk aktivitet gir på både kort og lang sikt. Dette er også grunnen til at Fremskrittspartiet tidligere har fremmet et eget forslag om fysisk aktivitet i skolen. Jeg synes det er verdt å merke seg at alle partier er opptatt av å sikre dette, selv om vi har ulike veier til målet. I dag er 16 pst. av alle norske tredjeklassinger ifølge Folkehelseinstituttet overvektige, og overvekt og fedme blant barn og unge er en alvorlig utfordring for folkehelsen. Fysisk aktivitet bidrar til å fremme god helse og redusere risikoen for helseplager både i oppveksten og som voksen. Vi høster av det på lang sikt. En samlet komité mener at skolen er en viktig arena for tiltak for økt fysisk aktivitet blant barn i Fremskrittspartiet synes det er meget bekymringsfullt at helseplager knyttet til inaktivitet og fedme er sterkt økende. Dagens 15-åringer er mer stillesittende enn den gjennomsnittlige 70-åringen, og barn og unges tid brukt på fysisk aktivitet er drastisk redusert. Testresultater i kroppsøvingsfaget i skolen og i Forsvaret viser nedgang i den fysiske yteevnen for barn og ungdom. Sammenhengen mellom inaktivitet og dårlig helse er signifikant, og vi må faktisk ta ansvar for å gjøre noe med denne utviklingen. Regjeringens politiske plattform ser på fysisk aktivitet som så viktig at det omtales i et eget punkt. Der sies det at regjeringen vil legge til rette for at skolen sikrer daglig fysisk aktivitet for elevene. Fremskrittspartiet vil også vise til at det er i ferd med å igangsettes et forsøk over tre år på et utvalg av ungdomsskoler for å studere virkningene av mer fysisk aktivitet og/eller kroppsøving på bl.a. læring og helse, og at dette forsøket skal avsluttes i 2018, med en delrapport sommeren 2017. Forsøket baseres på en forskningskartlegging som Norges

lærerne også er med på dette. Det er en viktig faktor for å få til økt fysisk aktivitet. Som sagt er mange skoler allerede godt i gang med fysisk aktivitet. Et veldig godt eksempel på det er Tastaveden skole, som høsten 2013 satte i gang et prøveprosjekt for alle elevene på 8. trinn: FYSAK, fysisk aktivitet hver dag og studietid to dager i For å få dette til har trinnet omorganisert skoledagen sin, slik at det ligger en økt med fysisk aktivitet for alle i 8. klasse fra kl. 10.25 til kl. 10.55 hver dag. Det er rett før spising, noe som gjør at lysten på lunsj er sterkere til stede enn den ellers ville vært. Resultatene av dette forsøket er veldig gode: Elevene er positive, en ser at elevene får nye venner, klassemiljøet styrkes, læringsutbyttet økes, og helsen blir bedre. Det finnes enda flere gode eksempler på at det rundt i Skole-Norge er kreative og dyktige lærere som finner gode løsninger for fysisk aktivitet, og Fremskrittspartiet vil jobbe for at de ulike modellene for mer fysisk aktivitet blir mer kjent og mer utbredt. utbredt. At dette er mulig å gjennomføre uten å øke de statlige utgiftene formidabelt, er også viktig å få fram.

Det var kanskje noen som følte at de satt litt for mye stille i hverdagen, og kanskje var det noen som så at en for passiv og stillesittende livsstil ikke var helt heldig verken for kropp eller sjel. Men det varierer nok litt i hvilken grad stortingsrepresentantene faktisk benytter seg av de flotte treningsmulighetene som vi har her på huset. Men det er en ting som ikke har forandret seg, og det er at vi fortsatt snakker om betydningen av fysisk fostring her i stortingssalen. Og er det en ting vi har snakket om mange ganger de siste årene, er det at barn er for lite aktive, og at det er viktig å legge til rette for mer fysisk aktivitet i skolen. Flere av partiene har byttet på å fremme forslag om mer fysisk aktivitet i skolen, og den ene representanten etter den andre har gått opp hit på talerstolen for å fortelle hvor viktig det er at ungene får beveget seg Men selv om alle synes det er fryktelig viktig, klarer vi aldri å få flertall i Stortinget for at det skal legges til rette for minst én times fysisk aktivitet på skolen for alle barn, hver dag. Vi fortsetter å snakke om det, men vi velger gang på gang ikke å gjøre noe med det. Det er et problem at barn i Norge, med unntak av de aller yngste, er for lite aktive. Det får konsekvenser. Det får konsekvenser. Det får konsekvenser for helse og for trivsel, og det er god grunn til å tro at det også får konsekvenser for barnas læring. Jeg tror nok det er mange som vil kjenne seg igjen i det at hvis man er litt mer i aktivitet og bruker kroppen litt, har det en effekt både på humør og på konsentrasjonsevne. Det gjelder nok ikke bare for politikere med lange møtedager. Det gjelder også for skolebarn med lange skoledager. Og siden representanten Torgeir Knag Fylkesnes fra SV ikke er i komiteen lenger, får jeg nesten si det han alltid pleide å si i disse debattene, nemlig at hjernen er ikke alene, hodet og kropp henger sammen. Men det er ikke en ekstra gymtime hver dag vi trenger. Det vi trenger, er ganske enkelt en bevissthet i skolen om at man kan legge til rette for at elevene får rørt litt på seg og brukt kroppen i løpet av skoledagen. Det trengs nå som barna bruker mer tid på skolen enn noen gang før. Og vi vet at det går an. I Drammen har bystyret allerede innført én times daglig fysisk aktivitet for alle skoleelever, og erfaringene er gode. I fjor besøkte jeg Danvik skole i Drammen sammen med Linda Helleland, som nå er kulturminister, og fikk se hvordan de har klart å innlemme fysisk aktivitet i skolehverdagen der. Mye av undervisningen var flyttet ut i skolegården. Elevene måtte løpe fra post til post for å løse matteoppgaver. De hadde ordstafetter der de også øvde på å lese, og de øvde på staving mens de hoppet tau, bokstav for bokstav. Naturfagtimene var ofte flyttet ut i naturen. Lærerne var litt skeptiske til å begynne med og lurte på om dette kom til å fungere i praksis. Men det har fungert, og resultatene har så langt vært gode. Det har ifølge lærerne jeg snakket med, gitt mer opplagte og mer motiverte elever. Det er i hvert fall ingen tvil om at det å aktivere elevene fysisk også vil ha positive helseeffekter på sikt. Jeg håper at Stortinget nå endelig kan samle seg om et forslag om å sikre skolebarn mer fysisk aktivitet. Forrige gang forslaget var oppe, var det Venstre som sikret regjeringspartiene et flertall mot forslaget. Jeg har sett at representanten Iselin Nybø har uttalt at hun er skeptisk til å utvide timetallet fordi hun mener det blir for dyrt. Det er jeg helt enig i, men det er heller ikke nødvendig. Jeg håper derfor at Venstre denne gangen vil støtte det forslaget som Kristelig Folkeparti fremmer sammen med Senterpartiet, om å innføre én times fysisk aktivitet hver dag, innenfor dagens timetall. Med det tar jeg opp forslaget som Kristelig Folkeparti står bak sammen med Senterpartiet. Representanten Anders Tyvand har tatt opp det forslaget han refererte til. Samanhengen mellom fysisk aktivitet og helse er

Dei nasjonale måla for folkehelsearbeid i Noreg er at Noreg skal vera blant dei tre beste landa i verda som har lengst levealder, at befolkninga skal oppleva fleire leveår med god helse og trivsel og reduserte sosiale helseforskjellar, og at vi skal skapa eit samfunn som fremjar helse i heile befolkninga. Stortinget har også sett mål om at ein skal redusera førekomsten av livsstilssjukdomar med 25 pst. innan 2025. Det er òg eit globalt helsemål. Auka fysisk aktivitet står heilt sentralt for å kunna oppnå desse nasjonale helsemåla. Dette krev ei brei tilnærming og innsats på tvers av alle sektorar, der både private, frivillige og offentlege aktørar deltar. Kommunane har i dag eit lovfesta ansvar for folkehelsepolitikken, og ei mobilisering i kommunane er heilt avgjerande for å løfta fysisk aktivitet lokalt. Senterpartiet meiner då at det er heilt naturleg at ein tar i bruk skulen som førebyggingsarena. I skulen når ein alle barn og unge, uansett bakgrunn og på tvers av sosiale skiljelinjer. I Noreg har både Nasjonalforeningen for folkehelsen, Kreftforeningen, Norsk Fysioterapeutforbund, Legeforeningen og Norges Idrettsforbund stått saman om kravet om å tydeleggjera skulen sitt folkehelseansvar. Dei vil ha eit klart og forpliktande mål om ein times fysisk aktivitet om dagen for alle skuleelevar på alle trinn, lagd til rette eller leia av kompetent personell. Senterpartiet har støtta dette kravet, og vi føreslo nettopp det i det representantforslaget som står omtalt i innstillinga, som vart behandla i Stortinget for ca. to år sidan. Den gongen

Senterpartiet meiner at målet om ein times fysisk aktivitet i skulen kan realiserast ved ein kombinasjon av å ta noko tid frå dei andre teorifaga og ved å gjera fysisk aktivitet til arbeidsmåte i andre fag på timeplanen, eventuelt òg ved ei mindre endring av skuledagen i jamfør forsøk og erfaringar med nettopp dette, bl.a. i Sogndal i Sogn og Fjordane. Det er òg eksempel på dette frå andre kommunar, f.eks. i Drammen. debatten her i dag registrerer eg at Venstre sin representant viser til det komande programarbeidet. Det er vi andre også veldig opptatt av, sidan Venstre er det partiet som kan skapa eit fleirtal for denne Eg er ueinig i det som vert sagt om at ein må venta på meir kunnskap. Eg synest nesten det er trist når det gjeld noko så opplagt som at fysisk aktivitet kan betra folkehelsa. At vi skal ha meir kunnskap om det, kan eg ikkje forstå. Vi veit meir enn nok. Vi Vi får kraftige oppmodingar frå Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet om at det fysiske aktivitetsnivået er for lågt, og det er klart at ein times fysisk aktivitet i skulen vil ha stor effekt. Til representanten frå Høgre som snakkar om pengar: Eg er einig i at når ein føreslår dette, må ein òg ha finansiering. Difor har vi

Det er helt avgjørende at barn og unge får beveget seg mer. Det er for øvrig også helt avgjørende at barn og unge spiser sunt for å legge til rette for en god folkehelse i framtiden. Sånn sett kan dette være en ufattelig verdifull investering i framtidig folkehelse og kan spare samfunnet for store utgifter til reparasjon senere i disse barnas liv. Så dette er et folkehelseforslag. Det er dessuten et sosialt utjevningsforslag, fordi vi vet at nettopp bevegelse og sunt kosthold er noe som er sosialt svært skjevt fordelt i vårt samfunn, som igjen i det lange løp bidrar til de veldig sosialt skjeve statistikkene over levealder i landet vårt. SV ønsker å utvide timetallet i grunnskolen og på den måten gi plass til bl.a. fysisk aktivitet. Det er en del av vår heldagsskolevisjon. Vi mener det er på høy tid å ta noe av den tiden som i dag ligger i bl.a. skolefritidsordningen, og legge den inn i en gratis, god og inkluderende skoledag for alle barn. Da vil det bli rom for fysisk aktivitet i hele skoleløpet.

En suksessfaktor – sier de selv – er at de har integrert fysisk aktivitet i undervisningen. De kaller det ikke lenger fysisk aktivitet, men aktiv læring. Det besøket ved de skolene viste hvordan man kan bruke bevegelse til å lære ungene mer matte, norsk og engelsk. Man lager mattestafetter der ungene gjennom fysisk aktivitet repeterer det de har lært i timene. Det oppsummerer lærere og forskere der som viktig for at ungene skal lære mer. Det er egentlig logisk, for jeg tror at alle vi som jevnlig er i nærheten av unger, ser at hvis man får beveget seg, så får man konsentrert seg bedre. Blir man satt i litt nye situasjoner, fungerer hjernen vår sånn at man gjerne lærer mer av det enn om det bare er den samme klasseromssituasjonen hele tiden. Vi vet dessuten at når bevegelse kan bidra til konsentrasjon i løpet av en lang skoledag, kan det også være en del av svaret på en stor utfordring vi har med alle de ungene – ikke minst de mange guttene – som sitter urolig i norske klasserom og ikke klarer å konsentrere seg om undervisningen, og som i den andre enden av skoleløpet ofte er de som faller fra. En mer variert skoledag er en veldig viktig del av svaret på hvordan vi skal sørge for at alle unger, at alle unger, med alle sine ulike forutsetninger, mestrer skolen og klarer å fullføre. Vi ønsker oss en skoledag der dette med aktiv læring er integrert, for det vil bedre læringseffekten i skolen, og det vil sørge for at flere elever kan lære, ut ifra en erkjennelse om at unger lærer på ulike måter. Så høyresidens forsøk på å si at dette ikke er så viktig, for det har ikke noe med læring å gjøre, mener jeg er grunnleggende galt og viser igjen hvor smalt kunnskapssynet som styrer denne regjeringen og høyresidens skolepolitikk, er. Fjørtoft-utvalgets innstilling er én av mange anbefalinger vi får fra eksperter om å gjøre det som er hovedinnholdet i dette forslaget. Tiden er moden for et folkehelseløft av denne typen og et læringsløft av denne typen. Men den voteringen vi får i dag, understreker jo igjen at selv om tiden er moden, kommer ikke en innføring av mer aktiv læring i skolen til å komme under det borgerlige flertallet, men vi har en gyllen anledning til å

På den måten er det også viktig for hva elevene kan i skolen. Så jeg er glad for at man bidrar til å rette søkelyset mot fysisk aktivitet i opplæringen. Men det er også viktig å minne om at det ikke er slik at – og flere har vært innom dette poenget – hvis ikke Stortinget vedtar det, så skjer det ingenting. Det er et stort lokalt handlingsrom i skolen som kan bidra til at elever blir mer aktive og utvikler gode vaner, og som veldig mange bruker. Det er mange skoler og kommuner som legger til rette for daglig fysisk aktivitet for elevene, kanskje særlig på barne- og mellomtrinnet. De utnytter det handlingsrommet de har, til å disponere tid, de integrerer fysisk aktivitet i andre fag, de utnytter midttimer, friminutt og utedager, og de legger til rette for en aktiv skolevei. Det er bra, det må fortsette, det burde bli enda mer av det, og det er erfaringer som burde komme flere skoler til nytte. Det er også et greit signal til lokalpolitikerne om at man ikke behøver å vente på at Stortinget skal vedta én time fysisk aktivitet i skolen hver dag for alle klassetrinn. Man kan starte med å si: Hva kan vi gjøre her? Dagens omfang av obligatorisk tid til kroppsøving og fysisk aktivitet er i snitt 2,1 time per trinn per uke på hele barnetrinnet og 2 timer per trinn per uke på ungdomstrinnet. Hvis man skal gå for en timetallsutvidelse til fysisk aktivitet, krever det en grundig gjennomgang og vurdering av ulike løsninger for gjennomføring, på kortere og lengre sikt, og det koster mye penger å utvide timetallet. er én ny uketime med fysisk aktivitet på ungdomstrinnet kostnadsberegnet til rundt 200 mill. kr der det er lærerlønn, inkludert kompensasjon for forarbeid og etterarbeid, eller alternativt rundt 80 mill. kr hvis man ikke skal ha noen kompensasjon for forarbeid og etterarbeid, altså at man regner med at det ikke trengs noe planlegging i forkant eller vurdering i etterkant. Dersom vi snakker om én time fysisk aktivitet hver dag for alle elever på alle trinn, får vi en totalkostnad på rundt 2,4 mrd. kr, uten kompensasjon for forarbeid og etterarbeid. Forslag med så store konsekvenser krever at spørsmålet blir utredet. Kunnskapssenter for utdanning har hatt ansvaret for å utarbeide en kunnskapsoversikt over fysisk aktivitet i skolen, som snart publiseres. Den foreløpige rapporten synliggjør behovet for flere randomiserte, kontrollerte forsøk som kan undersøke effekten av fysisk aktivitet på læringsutbytte og læringsmiljø. Men igjen: Man behøver ikke å vente på dette for å utnytte de mulighetene som er der i dag for fysisk aktivitet i skolen, og som mange kommuner og skoler gjør. sette i gang et forsøk på et utvalg av ungdomsskoler for å studere virkningen av mer fysisk aktivitet og/eller mer kroppsøving på fysisk og psykisk helse, læringsmiljø og læring. Det vil gi oss litt mer håndfast kunnskap om hvordan dette kan påvirke læringen. Forsøket skal settes i gang i løpet av høsten og skal innrettes slik at en kan studere effekten av mer fysisk aktivitet og mer kroppsøving på læring, fysisk helse, psykisk helse og læringsmiljø. Det skal gå over tre år. Ungdomsskoleelevene vil få om lag fire timer med fysisk aktivitet og kroppsøving i uka. Utprøvingen på pilotskolene skal foregå i perioden fra høstferien 2016 til vinterferien 2017 og deretter en randomisert, kontrollert studie i skoleåret 2017/2018. Det kan være et viktig grunnlag for å vurdere det videre arbeidet med både kroppsøvingsfaget og fysisk aktivitet i skolen. Men tilbake til det som er mitt hovedpoeng: Det finnes store lokale muligheter i dag til å ha mer fysisk aktivitet i skolen. Alle forstår og alle er for at barn og unge må bevege seg mer, og skoledagen i dag kan, med litt godt lokalt arbeid, legge til rette for langt mer fysisk aktivitet, f.eks. ved at man bruker de timene som er, til å kombinere fysisk aktivitet med god undervisning.

stor interesse for at man setter fokus på fysisk aktivitet, men samtidig er det store forskjeller mellom skolene. Det som er ønsket og intensjonen i Arbeiderpartiets forslag, er en systematisk kunnskapsbasert politikk, der man løfter for samtlige elever. Spørsmålet er om statsråden er enig i representanten Asheims kommentar om at en slik innfasing

men én time på hvert eneste klassetrinn i uka, blir det rundt 2,5 mrd. kr. Det er klart at man kan velge en modell der man ikke bruker faglærte, altså ikke bruker lærere, men bruker andre, og ikke har noe for- og etterarbeid, da blir det selvfølgelig billigere. Man kan også velge en modell som den Senterpartiet og Kristelig Folkeparti skisserer, hvor man skal pålegge én times fysisk aktivitet, men sier at det Jeg har sympati for forslaget, men mener at det er litt unødig detaljstyrende, rett og slett fordi skolen har mulighet i dag til å bruke en matematikktime, gjøre den aktiv og spennende og ha fysisk aktivitet i den timen, og gjøre det på en måte som gjør at elevene får brukt både kroppen og hodet.

I et dokument som ble lagt fram i morges, står det: «Regjeringen vil legge til rette for at skolene sikrer daglig fysisk aktivitet for elevene. Skolen favner alle barn og unge og kan derfor gi alle elever gjennom tilpasset opplæring mulighet til fysisk aktivitet.» Dette er ungdomshelseplanen til regjeringen. Her sier disse statsrådene under «Tiltak» på side 23: «Regjeringen vil legge til rette for at skolen sikrer daglig fysisk aktivitet for elevene.» Er det slik at dette, ifølge representanten Asheim, koster 6 mrd. kr., eller kan statsråden si, som det ligger implisitt i Arbeiderpartiets forslag, at det er mulig å gjøre det på ulike måter? Hvorfor vil han ikke være med på å vedta det i stortingssalen, som han for noen få timer siden gikk inn for i en handlingsplan? Er det slik at denne handlingsplanen har gått ut på dato, bare tre timer etterpå? Det er vel snarere slik at det er unødvendig å vedta noe i Stortinget tre timer etterpå når det står i en handlingsplan.

å innføre nye timer til fysisk aktivitet, kommer det til å koste penger. Flere timer koster penger. Så må man ta valget: Skal dette være ufaglærte eller faglærte, skal man betale lærerlønn, eller skal man betale en annen type lønn? Skal man ha for- og etterarbeid knyttet til dette, eller ikke? Nå utarbeider vi et bedre kunnskapsgrunnlag, men det aller viktigste vi kan gjøre på kort sikt, er å få enda bedre er å få enda bedre frem hvilket stort handlingsrom det er. Jeg er sikker på at alle representantene i denne salen har vært på skoler som har mye fysisk aktivitet i skolehverdagen. De bryter ikke loven. Dette er veldig oppsiktsvekkende, for statsråden sier nå at Høyre ikke stemmer for forslaget fordi dette allerede er i gang og iverksatt. Det er veldig flott, synes jeg. Hvis statsråden står for det, er det naturlig for oss som er forslagsstillere, å trekke forslaget og si at synes det er flott at regjeringen nå gjennomfører det vi sier. Jeg håper at det ikke er ordet «gradvis» i vårt forslag som ødelegger statsrådens iver etter å få vedtatt dette i Stortinget. Jeg er også glad for at han sier at det trenger ikke bli gjennomført som en ekstra gymtime. Det ligger ikke her. Hvis vi hadde ønsket en ekstra skoletime, hadde vi skrevet det. Det kan være uenighet mellom SV og Arbeiderpartiet rundt dette med heldagsskole og hvordan det skal gjøres, men vi er åpne for mange ulike organiseringer for å få til fysisk aktivitet. Når regjeringen selv sier at regjeringen «skal legge til rette», betyr vel det at man ikke skal sitte og vente på at skoleeierne og skolene selv gjør dette, men at man faktisk skal sørge for daglig fysisk aktivitet. Hvis én time er for mye, kan vi gjerne starte med en halvtime eller tre kvarter. Det ligger i ordet «gradvis». Hvis statsråden igjen bekrefter at det er dette regjeringen skal innføre, er det strålende nyheter for

Det kan ikke forstås på noen annen måte enn at man ønsker nye skoletimer. Hvis man ikke ønsker nye skoletimer, er det rart at man ikke stemmer for Kristelig Folkeparti og Senterpartiets forslag, som sier at dette skal foregå innenfor dagens skoletimetall. Da burde man ha fremmet forslag om det. Mitt poeng er veldig enkelt at hvis man skal ha nye skoletimer, så koster det penger. Hvis man skal ha faglærte lærere, koster det penger. Hvis man ikke ønsker det, er det en helt ærlig sak, men da må man være klar på innholdet i hva man foreslår.
Det vi har i dag, er kroppsøvingsfaget til alle. Det er òg viktig for å sikra fysisk aktivitet til elevane. Så har det vore ein diskusjon om kroppsøvingsfaget, for det er for prestasjonsorientert, og det skulle vore gjort ei endring. Eg har besøkt ein frisklivssentral der dei hadde ei gruppe med jenter som hadde droppa ut av kroppsøvingsfaget. Det gløymer eg aldri, eg synest at det ikkje skal kunna skje. Så veit vi, det er i alle fall mi erfaring, at det framleis er for mykje prestasjonar i gymfaget trass i at det har kome nokre andre føringar. Eg vil gjerne høyra frå statsråden kva han vil gjera for å sikra at alle skular har eit kroppsøvingsfag som sikrar bevegelsesglede og opplæring i ein sunn fysisk aktivitet i staden for prestasjonar i ballspel, friluftsaktivitetar osv. Jeg er ganske sikker på at jeg ikke forstår spørsmålet. Hvis spørsmålet er hvordan vi skal sikre at alle skolene har fysisk aktivitet – ikke fysisk aktivitet, men kroppsøvingsfaget, så er det pålagt. Man skal ha kroppsøvingsfaget, det er timetall som er fordelt til det, og det skal man ha. For å være helt ærlig forstår jeg ikke helt problemstillingen når det gjelder innholdet i faget. Kroppsøving har en læreplan med kompetansemål som alle andre fag. At det er prestasjonsorientert – det vil det være. På samme måte som målet i matematikk er å løfte elevenes matematikkunnskaper, er heller ikke kroppsøving et fag hvor man skal bare oppleve glede. Man skal oppleve gleden ved matematikk og gleden ved å bruke kroppen, men man skal også ha en vurdering til slutt. Hvor god man f.eks. er i forskjellige idrettsaktiviteter, vil spille inn. Kroppsøvingsfaget er ganske unikt. Så vidt jeg vet, er det det eneste faget hvor også innsats teller med i vurderingen. Det gjør det spesielt sammenlignet med alle andre fag i skolen.

i seg selv. Jeg har egentlig to spørsmål til statsråden. Etter dette forsøket i Sogn og Fjordane, som har blitt nevnt av flere, har jeg oppfattet det slik at mange skoler ønsker å fortsette med den måten å jobbe på, for de opplever at det er positivt for elevene. Hvordan kan vi spre dette slik at det framstår som naturlig også for andre skoler å benytte seg av disse metodene? Det er det ene spørsmålet. om læringsutbytte, fysisk aktivitet og resultatet av det? Vi kan spre det på minst to måter. Utdanningsdirektoratet er jo generelt med på å spre god praksis i skolene. Vi har også opprettet Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet, som har som oppdrag å spre gode eksempler i skolene. Det som er viktig – dette er litt flisespikkeri, kanskje – er at det er full anledning til, og noe man burde benytte seg av i dagens skole, å si at i denne matematikktimen tar vi med matematikkundervisningen utendørs, og så legger vi opp til fysisk aktivitet kombinert med matematikkundervisning. Det man ikke vil kunne gjøre, er å si at man dropper matematikkundervisningen og har bare fysisk aktivitet. Men for å si det sånn: Norske lærere er såpass godt utrustet at den kombinasjonen klarer de helt fint.

Det forslaget som ligger på bordet, dreier seg om flere timer til fysisk aktivitet. Det har jeg i hele mitt svar forstått som er flere skoletimer. Hvis man ikke ønsker å tilføre midler gjennom flere skoletimer, blir det en diskusjon om fritid og den type ting – som kan være viktig og riktig, det er mye vi kan gjøre der, men ikke det forslaget det dreier seg om. Så gjør vi mye. Jeg har f.eks. nevnt ressurssenter, det er viktig – kompetansesenter, spre god praksis. Jeg tror at det å få bedre forståelse for regelverket er viktig. Vi setter nå også i gang et stort forskningsprosjekt, som nettopp dreier seg om å se på læringseffekten av fysisk aktivitet i forskjellige fag. Det kan også komme andre tiltak i kjølvannet av dette. Men det vi ikke har sagt ja til nå, er flere skoletimer øremerket til fysisk aktivitet.

Men la nå det ligge. Det blir sikkert kommentert seinere. Jeg vil også minne representanten Asheim på at den rød-grønne regjeringa innførte to uketimer fysisk aktivitet for 5.–7. trinn. Fysisk aktivitet og helse ble innført som valgfag på ungdomstrinnet, og Arbeiderpartiet har i sitt inneværende program programfestet daglig fysisk aktivitet. For Arbeiderpartiet er dette en viktig sak. Hovedårsakene til det er redegjort for på en god måte av representanten Grung. La meg bare understreke: Fysisk aktivitet fører til bedre læring, og bedre læring fører til mindre frafall. Det er ikke bare «kanskje», slik som Venstre er inne på. Dette er det mye bra forskning på, slik som flere har understreket, og som statsråden nå bekreftet. Vi kan lese i innstillinga at denne saka er behandlet i Stortinget ved flere anledninger, og det er interessant å lese tidligere forslag, innstillinger, merknader og debatter. I den forbindelse kunne det vært fristende å referere Fremskrittspartiets merknader da stortingsmeldinga På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen ble behandlet. Jeg skal la det ligge, men jeg kan minne om at de da fremmet forslag om å innføre én times fysisk aktivitet hver dag for elever i grunnskolen. Og i debatten i 2013 spurte Fremskrittspartiets representant fra denne talerstolen om hvorfor regjeringa ikke stemte for det forslaget: er det fordi regjeringa faktisk ikke ønsker mer fysisk aktivitet, eller så er det fordi forslaget kommer fra Fremskrittspartiet.» Representanten sa videre at det var skremmende at regjeringa gikk imot forslaget: «Det er skremmende fordi det med tydelighet viser at regjeringa ikke har skrupler når det gjelder å ha fagre løfter til velgerne, men ikke gjennomfører det når det kommer til stykket. Det er skremmende fordi man aktivt velger å sette ideologi foran praksis, at de setter ideologiske standpunkt og rir kjepphester framfor faktisk å føre tiltak som er til det beste for elevene. Det er skremmende fordi barns læring og trivsel i skolen blir gjort mindre viktig enn å vinne politisk gunst for velgerne.» Og til slutt, for å understreke det hele, ble det sagt: «For oss i Fremskrittspartiet er elevene viktigere enn politisk strategi og spill. For oss er læring viktigere enn ideologi.»

Når de nå tydeligvis ikke vil gjøre det, står det ikke til troende – på dette området heller. Én ting er hva de sier – som representanten Thorsen tidligere i dag – noe helt annet er hva de faktisk gjør. Alle har ansvar for egen helse, men alle har også ansvar for alles helse. Det var en ofte brukt overskrift av den rød-grønne regjeringen, og særlig av Jonas Gahr Støre da han som helseminister la fram folkehelsemeldingen «God helse – felles ansvar». Det løftet som nettopp Jonas tok for folkehelsearbeidet, trakk opp noen linjer for helsepolitikken som Arbeiderpartiet ønsker å føre videre. De gode vanene må læres tidlig, sies det. Men de unge blir født med gode vaner. Når vi ser barn i to–tre–fire-årsalderen, ser vi at de er aktive. Vi må la seksåringene få lov til å fortsette å være aktive, men også sørge for at niåringene, femtenåringene og attenåringene kan være det samme. Vi må ta vare på og videreføre seksåringens glede over å være aktiv. Derfor vil Arbeiderpartiet ha én times fysisk aktivitet inn i skolen. Som flere har vært inne på, har flere skoler i Norge allerede vist at det er mulig å få til en slik aktivitet, hver dag, uten at det betyr store innhogg i skolebudsjettet. Noen skoler har f.eks. fått på plass mer aktivitet gjennom god praktisk organisering av uteskole i ulike fag, lengre friminutt med aktivitet midt på dagen eller samarbeid med lokale idrettslag – som f.eks. i min der vi har et idrettslag som driver en idretts-SFO. Men ikke alle er så heldige at de bor i min hjemkommune. Det som er så alvorlig, er at dårlig helse går i arv. Hvor man bor, hvilken utdanning man tar og hvilken økonomi familien har, påvirker risikoen for å utvikle dårlig helse. Hvilken familie vi blir født inn i, vil med stor sannsynlighet påvirke helsen vår for resten Fellesskapet har derfor et ansvar for å gi alle en god start. Vi kan motvirke at helseforskjeller går i arv ved å bruke de arenaene der barn møtes, uavhengig av hvor de kommer fra. Det skal vi gjøre, for dårlig helse skal ikke gå i arv. Det er uakseptabelt. Å investere i barns helse og aktiviteter er kanskje noe av det lureste vi som samfunn kan bruke penger på. Derfor la Arbeiderpartiet inn 100 mill. kr i sitt alternative budsjett til en forsøksordning for kommuner som ønsker å prøve dette, og derfor fremmer vi nå forslag om én times fysisk aktivitet i skolen for alle.

at det skal «legges til rette for fysisk aktivitet», og «at det finnes ulike modeller for organisering». Det står også at det ikke «må bety store økninger i kostnader». Men ikke nok med det, i det andre forslaget som statsråden viser til, fra Senterpartiet og Kristelig Folkeparti, hva står det der? Jo, der står det: «som sikrer elever minst én times fysisk aktivitet hver dag». Det skal skje innenfor dagens rammetimetall. Hvis statsrådens tolkning av ordene «én times fysisk aktivitet hver dag» betyr å ta fra timetallet, må jo det bety at Senterpartiet og Kristelig Folkeparti da skal ta fra dagens rammetimetall – fra matematikk, norsk eller samfunnsfag – og gi til gym. Jeg har ikke hørt verken Tyvand eller andre si noe om dette. Så dette er ren vrangvilje. Og det er den måten å møte omgivelsene på som gjør at statsråden hele tiden kommer i trøbbel. Så skal vi ta fram det som står i handlingsplanen til regjeringen. Der står det: «Regjeringen vil legge til rette for at skolene sikrer daglig fysisk aktivitet for elevene.» Det er riktig at det ikke står antall minutter, verken 45 eller 60, men vi må jo anta at det kanskje er minimum 20 eller 25, slik at man rekker å bli svett. Det må bety at man tar en halv skoletime hver dag, etter Røe Isaksens definisjon. Selvfølgelig er det ikke slik, dette er bare tull. Det finnes rundt omkring i Norge mange eksempler på at man får til én times fysisk aktivitet uten å øke timetallet, uten å øke kostnadene vesentlig. Hvis kunnskapsministeren ikke kjenner til disse, bør han raskest mulig sette seg inn i det. Forskjellen når det gjelder det regjeringen sier i sin handlingsplan i morges, er at man ikke sier nøyaktig hvor mange minutter. Det skulle vært artig å få utdypet fra kunnskapsministeren hva regjeringen mener med «daglig fysisk aktivitet», om det er nok med 5 minutters hode-skulder-kne-og-tå, eller om det er mer som ligger i det, at ordet «gradvis» ikke er med – slik vi har det – og ikke «i alle deler av opplæringen». Men man må jo tro at «elevene», som det står i regjeringens handlingsplan, betyr alle elevene og ikke noen elever.

Jeg kunne ikke unnlate å ta ordet siden representanten Sønsterud spanderte mesteparten av taletiden sin på å kommentere innlegg som jeg har holdt tidligere i denne sal om fysisk aktivitet. Det var veldig å bli lagt så merke til. Men dersom Sønsterud hadde sett på andre innlegg i denne salen, hadde hun sett at representanten Thorsen har begrunnet hvorfor Fremskrittspartiet har snudd i denne saken. Det er nemlig fordi stadig flere skoler i Norge innfører dette. Lokalpolitikerne våre rundt omkring i Kommune-Norge sørger for å innføre dette

og enda mer er det tilrettelagt for, som statsråden var inne på i sitt innlegg. Så jeg må si jeg er noe mer forundret over at det ikke er litt mer konstruktivt, det som kommer. Det som jeg også holdt fram i mitt innlegg, var at for Fremskrittspartiet er det viktig å understreke muligheten som skolene har i dag til hånd, uten at vi her på Stortinget overstyrer noe som helst, at de får tilrettelegge dette på sin måte – det som er best egnet ut fra hvilken landsdel de bor i, og ut fra andre forhold som er aktuelle – for å få innført én times fysisk aktivitet. Det er

og det er ganske store forskjeller på de forskjellige ytterpunktene. Men hvis det nå er slik at Arbeiderpartiet har bestemt seg for at de ikke ønsker å innføre flere skoletimer til fysisk aktivitet, kunne det vært veldig greit å få beskjed om det, å få avklart det – for da er vi langt mer enige enn det kan se ut som i denne saken. Da er alle enige om at vi ikke skal innføre flere skoletimer til økt fysisk aktivitet, i hvert fall ikke i denne perioden, og så kan vi begynne å diskutere enda mer hvordan vi kan bygge opp under det viktige arbeidet for å få skolene til å legge til rette for fysisk aktivitet, slik mange skoler gjør i dag. Men det forutsetter at man klarer å ta et klart standpunkt og fylle forslagene man fremmer, med et innhold som er mulig å forstå for flere enn medlemmer av eget parti. Jeg føler bare behov for å klargjøre hva som ligger i forslaget Kristelig Folkeparti er med på, for jeg tolket representanten

Det er ikke det vi vil ha. Vi vil legge til rette for mer fysisk aktivitet innenfor det timetallet som er, men også innenfor den timefordelingen vi har i dag. Jeg viste da også til Drammen, hvor man har lyktes veldig godt med dette ved å innlemme mer fysisk aktivitet i norsk, matte osv. Så må jeg bare få kommentere Fremskrittspartiets snuoperasjon i denne saken. Jeg har litt problemer med å

– sett at det går an, og at det gir resultater – tvert imot bare en motivasjon til å stå enda hardere på for å få mer fysisk aktivitet til alle elever, ikke bare elevene i de kommunene som nå har vært

står bak. Eg sa i mitt innlegg at vi ser for oss ein variant av det som ein allereie har forsøk med i Sogn og Fjordane, der ein tar kanskje 5 minutt frå dei andre teorifaga og kanskje utvidar skuledagen litt, mellom 5 og 15 minutt, og så får dei dette til utan å innføra ein klokketime eller å utvida rammetimetalet. Dette vil òg kosta litt pengar, det vil kanskje kosta litt i utstyr, men det vil ikkje kosta dei mangfaldige milliardane som det har vorte sagt i saka. Når vi likevel kjem til å stemma subsidiært for Arbeidarpartiet sitt forslag, er det fordi det ikkje står eksplisitt i det forslaget at ein skal auka rammetimetalet, dette vert tilsvarande den som var for to år sidan då Senterpartiet hadde eit liknande forslag. Så vert det ein debatt opp mot kva regjeringa no har sagt i ungdomshelsestrategien. Eg la ikkje så godt merke til det, for det er nøyaktig det som regjeringa sa i regjeringsplattforma. Første gong dette stortinget, iallfall i mi tid, gjekk inn på formuleringa «ein time», time», var i samband med folkehelsemeldinga som kom frå den raud-grøne regjeringa. Det låg ikkje inne i folkehelsemeldinga, men det kom inn i merknadar frå komiteen. Det står i ein fleirtalsmerknad frå Arbeidarpartiet, Framstegspartiet, SV og Senterpartiet at det «må vurderes hvordan skoledagen kan organiseres slik at elevene sikres minst én times fysisk aktivitet hver dag». Dette vart gjentatt i i NCD-strategien, altså ein strategi for å førebyggja livsstilssjukdomar, som Jonas Gahr Støre kom med, det var nøyaktig den same formuleringa. Så vart det regjeringsskifte. Så kom regjeringsplattforma, og då fekk vi inn den formuleringa som i dag er gjentatt, om at ein skal sikra dagleg fysisk aktivitet. Eg har sagt før at då vi fekk ei ny regjering, fekk vi òg eit mykje lågare nivå og òg eit mykje lågare nivå og eit mykje lågare mål for fysisk aktivitet – fleirtalet på Stortinget gjekk vekk frå eintimesmålet, som trass alt hadde vorte sett ned i folkehelsemeldinga og i strategien. Då den nye regjeringa kom med den nye folkehelsemeldinga, var dette målet vekk, og det vert no gjentatt i ungdomshelsestrategien. Det som er håpet, er at det trass alt er eit fleirtal på Stortinget for ein times fysisk aktivitet – men ein får ikkje lov å stemma for det. Men det håpar eg at ein får lov til til slutt.

to timer i uka med fysisk aktivitet på 5.–7. trinn, fysisk aktivitet og helse ble innført som valgfag på ungdomstrinnet, og Arbeiderpartiet har i sitt program for inneværende periode programfestet daglig fysisk aktivitet og har fremmet forslag i Stortinget i tråd med det i denne perioden. Ellers er jeg enig med representanten Tyvand er jeg enig med representanten Tyvand når det gjelder Fremskrittspartiets snuoperasjon, og jeg finner argumentasjonen de nå bruker, veldig merkelig. Representanten Thorsen kan gjerne gå på denne talerstolen gang på gang på gang og forsøke å bortforklare hvorfor de nå gjør som de gjør, men det blir ikke mer troverdig av den grunn. Jeg er

mens det etter Senterpartiet og Kristelig Folkepartis forslag ikke må bety det. Så fikk vi høre her at det er litt ulike syn på dette, at Senterpartiet faktisk er åpen for å ta litt fra noen teoritimer og prøve å få dem mer praktiske, mer fysiske. Kristelig Folkeparti er sannsynligvis mer skeptisk til å ta fra det timetallet, slik Tyvand sa. Slik er det også mellom Arbeiderpartiet og SV, at SV nok er mer åpen for å tilføre en ekstra time. sier altså at «det finnes ulike modeller for organisering. Komiteen merker seg at flere skoler i Norge har vist at det er fullt mulig å få til fysisk aktivitet hver dag uten at det må bety store økninger i kostnader.» Det står altså i flertallsinnstillingen, som Røe Isaksen kunne ha tatt seg bryet med å lese, hvis han tok seg tid til det. Vi vet hva Kristelig Folkeparti mener, de har redegjort for sitt. Vi vet hva Senterpartiet mener, de har redegjort for sitt. Vi vet hva SV mener. Og Arbeiderpartiet er åpen for de fleste løsninger; det er overhodet ikke slik at det må være en ekstra gymtime. Men det som nå gjenstår, de som vi ikke vet hva mener, er regjeringspartiene. Fremskrittspartiet visste vi jo hva mente før, og de mener det kanskje fortsatt, men ikke her i salen. Mens Røe Isaksen tok ordet igjen i debatten – etter flere spørsmål om hva som ligger i dette regjeringsprosjektet om å sikre fysisk aktivitet for alle elever på skolene uten å si et eneste ord om hva regjeringen skal gjøre for å få fysisk aktivitet på skolene hver dag. Så jeg synes statsråden i løpet av denne debatten skal fortelle: Hva betyr det når regjeringen sier i sin handlingsplan og regjeringserklæring at man skal ha fysisk aktivitet på skolen hver dag? Betyr det flere timer, betyr det gymtimer, betyr det at det skal tas fra andre fag, betyr det at det skal frivillige inn – hva betyr det? Jo fortere statsråden oppdager at dette er landets nasjonalforsamling, hvor han som statsråd forklarer regjeringens politikk, og ikke Unge Høyres landsmøte, jo bedre og mer konstruktive blir disse debattene. Igjen: De færreste her mener at det må være en gymtime hver dag for å få én times fysisk aktivitet. Vi viser til at det finnes ulike modeller. Statsråden bør sette seg inn i de modellene. Men statsråden må også komme seg på talerstolen og si hva som ligger i at regjeringen selv mener at det

bedre måte til elevenes beste, bl.a. på videreutdanning for lærere. Vi ser også at det i dag er utrolig mange skoler som klarer dette selv. Tyvand viste til Drammen kommune, der dette med fysisk aktivitet veldig godt utviklet. Det er også viktig for Fremskrittspartiet at den enkelte kommune må få mulighet til å legge opp dette selv, og at den enkelte skole får sørge for å ha sitt eget opplegg. Jeg får gjenta noe av det jeg har Regjeringen går ikke inn for én skoletime, nye timer, timetallsutvidelse i denne perioden til fysisk aktivitet. Så er det helt riktig at hvis man ser på hvordan man skal gjøre det hvis man ønsker flere timer i skolen, så kan det gjøres på forskjellige måter. Det har Stortinget spurt oss om, eller det er i hvert fall naturlig at vi kommenterer på det, og det er altså et spenn fra omkring til det laveste, som ligger på mellom 1 og 2 mrd. kr. Det betyr at når vi skal legge til rette for mer fysisk aktivitet i skolen, skal vi gjøre det på samme måte som vi gjør i dag, nemlig ved at skolene gjennom bruk av skoletimene kombinerer fag og fysisk aktivitet, eller gjennom at de omorganiserer skoledagen så de får lengre tidsrom, f.eks. – som jeg sa allerede i mitt innledningsinnlegg fritimer og den type ting for å ha fysisk aktivitet der. Vi skal altså prøve med gulrot først. Vi skal bruke det nasjonale kompetansesenteret, som skal jobbe med mat, helse og fysisk aktivitet i skolen. De skal bl.a. spre gode eksempler. Vi har satt i gang et stort forskningsprosjekt som er en ren effektstudie, som skal si noe om fysisk aktivitet og hvordan det påvirker læringsmiljøet. Så har det vært forskjellige tolkninger fra forskjellige partier av hvordan man skal forstå forslagene de er inne i, og da kan det være greit å samle seg om det alle har vært enige om, nemlig at det er mulighet i dag til å få mer fysisk aktivitet i skoledagen. Det er ikke mulig, som jeg sa, å si at vi dropper matematikk for bare å ha fysisk aktivitet, men det er mulig å ta lærdom av, la seg inspirere av og bruke alle de skolene som får dette til, og alle kommunene som får dette til, som sier at i dag flytter vi matematikkundervisningen utendørs, og så har vi både matematikkundervisning og får fysisk aktivitet for elevene. Bare helt til slutt: Det er helt riktig, som det ble påpekt her, at forrige regjering jo innførte to nye skoletimer i fysisk aktivitet på mellomtrinnet,

Thorsen begrunner altså det at de stemmer imot i dag, med at det ikke var likelydende med det som Fremskrittspartiet hadde den gangen. Da må vel det bety at hvis dette forslaget var blitt fremmet i dag, hadde altså Fremskrittspartiet stemt for. Jeg synes det siste innlegget til statsråden var av langt høyere kvalitet enn de forrige, og statsråden var av langt høyere kvalitet enn de forrige, og det var veldig oppklarende, for han beskriver veldig godt hvordan det er fullt mulig å få til fysisk aktivitet på skolen hver dag. Jeg legger merke til at han misforstår «én times fysisk aktivitet» i forslaget fra SV og Arbeiderpartiet, men mener at en helt annen tolkning legges til grunn for forslaget fra Kristelig Folkeparti og Senterpartiet. Det Kristelig Folkeparti og Senterpartiet ta som en kompliment, men det er ikke en veldig konstruktiv måte å finne brede løsninger på. Det eneste vi ikke fikk svaret på, er omfanget, men jeg antar at det nå egentlig er bare «én time» som er det skjærende punktet mellom det regjeringen ønsker å innføre, og det som nå ligger til grunn i salen. Jeg konstaterer likevel at det nå er ja, det må være – enstemmighet her i salen om at det skal legges til rette for at elevene får fysisk aktivitet hver dag, og det må vi jo si, fra forslagsstillernes side, er en halv seier, i hvert fall, og et langt skritt framover hvis vi kan få dette på plass. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 4. Etter ønske fra transport- og kommunikasjonskomiteen vil presidenten foreslå at taletiden blir begrenset til 5 minutter til hver partigruppe og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

Proposisjonen tar under luftfartsformål opp utskilling av Svalbard lufthavn, under veiformål åpnes det for forlenget innkreving av lokalt finansieringstilskudd på drivstoff i Tromsøpakke 3, bevilgninger til E18 Varoddbrua i Vest-Agder, fortsatt finansiering på E 39 Rogfast, sammenslåing av Norsk vegmuseum og Norsk kjøretøyhistorisk museum og organisering av Vegtilsynet. Videre avsluttes bompengeinnkrevingen på Under særskilte transporttiltak tas det opp organisering av oppgaver i forbindelse med reiseplanlegging og elektronisk billettering. Under jernbaneformål tas ERTMS-prosjektet opp, reduserte takster for kollektivreisende utenfor takstsamarbeid og status på arbeidet med jernbanereformen. Anmodningsvedtak 52, 53, 54 og 80 følges også videre opp. Komiteen merker seg videre at departementet følger opp arbeidet med miljøkrav innenfor offentlig sektor for å sikre at nye investeringer i sektoren gjøres bærekraftig. Jeg ønsker videre å kommentere noen av sakene som tas opp i proposisjonen. Som nevnt over gir vi i dag videre tilslutning til å sikre framdrift og utvikling på flere viktige veiprosjekter i Norge. Videre gir vi tilslutning til at man nå avslutter bompengeinnkrevingen på

Jeg er videre glad for presiseringen om at dette må gjøres i samarbeid med nærliggende kommuner som må håndtere disse potensielle utfordringene. Videre er jeg glad for at vi nå kommer tydelig i gang med prosessen der vi slår sammen Norsk kjøretøyhistorisk museum og Norsk vegmuseum. Ved å gjøre dette sikrer vi at vi tar vare på viktig norsk historie og gjør den enda mer tilgjengelig for allmennheten. Det er viktig. Jeg vil også kommentere noen av de viktige prosjektene som omtales under jernbaneformål og særskilte transporttiltak. Stortinget er i dag med på å sikre at vi endelig kommer i gang med ERTMS-prosjektet. Proposisjonen foreslår at vi bevilger 26 mrd. kr til dette prosjektet. Dette er en historisk satsing – at vi endelig har en regjering og nå et storting som sikrer at vi kommer i gang med å få på plass nye signalanlegg på jernbanen. Mange år med kun et blikk på etterslepet gjøres nå om til handling og resultat. I sammenheng med dette må jeg kommentere opprettelsen av Rutebanken AS og 20 pst. rabatt på periodebilletter hos NSB utenfor takstsamarbeid. Vi får nå på plass et selskap som skal sikre et enhetlig billetteringssystem innenfor de ulike kollektivløsningene vi har, slik at vi gjennom dette skaper en mye enklere reisehverdag og fortsetter å skape gode incentiver for å benytte kollektivt. Videre forsterkes dette av at vi nå også gir rabatt til pendlere som bor i utkanten av storbyene våre. Det har tidligere vært forholdsvis kostbart, og jeg ser nå med stor glede på at vi kan ha en gulrot for å få flere til å velge kollektivtransport. De ovennevnte saker kombinert med framdriften på jernbanereformen som også tas opp i saken, gjør at vi nå er på vei mot et svært styrket jernbanetilbud. NSB lanserte for kort tid siden svært gode Dette er meget gledelig og viser at satsingen gir resultater. Nå forsterker vi dette. Avslutningsvis vil jeg bare nevne at jeg har registrert noe kritikk i Senterpartiets og Arbeiderpartiets merknader til noen av de ovennevnte saker. Jeg antar at de vil formidle dette i debatten selv, og jeg ser fram til en konstruktiv debatt. Til slutt vil jeg anbefale forslaget komiteen fremmer som IV, der vi ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en vurdering av hva det vil bety for det samlede kollektivtilbudet dersom takstdifferansen mellom NSB og kollektivselskapene
Transport- og kommunikasjonskomiteen har som vanleg på denne tida av året fått den såkalla samleproposisjonen til behandling. Det høyrest kanskje ikkje så spennande ut – men det er feil. Regjeringa legg her fram ei rekke viktige og til dels store saker for Stortinget. Dette gjeld kanskje spesielt

Tidlegare har det vore uttrykt at ein ønskte å framskunda ERTMS-prosjektet. Det er det lite spor av i stortingsproposisjonen, snarare tvert imot. Og endå verre: Ting har tydelegvis teke så lang tid at me no kan utelukka moglegheita for å installera ERTMS direkte på Follobanen og på dei nye Og når ein les korleis regjeringa arbeider med kryssinga av Oslofjorden, ja da er det nok berre konsulentbransjen som gnir seg i hendene. Ei dagsaktuell sak om den sterkt rasutsette strekninga Arna–Voss kan nemnast i same andedrag. Mens Stoltenberg-regjeringa sette i gang utgreiinga som skulle leggja grunnlaget for å velja brukte dagens regime meir enn eit år på å diskutera det som var sjølvsagt for dei fleste av oss. For det andre vert ting dyrare og dyrare i samferdselssektoren. Det gjev denne proposisjonen klare prov på. Styringsramma for ERTMS-prosjektet er no vorten på 23,4 mrd. kr, mot eit anslag på 15–20 mrd. kr. Når det gjeld erfaringsstrekninga på Østfoldbanen, aukar kostnadene også her. Varoddbrua er no på 880 mill. kr, mot 750 mill. kr i Statens vegvesen sitt handlingsprogram. I dag har me også til behandling eit par bompengeproposisjonar, og den same historia gjentek seg der. For det

Ute har samferdselsministeren selt dette som ei gladsak for bilistane. Og ja, isolert sett er det fint for dei bilistane som no slepp å betala bompengar frå august. Me må berre passa på at dei bekymringane som Buskerud fylkeskommune har når det gjeld auka trafikk i tunnelen, vert tekne på alvor. Saksordføraren var òg inne på det, og det er noko me står samla på. samla på. Det er eg veldig glad for at alle støttar. Men sjølv om statsråden prøver å framstilla dette som ei god sak, handlar det også om at regjeringa ikkje klarer å få fram eit beslutningsgrunnlag innan den fristen Stortinget har sett. Det er sterkt beklageleg. Regjeringen har lagt fram en samleproposisjon over noen samferdselssaker. Det er viktige saker selv om de varierer i både kostnad og

Det gjelder E39 Rogfast og rv. 23 Oslofjordforbindelsen. I det første tilfellet dreier det seg om et nytt prosjekt som har hatt en tillatelse til å kreve inn bompenger i ferjesambandet Mortavika–Arsvågen. Midlene skulle brukes til planlegging og prosjektering i inntil 3 år før eventuelt vedtak om bygging. Arbeidet med KS2 er startet opp, men ikke fullført. Det er derfor nødvendig å forlenge perioden med forhåndsinnkreving. Høyre støtter dette. Forhåndsinnkreving gir reduserte finanskostnader, og det er ingen alternative løsninger for dette veiprosjektet. Det andre prosjektet gjelder bompengeinnkrevingen på rv. 23 Oslofjordforbindelsen. Første byggetrinn ble nedbetalt i august 2013. Samme år ble det vedtatt å videreføre innkrevingen i påvente av å bygge tunnel 2 og for å hindre en stor økning i trafikkmengden. Nå foreslås det at det ikke søkes om forlengelse av forhåndsinnkrevingen. Høyre støtter dette. Det må imidlertid forventes at gratis passering i Oslofjordtunnelen og en sterk økning i satsene i bomringen rundt Oslo, vil føre til en sterk økning i trafikken på rv. 23. Det vil kunne sette trafikksikkerheten i fare. I inneværende år har det vært tre dødsulykker på rv. 23 – ingen i tunnelen. Sist uke omkom to personer i trafikkulykker på samme vei – en Med dette i mente forutsetter vi at en følger trafikkutviklingen nøye, slik statsråden har gjort rede for. Departementet gjør i samleproposisjonen rede for prisreduksjon på periodebilletter hos NSB AS og status for arbeidet med jernbanereformen. Dette er en oppfølging av budsjettavtalen for inneværende år. Det gjør at prisen på månedskort og årskort blir redusert med 20 pst. utenfor områder med eksisterende takstsamarbeid mellom NSB og respektive transportselskaper. Det er imidlertid et faktum at det skaper noen rariteter i områder der det eksisterer et slikt takstsamarbeid. Høyre ser et stort behov for å se nærmere på dette og viser til komiteens tilrådning IV: «Stortinget ber regjeringen i statsbudsjettet for 2017 legge fram en vurdering av hva det vil kunne bety det samlede kollektivtilbudet dersom takstdifferansen mellom NSB og kollektivselskapene – p.t. Ruter, Kolumbus og AtB – blir harmonisert.» Jeg vil i denne sammenhengen peke på at bl.a. Akershus fylke årlig bevilger betydelige midler til NSB til tilsvarende prissubsidier. Sett fra dette fylkets ståsted blir det imidlertid litt rart at det utenfor Ruter-området er staten som står for subsidiene. subsidiene. Det er litt uforståelig at et transportselskap med et driftsresultat på 2,8 mrd. kr i 2015 – hvorav 1,2 mrd. kr i NSB persontrafikk ikke har rom for å gjøre slike tilpasninger på egen hånd. Dette bringer meg for øvrig over til det neste elementet jeg vil nevne – jernbanereformen. Jernbanedirektoratet og Jernbaneinfrastrukturforetaket ble formelt etablert 1. februar 2016. Hoveddelen av de strukturelle endringene i jernbanesektoren skal være på plass 1. januar 2017. Togtrafikken blir gradvis konkurranseutsatt. Høyre er tilfreds med framdriften i denne saken. Under jernbaneformål tar departementet opp ERTMS-prosjektet. Departementet gjør rede for økte kostnader i prosjektet i forbindelse med erfaringsstrekningene og økt omfang og andre kostnader. Prosjektet innebærer at de strekningene som i dag ikke er fjernstyrt, vil bli det. Dessuten vil de eksisterende anlegg og systemer for fjernstyring bli skiftet ut. Jeg regner med at departementet ser på mulighetene for at også allerede igangsatte, nye prosjekter får ERTMS fra dag én. Innkreving av lokalt finansieringstilskudd på omsetning av drivstoff i Tromsøpakke 3, trinn 1, er en interessant sak. I Tromsø har en siden tidlig på 1990-tallet krevd inn et lokalt tilskudd på omsetning av drivstoff for å delfinansiere infrastruktur. Dette utgjør 97 øre per liter drivstoff i 2016. Denne ordningen forlenges. Det støtter Høyre. Det er kanskje verdt å merke seg at det også i andre deler av landet er vurdert om dette kunne være et alternativ til bompenger. Det er en billigere måte å kreve inn penger på. Det har imidlertid strandet på avgrensningsutfordringer

Vi merker oss også at prosjektet har en kalkulert positiv samfunnsøkonomisk netto nytteverdi. Gjennom bygging av ny Varoddbru, sammen med prosjektet E18 Tvedestrand–Arendal, er en i gang med å gjennomføre en viktig del av ny E18-utbygging på Sørlandet. Stortingsflertallet leverer hva det har lovt gjennom oppfølging av bevilgninger til viktige prosjekter som gir mer sammenhengende utbygging i landsdelen. Derigjennom legges også grunnlaget for færre drepte og hardt skadde og økt framkommelighet. Kristelig Folkeparti har vært tydelig på nødvendigheten av å etablere et veitilsyn uavhengig av Statens vegvesen. På samme måte som for jernbane og fly, er det viktig at tilsynet på vei gis en selvstendig og uavhengig rolle. Dette handler om å skape den nødvendige distanse mellom veieier og organet som skal påse at regler og forskrifter for veibygging og vedlikehold blir fulgt opp på en betryggende måte. Vi registrerer derfor med tilfredshet at veitilsynet som eget forvaltningsorgan, skal være på plass tidlig i 2017.

og tilsvarende oppgave for resten av det kollektive tilbudet høres ut som en rasjonell og på alle måter fornuftig løsning. På den måten får man et system samlet hos én aktør. Utskifting av gamle og utdaterte signal- og sikringsanlegg på jernbanen er en stor og helt nødvendig oppgave. Utrangerte anlegg er både teknisk og økonomisk utfordrende. En toghverdag med færre uønskede stopp samtidig som sikkerheten for passasjerene øker,

Det etableres tre interimsselskap gjennom en omstrukturering av NSB AS, og ROM Eiendom AS overføres til infrastrukturselskapet. For Kristelig Folkeparti er det viktig at en fortsatt har et sterkt NSB, et statlig selskap, som kan være en sentral aktør i det norske markedet. Derfor har det vært vesentlig for oss at NSB AS kan videreføres som et mest mulig samlet transportselskap, bestående av både NSB persontog, Tågkompaniet AB, NSB Gjøvikbanen, Nettbuss og CargoNet, 100 pst. eid av staten. Slik det nå ser ut, er det all grunn til å tro at NSB AS vil stå godt rustet i konkurransen om de utlyste togstrekningene. I arbeidet med å få til reduserte klimagassutslipp i transportsektoren er det positivt å registrere at Enova, etter at Transnova ble en del av Enova, har fått etablert sju programområder innen transport, hvor både offentlige og private aktører kan søke om støtte. I 2015 ble det tildelt til sammen 281 mill. kr til ulike transportprosjekter. Når nå de fire samarbeidspartiene er blitt enige om å få etablert et nytt programområde for satsing på hydrogenfyllestasjoner, kan det etter hvert rulles ut en infrastruktur som kan skape grunnlag for et marked også for hydrogenbiler, på samme måte som det er etablert for elbiler. Skal vi nå målet om 50 pst. reduksjon av utslippene i transportsektoren innen 2030, er det viktig at vi tar i bruk all ny og tilgjengelig teknologi. Det gjelder ikke bare transport på vei. Det handler like mye om fly, skip og ferger så vel som jernbane, hvor man i dag har dieseldrevne togstrekninger.

som er under utbygging, ville det være utrolig leit. Dette er viktig hvis vi skal ta i bruk det potensialet som jernbanen har, til mer gods på bane. Det er viktig for økt persontrafikk at vi greier å få på plass nye signalsystemer fort. Og det er helt nødvendig at vi greier å holde den planlagte framdriften. Jeg skulle helst sett at vi kunne gjort det raskt, for en del krysningsspor på en del banestrekninger står ubenyttet i påvente av nytt signalsystem. Så er det en merknad som Senterpartiet og Arbeiderpartiet har om kostnadsoverskridelsene på E6 Helgeland nord, og det er en bekymring vi har. Nå har noen av oss representanter møtt kommunene dette vedrører, og situasjonen er såpass krevende at Statens vegvesen vurderer å kutte i prosjektet for å komme ned på kostnadsrammen. Det er per dags dato overskridelser på 450 mill. kr, og de er nødt til å få en avklaring innen tidlig i høst for ikke å måtte begynne å ta ut delstrekninger eller ta ut trafikksikkerhetstiltak. Det var på ingen måte Stortingets intensjon da prosjektet ble vedtatt. Det er utrolig viktig at man kommer med en avklaring og en løsning som gjør at kan beholde trafikksikkerhetstiltakene som ligger der, og at man kan beholde delparsellene som lå i prosjektet, ellers vil man få store standardbrudd og fortsatt ha halvdårlige løsninger. Jeg ber intenst statsråden om å merke seg dette og prøve å finne en løsning så raskt som overhodet mulig. Representanten Rommetveit var innom flere prosjekter som er forsinket eller som man ikke har fått avklaring Et av prosjektene han ikke nevnte, og som jeg har tenkt å nevne, er E39 Rogfast og forlenging av forhåndsinnkrevingen. Der sa en samlet komité at man forventet oppstart av prosjektet i 2015. Man forventet også statlige midler til prosjektene. Jeg håper inderlig at vi får en proposisjon til Stortinget høvelig raskt, slik at man ikke forsinker framdriften enda mer at vi får en proposisjon, eller at man tar den nødvendige avklaringen i statsbudsjettet for 2017. Til sist ser jeg at man ønsker å splitte opp, bl.a. gjør man det når det gjelder Avinor. Man ønsker å etablere nye selskaper. Man følger det løpet man har fulgt i forbindelse med jernbanereformen, med oppsplitting i flere statsforetak. Jeg er veldig skeptisk til det økte byråkratiet det kommer til å medføre, og jeg tror ikke det den beste løsningen. Nå ser man under særskilte transporttiltak fra departementet at man tar opp organisering og oppgaver i forbindelse med reiseplanlegging og elektronisk billettering. Det er i utgangspunktet en veldig god sak. Stortinget har jo sagt tydelig at man ønsker sømløse reiser, men trenger man nødvendigvis å etablere et statlig selskap for å gjøre det? Jeg spør.

La meg aller først rette opp tre inkurier, hvor Venstre har falt ut av merknader i innstillingen fra komiteen. Det gjelder for det første rabatt på togreiser. Venstre fikk i statsbudsjettet for 2016 gjennomslag for å innføre en rabatt på 20 pst. på NSB-reiser der det ikke eksisterer takstsamarbeid. Venstre er glad for at regjeringen følger opp vedtaket. Reisende som bor utenfor takstsamarbeidet, eller som har lengre avstand til bykjerner, vil ha stor glede av at det nå blir rimelig å velge jernbane som transportmiddel. Venstre ser det som svært viktig å få på plass denne ordningen, slik at vi nå sikrer at enda flere kan velge en miljøvennlig reisehverdag. Venstre ønsker å utvide denne ordningen til også å gjelde der det eksisterer et takstsamarbeid, og vil komme tilbake til dette i budsjettet til høsten. Det andre gjelder nasjonalt billetteringssystem. Venstre er svært positivt til at regjeringen i proposisjonen følger opp Venstres gjennomslag for et nytt nasjonalt billetteringssystem, som vi fremmet gjennom et Venstre er enig i at salgs- og billetteringssystemer for jernbane skal framstå som like sømløse og attraktive for publikum også når det blir åpnet for konkurranse på sporet. Det vil skape en enklere reisehverdag for dem som velger kollektivtransport. Stortingets ambisjoner om at flere skal benytte seg av slike tilbud, utfylles godt av dette. Venstre imøteser at en nasjonal Det siste gjelder ERTMS-prosjektet. Mange av de gamle signal- og sikringsanleggene på det nasjonale jernbanenettet er i ferd med å passere, eller har passert, sin tekniske levetid. Det legges gjennom denne proposisjonen betydelige beløp ned i å skifte ut gamle og utdaterte signal- og sikringsanlegg på jernbane. Med et mål om at flere skal velge jernbane, er dette svært viktig for å sikre pendlere en forutsigbar reisehverdag med jernbanen. Venstre ser svært positivt på at dette arbeidet justeres. For at det ikke skal bli noe feil her – det er altså tre avsnitt i innstillingen hvor Venstre har falt ut, og skal inn – for at det skal bli helt riktig, leser jeg fra side 3 og 4 i innstillingen. Det er tre avsnitt, jeg siterer: «Under Særskilte transporttiltak tas opprettelsen av Rutebanken AS opp. Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti ser svært positivt på at det nå skal etableres et enhetlig billetteringssystem for kollektivreiser. Dette vil skape en enklere reisehverdag for de som velger kollektivtransport. Stortingets ambisjoner om at flere skal benytte seg av slike tilbud utfylles godt av dette. Under Jernbaneformål tar departementet opp saken rundt 20 pst. rabatt takstsamarbeid hos NSB. Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet, er glade for at en slik løsning nå kommer på plass. Reisende som bor utenfor takstsamarbeid eller med lengre avstand til bykjerner, vil ha stor glede av at det nå blir rimelig å velge jernbanen som transportmiddel. Flertallet ser det som svært viktig å få på plass denne ordningen slik at vi nå sikrer at enda flere kan velge en miljøvennlig reisehverdag.» Og på side 4: «Under Jernbaneformål merker komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti seg at ERTMS-prosjektet følges opp. Det legges gjennom denne proposisjonen betydelige beløp ned i å skifte ut gamle og utdaterte signal- og sikringsanlegg på jernbanen. Dette er svært viktig for å sikre en forutsigbar reisehverdag for pendlende med jernbane. Disse medlemmer ser Disse tre avsnittene skulle Venstre stått inne på, men vi står ikke inne på dem. Nå har jeg i hvert fall lest dem opp, så nå står vi i hvert fall inne der. La meg helt til sist si at forskning på og utvikling av ny miljøvennlig teknologi innenfor transportsektoren er svært viktig i omstillingen til et grønnere samfunn. Etter klimatoppmøtet i Paris er det ikke lenger tvil, og vi må jobbe mot et mål om null og en grønn transportsektor. Venstre imøteser en ambisiøs maritim 21-strategi, som proposisjonen bebuder skal komme innen utgangen av 2016. Venstre er igjen med på å sikre et flertall for miljøvennlige tiltak som sørger for at det blir enklere og billigere å velge et miljøvennlig alternativ. Da har både presidenten og sekretæren fått med seg det.
Det er unektelig noe spesielt med disse – hva skal en kalle det – hummer-og-kanari-proposisjonene som kommer om våren på transportsiden. Vi får 5 minutter hver til å diskutere hele bredden i norsk samferdselspolitikk. Det er litt knapt, men sånn er nå tradisjonen. Jeg vil si at satsingen på ERTMS er bra, og jeg har tenkt å stille et spørsmål til statsråden.

Vi tilslutter oss det som foreligger om E18, og det som gjelder Tromsøpakke 3, men vi sier nei til Rogfast i forbindelse med denne innstillingen. Jeg tar opp det forslaget som vi har fremmet i den anledningen. Jeg mener det er nødvendig å revidere synet på Rogfast i lys av klimaforhandlingene i Paris og de klimaforpliktelsene som vi har påtatt oss, og den satsingen som er nødvendig, og omprioritere samferdselsressurser mer i retning av nullutslippsløsninger. Når man ser på hele veiprosjektet ferjefritt E39, som ligger der, og på kostnadene for en del av de gigantiske fjordkrysningene som er der, må det være Er det ikke fornuftig å prioritere f.eks. E16 mellom Voss og Bergen foran krysningen mellom Os og sørover langs E39, som koster omtrent det samme? Er det ikke fornuftig å ta noen av disse titalls milliardprosjektene og heller investere i samfunnsøkonomisk mer fornuftige lyntogløsninger, enten på tvers mellom vest og øst eller mellom de største byene på Vestlandet? Mitt og SVs svar er: Jo, det er det. Vi burde ta den store omprioriteringsdebatten når vi ser kostnadene og prislappen for ferjefri E39, men jeg ser at komiteens flertall ønsker å gå videre med Rogfast, og vi kommer til å få noen spennende år når vi skal diskutere tøffe prioriteringer på samferdselssiden i tiden som kommer.

med store statlige IKT-satsinger på samferdselssiden, bl.a. på bompengeinnkrevingssiden, er ikke akkurat noe som har vært en lysende suksesshistorie. Det at vi nå bestemmer oss for å ha ett system, slik det legges opp til fra regjeringens side, gjør at i hvert fall jeg mener det er et tankekors hvorvidt dette er en fornuftig vei å gå. Men vi får bare ønske dem som skal sette i gang og gjøre det arbeidet, lykke til med arbeidet, og håpe at det blir en suksess. Vi vet fra Oslo og samarbeidet mellom NSB og Ruter at det er fullt mulig å få til dette med ulike innganger til felles systemer, men vi ser samtidig at NSB ikke har klart å løse dette rundt de andre storbyene, der det hadde vært behov for å løse akkurat det. Det var noen generelle kommentarer fra SV, vi sitter jo ikke i komiteen – og

Så registrerer jeg at det er noe kritikk spesielt fra Arbeiderpartiet, som på den ene siden sier at det brukes for lite penger, samtidig som de ikke har noen egne forslag om å bruke mer penger. I finansdebattene får vi stort sett kritikk for at vi bruker for mye penger. Det er vel derfor det heller ikke ligger forslag om å bruke mer penger, en vil egentlig bare skape misnøye. Det tar jeg med ganske stor ro. Alt i alt er de tingene som regjeringen holder på med, godt i rute. Vi ligger foran skjema når det gjelder Nasjonal transportplan og bevilgningen av penger, når det gjelder prosentoppfyllelse av planen, og ikke minst når man sammenlikner bevilgningene så langt i denne to og et halvt årsperioden med bevilgningene i forrige to og et halvt årsperiode før vi overtok. Så er det mange områder der en skal bygge store ting, og da tenker jeg at det er egentlig bra og viktig at Stortinget er orientert om at vi jobber for å holde kostnadene nede. ERTMS er et av de områdene. Vi har et prosjekt som vil koste 20 mrd. kr eller mer. Så registrerer jeg at noen er bekymret for at kostnadene øker, samtidig som de ikke vil bruke tid på faktisk å sjekke at vi får gjennomført prosjektet på en så god og billig måte som mulig, men vil heller bare sette i gang med en gang. Jeg synes ikke det er en god tilnærming.

Det er litt rart at de samme partiene i opposisjon ikke lenger ser at det er komplekst, men plusser på penger til alt mulig. Jeg vil advare mot å fortsette det rød-grønne forfallet på jernbanen, som vi overtok. I åtte rød-grønne år klarte en å fordoble det samlede vedlikeholdsetterslepet på jernbanen. Når vi må velge rekkefølge for hvor en

fordi en må vente på at signalanleggene også skal bygges. Da vil jeg heller ta i bruk Follobanen raskere hvis det er mange års forskjell det er snakk om, enn å la en tunnel, ferdig bygd, stå tom i påvente Når det gjelder rabattordningen for månedskort på jernbanen, som ble forhandlet fram av de borgerlige partiene, har vi en god dialog og en god framdrift. Det er beklagelig at ting tar tid, men noen ganger er det komplekst å få ting til å fungere teknologisk, men det er nå på vei til å bli i orden. Jeg konstaterer at det er noen som er kritisk til at vi fjerner bompengene på Oslofjordtunnelen, samtidig som de selv ikke er imot å fjerne dem. Vi synes det er viktig at vi får fjernet innkrevingen når vi kan, samtidig som det er viktig at vi ivaretar sikkerheten, og det gjør vi. Så har det vært understreket at da Oslofjordtunnelen i sin tid ble vedtatt bygd, ble den vedtatt som et prosjekt som skulle få to parallelle løp. løp. Det er helt naturlig at Vegvesenet har planlagt i tråd med de vedtakene. Når det så kommer nye forskrifter som gjør at en får problemer med noen av stigningsgradene, er det naturlig at vi tar en runde med ESA og andre for å se om vi kan finne løsninger for det. Det er ikke noe som er spesielt for denne regjeringen. Det er noe som enhver regjering ville forholdt seg til, men vi har god framdrift også på det prosjektet. Så minner jeg om at når det gjelder Rogfast, var planen for å kunne sette spaden i jorden i 2015 at en hadde reguleringsplaner på plass i 2013. Nå er vi i 2016, og noen kommuner er ennå ikke helt ferdig med reguleringsplanene. Det blir replikkordskifte. Det framgår av statsråden sitt svar på spørsmål frå Arbeidarpartiet om rv. 23 Oslofjordforbindelsen at det er

Vi er opptatt av at vi skal få en bedre kryssing over Oslofjorden, og for meg er det naturlig at vi prøver å ha flere tanker i hodet på en gang. Nå har jeg altså fått kjeft fordi ikke alt går så fort som Arbeiderpartiet og opposisjonen håpet, selv om det egentlig er noenlunde i tråd med den framdriften Arbeiderpartiet i posisjon hadde planlagt. Når det gjelder rv. 23, har jeg ingen planer om å stoppe planleggingen av det tunnelløpet som vi kan få, selv om vi samtidig må avklare hva slags handlingsrom som er, eller hvilke problemer vi kan få når det gjelder stigningsgrad. Det er derfor vi også har sagt at vi må utrede om det er en mulig og bedre løsning å bygge en bro eller bygge en tunnel et annet sted. Den dialogen har vi fortløpende. Eg må dessverre arrestera statsråden når han snakkar om kryssing Oslofjorden. Her er det snakk om kryssing under Oslofjorden, i tunnel. Dersom ESA skulle stilla seg avvisande til eit parallelt tunnelløp til rv. 23, betyr det då at dei 170 mill. kr som Statens vegvesen vil rekvirera til prosjektet, og som altså er bompengar som bilistane har betalt inn, vil vera

Så er det selve kryssingen under. Det som hadde vært interessant å høre, når Arbeiderpartiet tar opp denne tematikken, er om Arbeiderpartiet mener at vi skulle ha stoppet planleggingen, og dermed forsinket hele framdriften. For det er jo det som egentlig indikeres ved å stille den type spørsmål, at en mener vi burde vente til alle svar var gitt fra ESA før vi gikk videre med å vurdere hvilke løsninger vi selv ønsker. Den form for framdrift vil ikke jeg anbefale. Jeg vil sørge for at vi får en bedre kryssing av eller på – eller hvilken preposisjon man skal bruke – Oslofjorden, rett og slett fordi det er viktig med en bedre trafikkavvikling og en bedre sammenknytting av Østfold og Vestfold, og gjerne en bedre omkjøringsvei rundt Oslo enn det en har i dag. Direktoratet for samfunnssikkerhet og

Næringsliv. Avvik som ikke lukkes innenfor de oppsatte frister, kan skape et inntrykk av at ikke alle pålegg tas på alvor, og skape utrygghet hos de reisende. På hvilken måte vil statsråden se til at Jernbaneverket følger opp de avvik som Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og eventuelt Jernbanetilsynet peker på, innenfor de oppsatte
Sikkerhet på jernbanen er svært viktig – ja sikkerhet innenfor alle transportformer er svært viktig. Derfor tar vi dette på høyeste alvor. Vi har hatt god kontakt med både Jernbaneverket, tilsynet og andre i denne saken. Så konstaterer jeg også at Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap på sine nettsider har lagt ut en tekst som viser at måten Dagens Næringsliv har gjengitt dem på, ikke samsvarer med det som DSB faktisk står for. for. Derfor mener jeg det er viktig at vi ser på hva som er realitetsinnholdet her, og ikke bare enkelte mediers store overskrifter. Etter ulykken med toget som løp løpsk fra Alnabru og ned til havna, har det vært mye arbeid i Jernbaneverket for å rydde opp i dette. De både så på den strekningen der ulykken konkret skjedde,

og at det ligger inne mye mer penger til kollektivdrift og -satsing enn det ville gjort om det forrige regimet hadde fortsatt. Også i dette innlegget tok statsråden opp vedlikeholdsetterslepet fra de to foregående stortingsperiodene, og derfor stiller jeg følgende spørsmål til statsråden: Erkjenner statsråden at med Fremskrittspartiets alternative budsjetter fra 2006 til 2013 ville det vært høyere vedlikeholdsetterslep? Det er et ja/nei-spørsmål. Den påstanden fra Heikki Eidsvoll Holmås er rett og slett feil. Det ville vært bevilget langt mer penger til både vei og jernbane i den åtteårsperioden med Fremskrittspartiets alternative budsjett, enn det ble gjort med den rett og slett fordi jeg tror både Fremskrittspartiet alene og den borgerlige opposisjonen hele veien påpekte at det å la infrastruktur forfalle ikke gir god samfunnsøkonomisk nytte, verken på kort sikt eller, aller minst, på lang sikt. Det ser vi også når en f.eks. så hvor mye driftsstans det var på jernbanen. En kan la forfall pågå en stund uten at det får alvorlige konsekvenser, men En av mine forgjengere, Magnhild Meltveit Kleppa, var mange ganger nede på Oslo S, spesielt i årene 2011 og 2012, og måtte svare for at jernbanen kollapset gang på gang. Til tross for det så vi en realnedgang i bevilgninger til vei- og jernbanevedlikehold fra 2011 til 2012, fra 2012 til 2013 og sågar fra 2013 til 2014. En lærte altså lite av de feilene en selv måtte svare for.

viktig prosjekt for Rogaland. Det er eit svært viktig prosjekt for Vestlandet. Det er eit viktig prosjekt for Noreg. Eg registrerer at statsråden, som den 26. februar var på NRK Rogaland og lova byggjestart tidleg i 2017, no brukar ordet «forhåpentligvis» om kor vidt proposisjonen kjem til Stortinget i haust. Det gjer meg uroleg. Eg kan godt leva med at frekkheita sit laust. Me har registrert at prosjekt som skulle ha starta opp i 2015, no vert marknadsførte som ei framskynding. Det har eg vanskeleg for å forstå, all den tid me no er i 2016. sjølvsagt forstå at det er mange utfordringar med eit prosjekt som Rogfast, men eg synest regjeringa burde vera ærlegare i sin kommunikasjon. Me har no høyrt nyheiter om at det er funne krevjande fjell med høgt kobberinnhald under Kvitsøy. Kva betyding det har, når ein kanskje ikkje kan fylla massane ut i kunne eg tenkt meg at statsråden kommenterte litt på. Så til prinsippet om bompengefinansiering og førehandsinnkrevjing: Det er noko som Framstegspartiet tradisjonelt har vore sterk motstandar av. Det var dei motstandarar av då det vart innført, men no har dei altså gjort det valet at dei ønskjer å vidareføra det. Det er viktig å få fram at her hadde regjeringa eit reelt val: eller avslutta førehandsinnkrevjinga og finansiera vidare planlegging av Rogfast via statlege midlar. Eg skulle ønskt at statsråden kunne sagt noko om kor vidt det er gjort nokon vurderingar knytt til det at me no har fått eit svært dyrt ferjeanbod på strekninga E39 Mortavika–Arsvågen, der den trafikkavvisinga som dei ekstra bompengane medfører, truleg må ha gjort at ferjeanbodet har vorte dyrare. Kan statsråden seia noko om det? Eg vil berre seia at eg synest det er imponerande når Stortinget bestemmer at førehandsinnkrevjing på rv. 23 Oslofjordforbindelsen skal avsluttast i august 2016. Det vert gjort, og det er altså ein stor bompengesiger for Framstegspartiet. Det er kreativt.
Neste taler er representanten

det for øvrig nå ser ut til at også kan få en kostnadssprekk på grunn av valutakurs. I dag gjør vi det på et annet stort prosjekt, tilsvarende 26,6 mrd. kr, fordelt over en periode på om lag 15 år. Det gjelder signalanlegg på jernbanen. I gjeldende Nasjonal transportplan, som ble lagt fram av ble det slått fast at dagens signalanlegg holdt på å gå ut på dato og må erstattes av det nye systemet ERTMS innen 2030. Det er bred enighet om at det er viktig å få dette på plass. Selv om punktligheten i togtrafikken siden 2011 har vært i bedring på grunn av den satsingen som Stoltenberg-regjeringen satte i gang, er feil på signalanlegg en av de største utfordringene i togframføringen framover. Og det er vel ikke noen grunn til å tro at det blir noe bedre framover. Da regjeringen Solberg la fram sin regjeringsplattform, sto det noen få punkter om jernbane, men ett av dem gjaldt ERTMS. Vi kunne lese at regjeringen ville «legge frem en langsiktig plan for konvertering av signalsystemene til den europeiske standarden ERTMS.» I den grad man skulle få forhåpninger om at dette skulle bety at ERTMS-prosjektet ville få høyere prioritet, er det nok mange med meg som har blitt Først etter nærmere tre år i regjering, kommer det nå forslag om å starte opp investeringsprosjektet. Det gjør at vi etter all sannsynlighet må bygge såkalte konvensjonelle anlegg – midlertidige anlegg – for store beløp, anslagsvis mer enn 1 mrd. kr, som igjen må erstattes av ERTMS om noen få år. Målet må være å få mest mulig veg og jernbane for pengene. Det oppnår man ikke ved å bygge midlertidige anlegg for milliardbeløp. Så til en annen sak, som ikke har kommet med i denne samleproposisjon, som kanskje vi alle har ventet på: Det gjelder E6 Helgeland nord. Der var det en merkostnad på 450 mill. kr, som statsråden har valgt ikke å komme til Stortinget for å finne en løsning på i samleproposisjonen. Som en representant sa tidligere i dag fra talerstolen, begynner det å bli kritisk for deler av prosjektet. Så vi er spent på når statsråden har tenkt å komme tilbake til den saken. En siste ting: Det gjelder kreativ etablering av selskap. Jeg registrerer at statsråden står rakrygget bak at Avinor omorganiserer på Svalbard for å unndra beskatning til den norske stat. Jeg vil bare komme med noen kommentarer. Her brukes det tid på økte kostnader knyttet til ERTMS, og så det kritikk fordi man ikke kommer i gang raskere. Jeg er glad for at vi har en statsråd og en regjering som er seg sitt ansvar bevisst når det kommer til hvordan man bruker skattebetalernes penger og faktisk kvalitetssikrer før man setter i gang. Det er ikke noen tvil: Dette er et av vår moderne tids største løft for infrastruktur i Norge, og vi er nok mange som rundt omkring i landet har stått mang en gang og ventet på perrongen fordi det ikke kom tog på grunn av signalfeil. Tidligere regjeringer har hatt muligheter, og dette handler om etterslep og mangel på bevilgninger og mangel på handlekraft, i hvert fall gjennom de siste 20 årene. Nå skjer det noe. Heikki Eidsvoll Holmås påstår at det er en neddragning av investeringer i jernbane. Da lurer jeg litt på hvor han har vært hen. For 2012 var ikke ambisjonsnivået så veldig høyt i den rød-grønne regjeringen. Man satte av 47 mill. kr til planlegging. Det er derfor man ikke kan investere mer, man får ikke brukt mer penger. I inneværende år er det 1 144 mill. kr, som betyr at denne regjeringen satser på kollektiv. Det kan virke som om innkreving av bompenger for Oslofjordtunnelen opphører. Det blir ikke mer trafikksikkerhet av å betale bompenger. Det opphører fordi det er betalt. Jeg er også glad for at man her gjør kvalifiserte valg før man beslutter noe og bestemmer noe. Trafikksikkerheten har både komiteen og statsråden sagt noe om. Det skal vi følge med på. Men det blir ikke mer trafikksikkerhet av å betale for bom.
Jeg har bare lyst å kommentere et par ting som har kommet fram. For det første synes jeg at jeg begynner å kjenne igjen dette angrepet fra Arbeiderpartiet om at ting ikke skjer, og at det ikke går fort nok. Det har vi hørt ofte. Poenget er at vi har bevilget mer penger enn noensinne. Vi har en framdrift i sakene. Vi trengte en del planleggingsmidler for å få det opp på et anstendig nivå da vi tiltrådte som regjering. De planleggingsmidlene bruker vi til å planlegge prosjektene framover. Det er også noe av det som har vært nevnt her som en av årsakene til at man ikke alltid kommer i mål med oppstart til rett tid: Planleggingsprosessen tar lengre tid en forutsatt. Dette med bompengeinnkreving er alltid et litt ømtålig punkt, men forhåndsinnkreving av bompenger er greit når man vet at prosjektene kommer. Det er for så vidt en fornuftig måte. Men det normale i andre saker har jo vært at man først har bygget veien og så krevd inn pengene etterpå. Det er fordi de som bruker veien, skal være sikre på at man har fått det man betaler for. Vi har jo et grelt eksempel når det gjelder Oslopakke 3 og E18 Vestkorridoren. Der har man helt siden 2008 innkrevd ekstra bompenger til veiprosjektet, som man ennå slåss om gjennomføringen av. Nå er det heldigvis over, nå kommer veien, og jeg er glad for det. Regelen er at man skal bygge veien, før man krever inn pengene. Men man skal i hvert fall avslutte innkrevingen når veien er betalt. Og når man har drøyd dette i noe tid i forbindelse med Oslofjordtunellen, er det fordi man innenfor et visst tidsrom – man bevilget seg tre år for å se hva man skulle gjøre – ennå ikke har kommet helt i mål med det alternativet som man kommer til å bygge. Det gjør at man på et eller annet tidspunkt må si: Nå er denne veien nedbetalt. Til gjengjeld har vi nå satt i gang et prosjekt i den andre enden av rv. 23, som også betyr mye, nemlig det som skal skje gjennom Drammen. Så det pågår viktige prosjekter på rv. 23 i dag, og man viderefører prosjektet i den andre enden. Jeg påpekte i mitt innlegg at når det har vært tre dødsulykker på rv. 23 hittil i år, sier det noe om beskaffenheten på veien utenom tunellene. Det er faktisk en vei som krever investeringer, både på Lier-siden og på Frogn-siden. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 5. Etter ønske fra transport- og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

Stortinget vil i dag gi grønt lys for å bygge ny E18 mellom Rugtvedt og Dørdal i Telemark. Mange har ventet lenge på denne dagen – noen vil vel si at det kanskje har vært unødvendig lenge. Dagens vei har varierende standard, med mye randbebyggelse og mange kryss og avkjøringer. Sammen med stor trafikk fører dette til mange alvorlige ulykker og dårlig framkommelighet, særlig i helgene. Trafikken gir miljøulemper for Nye Veier har besluttet at strekningen E18 Langangen–Dørdal er en av de første delstrekningene i selskapets portefølje som bygges ut. Dette er helt i tråd med Meld. St. 26 for 2012–2013 Nasjonal transportplan 2014–2023, der det legges til grunn anleggsstart i første fireårsperiode, forutsatt tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering av utbyggingen. Lokale myndigheter har gjort disse vedtakene, i dag gjør Stortinget det samme. legges opp til anleggsstart i 2017, og strekningen planlegges for åpning for trafikk i 2020. Veiprosjektet omfatter bygging av 16,8 km ny firefelts vei. Det vil i tillegg bli bygd 1,2 km tofelts vei for sammenkopling med dagens vei. Dermed reduseres den nye veien med en kjørelengde på skal bygges ut for ca. 4,4 mrd. kr, hvorav bompengeandelen utgjør 40,6 pst. Det er en enstemmig komité som i dag ønsker å sette spaden i jorda raskest mulig for å få bygget denne veien. Arbeiderpartiet mener selvsagt at det er fornuftig å se på den beregningstekniske renten på bompengelån, både i dette prosjektet og i andre Det vil åpne for lavere takster, kortere nedbetalingstid eller en utvidelse av prosjektet, noe som igjen gir mer vei for pengene. Et enstemmig storting kommer i dag til å gi et signal til samferdselsministeren og regjeringen om å se på den beregningstekniske Arbeiderpartiet vil spesielt peke på de lokale vedtakene i punkt 5, som klart sier at et økt økonomisk handlingsrom ønskes fra de lokale myndigheters side å bli benyttet til lavere takster, bedre rabattordning eller kortere innkrevingstid. Vi vet at det på hovedstrekningen mellom Østlandet og Sørlandet, altså E18, fremdeles vil være behov for å gjøre mer. er en av landets viktigste transportkorridorer. Men i dag dreier det seg om Bamble, Porsgrunn og Telemark, og meldingen fra